da er

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16. La meg først få lov til å takke Stortinget for at jeg får muligheten til å komme hit og gi denne redegjørelsen om

I mitt arbeid med spørsmålet om midlertidig bevæpning har jeg naturligvis lagt til grunn at norsk politi skal være ubevæpnet, og jeg vil følge opp de vedtak Stortinget gjorde den 5. mai i år. Midlertidig bevæpning er et svar på det som er en ekstraordinær situasjon, men ingen av oss kan her og nå si hvor lenge det trusselbildet vi i dag står overfor, vil vare. Når vi skal vurdere hvilke alternativer vi har i dagens situasjon, er det nødvendig å ta et kort tilbakeblikk. 21. november i fjor ga Justis- og beredskapsdepartementet samtykke til midlertidig bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Departementets beslutning var et svar på en anmodning fra Politidirektoratet fra 18. november. Bakgrunnen for Politidirektoratets anmodning var igjen en trusselvurdering fra PST og Felles kontraterrorsenter av 31. oktober 2014. Den beskrev et stadig mer alvorlig trusselbilde. Felles kontraterrorsenters vurdering var at det i løpet av de kommende tolv månedene var sannsynlig at en terrorhendelse ville finne sted i Norge. Det var en etterretningsvurdering og ikke en prognose. Det ble understreket at det ikke forelå informasjon om en eller flere konkrete aksjoner. Trusselvurderingen var en analyse basert på en bred vurdering av tilgjengelig informasjon. PST og Felles kontraterrorsenter bygde sin vurdering på flere enkelthendelser, og den generelle utviklingen på området. Den 21. september 2014 publiserte ISIL en tale av deres talsperson Abu Muhammad al-Adnani. I talen oppfordret al-Adnani til angrep på USA og Europa som et svar på at de ifølge ham startet krig mot muslimene og det islamske kalifatet og derfor måtte betale prisen for sine handlinger. handlinger. Al-Adnani oppfordret til bl.a. drap på vantro amerikanere og europeere. Franskmenn, australiere og kanadiere ble fremhevet spesielt, i tillegg til «borgere i landene som har inngått en allianse mot Den islamske staten». Han fortsatte med å spesifisere at måten dette kunne skje på, ikke var vesentlig. Selve sitatet er så drøyt at jeg ikke gjengir det ordrett. Det er imidlertid en meget klar melding om at det oppfordres til drap, og at metodene som brukes, er uvesentlige. E-tjenesten vurderte denne erklæringen som en carte blanche til sympatisører i Europa som ønsket å utføre terrorangrep på eget initiativ. Det ble videre fremhevet at den skjerpede trusselen bl.a. kunne forklares med følgende forhold: ISIL har et relativt stort og økende antall ideologiske tilhengere i Norge som har et betydelig voldspotensial. Norges militære bidrag til koalisjonen i Irak vil kunne bli brukt for å legitimere terror i Norge. Det ble angitt særskilt tre kategorier mål: militært personell politi profilerte politiske beslutningstakere innenfor forsvars- og utenrikspolitikk I løpet av de om lag seks månedene som har gått siden departementet ga samtykke til generell bevæpning av uniformert innsatspersonell, har trusselbildet blitt ytterligere skjerpet. La meg kort nevne: Vi har hatt terroraksjoner i Paris og København, i Canada, Australia, Tunis, Nigeria og Kenya. Planlagte terroraksjoner er stoppet i flere land, mest kjent er aksjonen i Belgia i vinter. ISIL og lignende grupper har gjennomført og selv dokumentert massedrap, henrettelser og en ekstremt brutal adferd som har sjokkert og skremt veldig mange, og ført millioner på flukt. PST har meldt at de mener at antallet her i landet som støtter politisk motivert vold, er økende. Flere har reist ut som fremmedkrigere, mens andre agiterer for ISILs tankegods. En tilsvarende utvikling har vi sett i flere andre europeiske land. Det rapporteres fra flere hold om at ISIL forsøker å infiltrere flyktningstrømmen, både gjennom å sette sympatisører på båter over Middelhavet og som overføringsflyktninger til vestlige land. Dette er det gjort nærmere rede for i nye trusselvurderinger fra Felles kontraterrorsenter og Politiets sikkerhetstjeneste, senest 12. mai i år. Mye av dette materialet er av gode grunner og med hjemmel i sikkerhetsloven gradert, og jeg kan ikke gå i detalj og redegjøre for dette her. Men ut fra det som er allment kjent, mener jeg at situasjonen i dag dessverre ikke er mindre alvorlig enn det den var for et drøyt halvår siden. Når det gjelder ugradert materiale, kan jeg vise til den åpne trusselvurderingen for 2015 fra Politiets sikkerhetstjeneste. Der heter det bl.a.: «Den negative utviklingen av trusselsituasjonen i Norge forventes å fortsette i 2015. Det finnes aktive ekstreme islamistiske miljøer i Norge som tiltrekker seg nye tilhengere og rekrutterer fremmedkrigere. For flere av disse er Norge en fiende.» De siste syv årene har det ifølge Felles kontraterrorsenter vært totalt 24 terrorangrep i Vesten, gjennomført av ekstreme islamistiske grupper. Av disse har halvparten – altså tolv angrep – blitt utført det siste snaue året. Antall terrorangrep i Vesten som er motivert av ekstrem islamisme, er således i markant økning. FKTS opplyser også at fire av de tolv angrepene, altså en tredjedel av disse angrepene, har vært rettet direkte mot politiet. I tillegg har politiet vært såkalt sekundærmål ved flere angrep, som ved Krudttønden i København i februar og ved angrepet på Charlie Hebdos lokaler i Paris i januar i år. Bevæpning av uniformert innsatspersonell er selvfølgelig ikke det eneste virkemiddelet som er vurdert og gjennomført. På bakgrunn av trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter av 31. oktober 2014 instruerte Politidirektoratet politidistriktene om å gjennomgå egne sikkerhetsrutiner. Den 6. november 2014 sendte Politidirektoratet ut et forslag til risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak for politiet. Departementet har ved flere anledninger understreket overfor Politidirektoratet at de må vurdere alternative sikringstiltak som kan redusere trusselen mot polititjenestepersonene. Politidirektoratet opplyser at dette er fulgt opp. Et eksempel er at Politidirektoratet i sine føringer til politimestrene om gjennomføring av bevæpningen har vært klare på at bevæpningen skal tilpasses «tjenestens og oppdragets art», noe som innebærer at politidistriktene konkret skal vurdere å unnlate bevæpning eksempelvis i forbindelse med forebyggende tjeneste som skolebesøk, møter med samarbeidspartnere o.l. Ved vurderingen skal det legges vekt på om bevæpning er uhensiktsmessig, upraktisk, til ulempe for tjenesten eller kan virke støtende overfor publikum. Ved den siste forlengelsen av den midlertidige bevæpningen ble det presisert «at bevæpning kun skal finne sted i de distrikter/deler av distrikter hvor det utfra risiko- og sårbarhetsanalyser, vurdert opp mot politiets oppgaveløsning, anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig fare for liv og helse eller viktige Departementet ba også om å bli holdt orientert om hvorledes bevæpningen ble gjennomført, og at direktoratet skulle sørge for å ha oppdatert informasjon til enhver tid om bevæpningssituasjonen. Videre ba departementet Politidirektoratet om å «utarbeide tiltak for å redusere behovet for fortsatt bevæpning». Politiet har meldt tilbake at de finner det vanskelig å begrense bevæpningen til enkelte geografiske områder, så lenge trusselen ikke er geografisk avgrenset. Samtidig mener jeg at det er viktig at vi løpende vurderer tiltak som kan føre til at politiet ikke er bevæpnet i alle situasjoner. Bevæpning skal og må bygge på en løpende vurdering av risiko og sårbarhet. Dette er formidlet til politiet, og jeg oppfatter at også politiet selv ønsker å vurdere i hvilke situasjoner bevæpning anses hensiktsmessig og nødvendig. Når det gjelder de praktiske konsekvensene av den midlertidige bevæpningen, har Politidirektoratet opplyst at de ikke har mottatt informasjon som tilsier at bevæpningen har hatt negative konsekvenser for utførelsen av polititjenesten. Videre har direktoratet rapportert at det ikke er registrert at politiet har truet med våpen i større grad enn det som har vært tilfellet før samtykke til bevæpning ble gitt. Departementet har også vurdert hjemmelsgrunnlaget for slik midlertidig bevæpning, og vi kom til at politiets våpeninstruks i utgangspunktet ikke ga tilfredsstillende hjemmel for en langvarig og tidsubestemt bevæpning av politiet, særlig siden det ikke forelå en konkret trussel. Det ble derfor gjort en tidsbegrenset endring i politiets våpeninstruks frem til årsskiftet 2015/2016. Endringen innebærer at Justis- og beredskapsdepartementet på bestemte vilkår kan samtykke til at Politidirektoratet beslutter bevæpning av politiet med enhåndsvåpen for en periode av inntil tre måneder. Departementet kan samtykke i å forlenge bevæpningen med inntil åtte uker av gangen. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med en ny våpeninstruks for politiet og tar sikte på at den skal tre i kraft ved årsskiftet 2015/2016. Den vil bli basert på at norsk politi skal være ubevæpnet. Også den nye våpeninstruksen vil inneholde en bestemmelse om at Justis- og beredskapsdepartementet på visse vilkår skal kunne samtykke i at politiet skal være bevæpnet over en periode, og det kan gis samtykke til å forlenge denne perioden.

Direktoratet har opplyst at de, under forutsetning av at departementet samtykker i å forlenge den midlertidige bevæpningen, vil foreta en ny vurdering av bevæpningsbehovet, slik at bevæpning finner sted når det anses nødvendig for å ivareta innsatspersonellets egensikkerhet og innsatsevne. Politidirektoratet har orientert om at de arbeider med en ny risiko- og sårbarhetsanalyse basert på den siste, oppdaterte trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste. På bakgrunn av de vurderingene som er gjort av Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet, har jeg kommet til at det ikke vil være forsvarlig av meg å avslå anmodningen om fortsatt midlertidig bevæpning av politiets innsatspersonell for en ny periode på åtte uker regnet fra 7. juni, dvs. til 2. august i år. Som en forutsetning for fortsatt bevæpning vil jeg be Politidirektoratet sikre at det enkelte politidistrikt har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser som tilsier at det er behov for bevæpning av uniformert innsatspersonell. Jeg vil til slutt understreke et par ting som jeg for så vidt innledet med. Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i normalsituasjon. Regjeringen vil naturligvis følge opp Stortingets klare føringer på dette området. Samtidig mener jeg det er viktig å beholde muligheten for at politiet kan være bevæpnet i perioder hvor spesielle forhold gjør det nødvendig. Siden dette er en ganske ny situasjon og vår ordning i utgangspunktet ikke har tatt høyde for den situasjonen vi nå befinner oss i, er det også nødvendig at Stortinget får si sitt om innrammingen av en slik ordning. Derfor vil vi komme tilbake til Stortinget med forslag om endring av politiloven på dette punkt. Presidenten vil nå i henhold til Stortingets forretningsordens § 45 annet ledd foreslå at det åpnes for en kort kommentarrunde, begrenset til ett innlegg på inntil 5 minutter fra hver partigruppe og avsluttende innlegg fra statsråden. – Det anses vedtatt.

Det er regjeringa som kjenner heilskapen og detaljane i trusselbiletet, og kva det krev av mottiltak. Stortinget legg til grunn at regjeringa tek samvitsfulle avgjerder. Samtidig er det òg rimeleg å stilla nokre kritiske spørsmål. Justisministeren viste til talet på angrep frå islamistiske ekstremistar det siste halve året. Det er svært alvorleg at slike angrep finn stad, og at dei ser ut til å auka i omfang. Så er spørsmålet:

Det er situasjonar der òg norsk politi ville ha vore væpna. Det er nokre eksempel. Eitt eksempel der våpen på hofta utan tvil har hatt betydning, er angrepet i parlamentet i Ottawa i fjor. Der var det sikkerheitsvakta som hadde våpen, og som gjorde det situasjonen kravde av han. Væpninga vert omtalt som mellombels, mens trusselen som vart teikna opp av Justisdepartementet, ikkje vert beskriven på same måte – som statssekretæren var tydeleg på til VG i april i år. Konkret: Kva er det då justisministeren meiner er mellombels ved væpninga, når ein svarar på ein trussel som Justisdepartementet ser ut til å meina ikkje er mellombels? Kva ser han for seg skal til for at trusselbiletet skal verta redusert? Og – viktigast av alt: Kva er hans plan for å avslutta den mellombelse væpninga av norsk politi? Statssekretæren spurde dessutan retorisk i same avisintervju om me som kravde ein slik plan frå justisministeren, ønskte å overprøva vurderinga til Politiets tryggingsteneste. Svaret på det er nei. For her er det òg ein viktig nyanse. PST har ikkje anbefalt væpning, og og arbeidsgruppa i Politidirektoratet som vart sett til å vurdera ei eventuell mellombels væpning, var opphavleg delt i si anbefaling. Det skriv justisministeren sjølv i svar til meg den 7. januar i år på eit skriftleg spørsmål. Bruken av mellombels væpning er tydelegvis tilstrekkeleg politifagleg omstridt til at arbeidsgruppa var delt Så vil eg seia nokre ord om moglege negative konsekvensar som justisministeren seier at Politidirektoratet ikkje har informasjon om. Justisministeren viste til at det ikkje er rapportert den typen hendingar. Då er det naturleg å spørja korleis ein definerer negative konsekvensar. I desember i fjor kunne Fædrelandsvennen rapportera om politifolk som kvidde seg for å gå inn på utestader med våpen på hofta. I februar kunne same avis fortelja at ein væpna politimann utan uniform gjekk inn på eit idrettsarrangement utanom teneste, og ifølgje det som er rapportert, kunne han heller ikkje identifisera seg på førespurnad frå dei oppmøtte foreldra. Eg vil definera desse hendingane som svært uønskte. Kvifor er ikkje desse hendingane rapporterte som negative konsekvensar overfor Politidirektoratet? Om noko, viser dei angrepa ein har sett i Vesten det siste halve året, viktigheita av god risikoforståing, god etterretning og moglegvis òg objektsikring i form av punktvæpning. Det er tiltak det er naturleg å vidareutvikla i ein plan for å redusera behovet for mellombels væpning som eg forventar at justisministeren

Takk til statsråden for å gi en klar og tydelig redegjørelse med et svært alvorlig bakteppe. Det trusselbildet statsråden tegner, er viktig for oss å få høre og bli kjent med. Den midlertidige bevæpningen fra 21. november i fjor er en konsekvens av det trusselbildet. trusselbildet. Når statsråden sier at trusselbildet nå ikke er mindre alvorlig, ligger det en stor dybde i denne saken. Ut fra den informasjonen som er gitt av Politidirektoratet, PST og Felles kontraterrorsenter, har justisministeren gitt et klart bilde av dette i dag og med en konklusjon om fortsatt midlertidig bevæpning. Politi, militært personell og beslutningstakere, dvs. bl.a. politikere, er blant de nevnte som er i målgruppen for dette trusselbildet. Aksjoner de siste månedene bekrefter alvoret i saken. Samtidig er det vel ingen som tror at bevæpning av politiet er det eneste virkemiddelet som løser dette trusselbildet, men det er antakeligvis det mest nærliggende. Det er viktig å merke seg det statsråden sier om politiets praktisering av den midlertidige Jeg hører en statsråd som forteller om et politi som på en klok og balansert måte praktiserer dette med en fleksibilitet og en situasjonsforståelse som ivaretar både trygghet og det allmenne bildet som enhver norsk tjenestemann og -kvinne i politiet ønsker å skape rundt seg av ro og trygghet. Det er også viktig å merke seg at statsråden peker på at vi nå høster erfaringer fra den midlertidige bevæpningen som det er viktig å nedfelle i regelverk for framtidige håndteringer av tilsvarende situasjoner. Det er helt i tråd med det Stortinget tidligere har debattert – den 5. mai i denne sal – knyttet til midlertidig bevæpning. Det er bra. statsråden har gitt politiet beskjed om at det blir åtte nye uker med bevæpning fram til 2. august. Ut fra denne redegjørelsen støtter jeg den vurderingen og konklusjonen som statsråden har gitt. Jeg er glad for at statsråden har fulgt opp det Stortinget tidligere har sagt, og kommer hit til denne sal og redegjør for denne viktige saken og bakteppet for hvorfor han som statsråd gjør det han gjør og fortsatt vil ha et midlertidig bevæpnet politi, i denne omgang fram til 2. august. Så jeg takker for redegjørelsen, og vi vil alle sammen følge situasjonen nøye

også i denne saken. Det er etter hvert en utrygg verden vi lever i. I går kunne NTB melde at opptil ti terrorister fra Islamsk Stat hadde forsøkt å komme til Norge gjennom FNs flyktningkvoter. Heldigvis har regjeringen sørget for at norsk etterretning nå følger grundig med på utvelgelsen av de norske flyktningene. Dessverre er det umulig å avsløre samtlige terrorister i et demokratisk samfunn. Gjennom regjeringens satsing på PST og etterretning

Dagens trusselbilde gjør det derfor nødvendig å videreføre dagens midlertidige bevæpning. Det er en beslutning Fremskrittspartiet gir sin fulle tilslutning til. Da PST-sjefen la fram trusselvurderingen for 2015, uttalte hun, slik justisministeren sa i stad, at utviklingen er gjennomgående negativ. PSTs vurdering er fortsatt at det innenfor året 2015 er sannsynlig at Norge vil kunne oppleve et forsøk på eller oppleve en terrorhandling. I en slik situasjon må vi sørge for å benytte oss av de virkemidlene lovverket åpner for. Jeg håper vi kan avstå fra å bruke sikkerhet i et politisk spill. Det er det altfor viktig til. Politiets sikkerhetstjeneste peker særlig på aktive ekstreme islamistiske miljøer i Norge som tiltrekker seg nye tilhengere og rekrutterer fremmedkrigere. Ifølge PST er det altså nå minst 70 norske statsborgere som kjemper for Islamsk Stat, men tallet kan være høyere. Personer som har deltatt i grove menneskerettighetsbrudd, massevoldtekter og folkemord, vil være ekstremt radikaliserte og følelsesmessig avstumpede. Dette er personer som vil kunne ha både evne og vilje til å angripe Norge, en utfordring som er helt ekstraordinær i norsk historie. En ekstraordinær situasjon krever at vi benytter oss av bredden i et lovverk et bredt storting stiller seg bak. Tillatelsen til midlertidig bevæpning er spesielt knyttet til den skjerpede trusselvurderingen der politifolk og militært personell trekkes fram som spesielt utsatte og mulige terrormål. Vi har i Europa sett at politi og militært personell ofte framstår som legitime terrormål for ekstreme grupperinger. I en slik situasjon er det viktig at politiet gis de verktøyene som er nødvendige til å forsvare både seg selv og allmennheten. Det er liten mulighet for å hente ut framskutte og plomberte våpen dersom politipatruljen selv blir utsatt for et terrorangrep. I en slik situasjon må det ageres umiddelbart. Norge er en del av en globalisert verden og deltar i internasjonale operasjoner som kan påkalle uønsket oppmerksomhet fra enkelte ekstremistmiljøer. Dette betyr ikke at vi skal gi etter for terrorfrykt. Vi skal tvert imot gjøre vårt ytterste for å beskytte det norske folk og norske verdier. Norge er ikke en ensom halvøy nord i Europa, men en aktør på den internasjonale arena. Samtidig, med muligheten til å reise friere over landegrensene, har det gjort oss mer utsatt for angrep vi ikke kan forebygge gjennom enkelte tiltak i Norge alene. I perioder med økt terrorfare må vi derfor erkjenne at det ikke lenger er like enkelt å forebygge ekstremisme som tidligere, og vi må benytte oss av de nødvendige lovhjemlene i disse tilfellene. Jeg er glad for at justisministeren og regjeringen så tydelig lytter til de faglige rådene man får fra dem som har kompetanse på dette området, og jeg er glad for at justisministeren tar sikkerheten på største alvor. Jeg registrerer at det er et klart stortingsflertall som ønsker å beholde dagens åpning i lovverket for midlertidig bevæpning dersom trusselsituasjonen tilsier det. Når man nå har fått de klare rådene som justisministeren har redegjort for, og som har vært kjent for mange av oss over lang tid, er det ingen tvil om at dette hjemler en forlengelse av dagens midlertidige bevæpning. Det håper jeg et klart flertall i Stortinget legger seg på minne.

er eventuelt det? Det er en legitim diskusjon som Stortinget bør ta. Når et enstemmig storting nettopp har sagt at vi skal ha et ubevæpnet politi, som statsråden slår fast, er det viktig at Stortinget også er inkludert i de andre tiltakene, og eventuelt om det trengs midler eller annet for å kunne gjennomføre det. Det interessante spørsmålet er hva som skal til for at en skal kunne trekke tilbake den midlertidige bevæpningen. Eller er det – som sagt – mulig å komme med de alternative tiltakene i det hele tatt? Jeg har et annet spørsmål som er mer filosofisk, og det handler om Storbritannia. Hva er det som er årsaken til at Norge velger midlertidig bevæpning når Storbritannia Hva er det som er årsaken til at Norge velger midlertidig bevæpning når Storbritannia ikke har det? Det hadde vært interessant om justisministeren kunne reflektert rundt det. For Kristelig Folkeparti er generell bevæpning et spørsmål som er av en prinsipiell karakter, fordi det er et spørsmål om hva slags politi vi ønsker, og om hvilket samfunn vi ønsker. Vi har nettopp fått til et vi ønsker. Vi har nettopp fått til et forlik rundt ny politireform, der vi slår fast at politiet skal ha et sivilt preg. Et bevæpnet politi har et betydelig mindre sivilt preg. Statsrådens oppgave er å utføre det som Stortinget vedtar, og et enstemmig vedtak i Stortinget for en måned siden tilsa at vi skal ha et ubevæpnet politi, og det må statsråden sørge for.

raskt. Den trusselvurderingen som ligger til grunn for den midlertidige bevæpningssituasjonen vi nå har, har ikke Stortinget tilstrekkelig grunnlag for å vurdere fullt ut, fordi det, som statsråden sier, er gradert informasjon. Det er likevel grunnlag for å påpeke at det er helt avgjørende at statsråden faktisk gjør det han kan for å innføre andre tiltak for å bekjempe terrortrusselen – både etterretningsarbeid og også andre risikoreduserende tiltak. også andre risikoreduserende tiltak. Som andre har vært inne på, er det vist til København som ett eksempel. Man ville sannsynligvis hatt bevæpnet politi også i Norge i en slik situasjon, fordi punkt- og objektsikring vil være et vel så viktig tiltak. Det har også forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt pekt på. De skrev bl.a. i en kronikk i VG i desember, som jeg vil sitere fra:

De kom fram til at det er få historiske eksempel på at det er væpnet politi som faktisk stopper terrorangrepene, men de peker på – igjen i likhet med Storbritannia – at det er behov for mer objekt- og punktsikring. Det er regjeringa som har innsikt i trusselvurderingen, Stortinget kjenner ikke den. Vi har alle et mål om å komme tilbake til en situasjon der en slipper å ha bevæpnet politi – både å få trusselnivået til å gå ned og finne alternative tiltak. Dette er det statsrådens ansvar å følge opp.

har gått med våpen til daglig siden før jul i fjor, og vi vet ikke hvor lenge det kommer til å vare. Situasjonen med et politi som stadig får forlenget beskjed om å bære våpen til daglig, tvinger seg naturlig inn i debatten om generell bevæpning av politiet. Det er det som også gjør denne debatten så viktig, at den kan inneholde både faglige vurderinger av trusselbildet og av situasjonen

punktet. Men jeg har lyst til å si at det er et stort dilemma at slik som statsråden i dag legger fram trusselbildet, synes det å være en mer eller mindre permanent situasjon som blir beskrevet, mens en stadig sier at den forlengelsen av bevæpning som en legger opp til, er en høyst midlertidig situasjon. Det er et dilemma for oss alle sammen, og det avkrever også spørsmålet om regjeringen har noen som helst formening om hvor lenge en slik situasjon vil vedvare. Jeg må nok også si at Senterpartiet er litt overrasket over at politimyndighetene ikke finner grunn til å differensiere spørsmålet om bevæpning for de ulike politidistrikt. Vi mener at det kunne – og burde – vært mulighet til det, men vi registrerer at Politidirektoratet ikke ser på det som mulig. Jeg må vel si – hvis jeg kan være så fri – at det å se bevæpnet politi inne på festlokalene i Trøndelag, og spørsmålet om behovet for det i en situasjon som denne, iallfall er ting som kunne vært gjennomgått. Så synes jeg justisministeren i litt for liten grad går inn på hvilke tiltak som er

og vi registrerer også det statsråden sier når det gjelder våpeninstruksen. Men jeg synes også det er grunn til å spørre statsråden – og jeg ser at det er flere representanter som har vært inne på det samme – om det finnes noen tanker om en form for nedtrapping av bevæpning i etterkant av de nye åtte ukene som en nå legger opp til, og hvor langt Justisdepartementet har kommet i en slik tenkning.

terrorsituasjon, som vi har nå, og at vi som storting må legge til grunn at statsråden, sammen med sine, vurderer på en samvittighetsfull måte hvorvidt behovet for en generell midlertidig bevæpning er til stede. Så er jeg glad for at statsråden er så tydelig når han slår fast at vi skal ha et politi i Norge, og at vi skal følge opp det vedtaket som Stortinget fattet for ca. en måned siden. Men jeg synes allikevel det er god grunn til å være bekymret over at en midlertidig tilstand som har vart i et halvt år, går over til å bli en form for permanent tilstand. Det er tydelig ut fra statsrådens redegjørelse at det terrorbildet som vi har nå, og som den midlertidige bevæpningen er begrunnet i, ikke er midlertidig. Det er noe som ser ut til å kunne vedvare, og da synes jeg det er viktig at vi spør oss selv om om det er bevæpning som er det eneste – eller det beste – svaret på å møte den terrortrusselen som vi nå står i, og som vi skal stå i framover. Jeg har lyst til å vise til en artikkel som sto i VG i desember i fjor, skrevet av tre forskere på FFI. Der skriver de: «Vår studie identifiserte 76 planlagte og utførte angrep fra 2001 fram til i dag hvor angrepsmodus er kjent. I de fleste hendelsene var overraskelsesmomentet for stort til at bevæpnet politi kunne gjort en forskjell.» Derfor synes jeg det er grunn til å utfordre statsråden på enkelte punkter når det gjelder denne midlertidige bevæpningen. For det første ønsker jeg at statsråden i større grad svarer på hvordan vi skal kunne kombinere ønsket og vedtaket om et ubevæpnet politi med dagens trusselbilde, som ikke bare er i dag, men som vi også ser kan vare framover. Så kunne jeg gjerne tenke meg å høre statsrådens tanker om og vurderinger av hvordan vi kan redusere bevæpningen under det trusselnivået som vi har i dag. I likhet med Marit Arnstad synes også jeg at det hadde vært grunn til å se litt nærmere på det med geografisk begrensning, selv om politiet selv har sagt at de ikke ser det som hensiktsmessig. Men jeg synes statsråden skal vurdere om man i større grad kan ha punktbevæpning istedenfor en generell midlertidig bevæpning, om det er behov for tydeligere føringer for når våpenet skal bæres og når våpenet ikke skal bæres, sammen med en geografisk avgrensning – en vurdering av det. Så synes jeg det er grunn til å se til andre land, hvordan de lever med et ubevæpnet politi under tilsvarende trusselnivå som vi har. Det er jo nærliggende å vise til Storbritannia, som over lang tid har levd med et trusselnivå, men har valgt å ikke ha et generelt bevæpnet politi og har opprettholdt det over mange år. Helt til slutt har jeg lyst til å avslutte med et sitat fra fra samme artikkel, der disse tre forskerne skriver til slutt: «Uansett må vi ikke glemme at vår beste beskyttelse mot terror ikke er pistolen, men god etterretning. Modige infiltratører og skarpe analytikere har avverget langt flere terrorangrep i Europa de siste årene enn bevæpnede politipatruljer. Flere våpen i gatene kan i beste fall bare begrense – neppe forhindre terroren som truer Norge.» Vi har altså langt større utfordringer foran oss enn det et midlertidig bevæpnet politi kan løse. Eg vil òg takke statsråden for utgreiinga. Det er

i staden for i realiteten å verte dregen til stortingssalen. Det er legalt ikkje å gjere det, men det hadde vore klokt å gjere det. Ein sånn type beslutning kan og bør ha ei ekstra forankring, ikkje minst samtidig med at debatten om den generelle væpninga gjekk, fordi det gjev openheit, offentleg debatt og kunnskap til befolkninga om kvifor tiltak er og fordi den utvida utanrikskomiteen ikkje er eigna for den type ting. Det er det som kan presenterast i open sal som er eigna for store saker, og som folk kan sjå over heile landet og halde seg til. Så er det ein spesiell situasjon her som har vore tydeleg frå begynninga og gjer det ekstra aktuelt: Det er vanskeleg å forstå korleis den mellombelse væpninga skal gå over, fordi det som grunngjev den, ikkje er

Så festar eg stor tillit til PST si trusselvurdering. Eg har òg hatt anledning til å høyre om det i ein utdjupa versjon frå begynninga av i den utvida utanrikskomiteen. Eg har på alle felt stor respekt for faglege råd, men faglege råd er ikkje beslutningar, dei er råd. I dette tilfellet veit vi for det første at den opphavlege arbeidsgruppa var og vi veit at ei rekkje fagfolk har vore kritiske til beslutninga. Vi får altså ulike faglege råd. Eg meiner det grunnleggjande spørsmålet framleis står dårleg grunngjeve: Gjer mellombels væpning av norsk politi oss no tryggare mot den globale, generelle trusselen vi snakkar om? Dersom Stortinget trur i Noreg ikkje bør ha fast væpna politi, må vi stille oss det spørsmålet om det er no, i denne situasjonen her, som kan vare lenge, at vi gjer oss tydelegare ved å ha det mellombels. Eg er, og SV er – som alle parti her – einige i at det skal finnast ein tilgang til mellombels væpning, men eg kan ikkje sjå at måten det er handtert på no, har vore eit godt sikkerheitstiltak. Det er ingen kjend samanheng, som eg kjenner mellom terror og land med uvæpna politi, og eg synest det framstår som om alternativa er lite gjennomarbeidde. Derfor vil eg avslutte med å seie at SV stilte seg bak den opphavlege mellombelse væpninga då ho kom. Vi la til grunn at det var ei klok operasjonalisering og eit klokt råd om handteringa av Vi synest det framleis framstår som altfor svakt grunngjeve i offentlegheita og planlaust for kor ein skal gå vidare. Det er behov for både klare kriterium og ein plan for korleis vi ikkje lenger skal ha den mellombelse væpninga, korleis det ikkje skal verte varig, og det er behov for at det alternativa. Dersom ikkje justisministeren i løpet av kort tid tek grep om situasjonen og legg fram forslag og tiltak om dette, vil SV sterkt vurdere noko som er uvanleg i sikkerheitsspørsmål, nemleg å fremje eit forslag om det i

inn i en stadig mer bekymringsfull situasjon med en ny utvidelse av den midlertidige bevæpningen, nå til uti august. Dette er ytterligere et sterkt signal om at vi har kurs mot noe som blir en selvbekreftende og selvforsterkende situasjon.

er høyere enn det vi anså som normalt for bare noen få år siden. Som følge av det er det også grunn til å være bekymret for at det apparatet som settes i gang, og de prioriteringer som gjøres i overvåkningsorganene, med trusselvurderinger, med skjerpet overvåkningsaktivitet, med nye tiltak, vil gjøre det stadig vanskeligere for disse overvåkningsorganene å ta ansvaret for ikke å gi råd om generell bevæpning og ekstratiltak, fordi utgangspunktet er en forutsetning om at vi er i en ekstremsituasjon – eller i en unormal situasjon, for å uttrykke det bedre. Det er altså betydelig fare for at den måten vi håndterer dagens trusselsituasjon på, i seg selv blir en faktor som gjør den situasjonen vi nå er i, med midlertidig bevæpning av politiet, til en normalsituasjon. På toppen av dette er altså trusselvurderingene gradert. Det skal de være, vi skal stole på regjeringen vår når den gjør vurderingene, men det gjør altså at i en sånn sak-til-sak-utvikling som vi har nå, er Stortinget i veldig stor grad satt på sidelinjen og uten anledning til å gjøre en reell vurdering av om hvorvidt den akutte trusselvurderingen og det akutte rådet om bevæpning er riktig eller ikke. Det er derfor nødvendig for Stortinget, og for regjeringen, å innskjerpe det grunnleggende prinsippet som heldigvis alle, inklusive justisministeren, bekrefter – om at norsk politi skal være ubevæpnet. Dette er en samfunnsverdi som vi må strekke oss for å beholde, fordi verdien av den er større enn kostnaden ved å undergrave eller gi unntak fra den. Poenget er at dette i større grad må bli et premiss for overvåkningsorganenes råd.

som for det andre inneholder et permanent høyere terrortrusselnivå enn hva vi har vært vant til hittil, og som for det tredje inneholder et ubevæpnet norsk politi. Dette må være et premiss for de rådene vi får, og de valgene som gjøres. Miljøpartiet De Grønne støtter de tiltakene som tidligere har vært varslet, om å gi operative politienheter en mer direkte mulighet til å avgjøre bevæpning i og vi støtter også videreføring av et lovverk som åpner for midlertidig bevæpning. Men i det videre utredningsarbeidet som justisministeren har varslet, oppfordrer vi altså på det sterkeste til at selve formålet må være å beskrive en situasjon som er slik at vi møter en permanent høyere terrortrussel med et ubevæpnet politi, og at de rådene og virkemidlene som velges, skal ha det som basis, og hvor det å anbefale stadige utvidelser av en midlertidig bevæpning i svært liten grad er en løsning. Jeg vil takke Stortinget for en god og

Men jeg har lyst til å understreke viktigheten av at en legger til grunn de faglige vurderingene av trusselbildet som kan endre seg, og som stadig er i endring. Selv om det den siste tiden har vært en endring i negativ retning, kan trusselbildet endre seg i en annen retning som gir et annet grunnlag for tiltak. Som jeg gjorde rede for i innlegget, er det vurdert fra Politidirektoratets side en rekke alternative tiltak. En del av dem er gjennomført, en del av dem snakker de ikke høyt om, men ingen av de tiltakene som politiet har funnet, kan erstatte den midlertidige bevæpningen som de i dag har bedt om forlengelse av, og som jeg er innstilt på å forlenge i ytterligere åtte uker.

av det trusselbildet som PST og FKTS formidler, og av den anbefalingen av tiltak som Politidirektoratet faglig sett kommer med. Det er en vurdering som foretas hver åttende uke. Det stilles ganske strenge vilkår og forventninger til Politidirektoratets oppfølging av dette, ikke minst om det flere har vært inne på, og som er knyttet til muligheten for geografisk ulik praktisering, en strengere fortolkning av når det er behov for at en skal gjennomføre oppdrag ubevæpnet. Dette er tiltak som Politidirektoratet samvittighetsfullt vil følge opp. Det er ikke slik i norsk politiledelse at en higer etter en større nødvendig. Jeg har tillit til at de faglige vurderingene som kommer, faktisk tar utgangspunkt i hva Politidirektoratet mener er faglig forsvarlig. Derfor er det vanskelig å komme med en slags nedtrappingsplan, som flere har vært inne på. Det skyldes at en må ta høyde for den situasjonen som til enhver tid gjelder. Det å innføre en politisk nedtrappingsplan basert på et tidsløp vil således ikke kunne faglig funderes. Det er et ganske krevende politisk ansvar hvis en skal handle på den måten i strid med klare faglige anbefalinger. Det er også noe som jeg og Stortinget er nødt til å ta med oss i de vurderingene som skal foretas på dette området i fortsettelsen. Så jeg kan ikke gi en slags frist for når den midlertidige bevæpningen skal stanses. Det vil løpende bli vurdert, og det er ganske strenge restriksjoner når det gjelder tidsperiode. Det er ikke slik at dette et er en beslutning som gjelder inntil videre. Det foretas en ny konkret vurdering av dette hver åttende uke. Det mener jeg også er en god demokratisk forsikring for at regjeringen faktisk følger opp de faglige rådene innenfor de rammene som regjeringen og jeg mener er forsvarlig. Dermed er debatten om redegjørelsen avsluttet. Presidentens foreslår at saken vedlegges protokollen. Er det andre forslag til behandling av saken?

presiseringen, er at Stortinget ganske nylig debatterte eksakt det samme tema, den 5. mai. Vi får en proposisjon, har statsråden sagt fra denne talerstol, om det samme tema, ikke tidfestet, men antakeligvis om ikke så lenge. I tillegg er redegjørelsen basert på informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Det er fagetater som sitter på den, så jeg er i tvil om hvilket beslutningsgrunnlag justiskomiteen i så fall har for å kunne kommentere dette ytterligere. Men som sagt, vi er naturligvis beredt til å behandle denne saken også i justiskomiteen.
Eg vil berre presisera at debatten vi hadde 5. mai, ikkje var eksakt same sak. Den handla om generell væpning. Denne saka handlar om den midlertidige væpninga. Eg registrerte også at statsråden ikkje svarte på alle spørsmåla som kom i løpet av debatten, og det kan det sikkert vera mange grunnar til. Eg tenkjer at han sikkert vil setja pris på den moglegheita ei vidare behandling i komiteen gjev for at han skal kunna gje utfyllande svar på dei spørsmåla han no ikkje fekk
Presidenten vil da innstille på at vi ved slutten av dagens møte fordeler saken til komiteen. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til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

bygger – én millimeter i året – myr som blir stadig tykkere gjennom tusener på tusener av år i landet vårt. I myras mangetusenårige dyp er det oksygenfritt, og der blir torvmosenes fotosyntetiserte karbon, som er fanget fra lufta, ikke brutt ned. Det blir heller ikke fortidas som gir oss enorm kunnskap om fortida, og for den sakens skyld heller ikke bronsealder-menn som måtte ha havnet nedi den myra av en eller annen grunn. Myras store mengder med lagret karbon holdes unna atmosfæren i – i et menneskelig perspektiv – all framtid. Myrer har derfor en ekstremt viktig rolle som karbonlager i Fastlands-Norge. 3,1 milliarder tonn CO2-ekvivalenter ligger lagret i norske myrer. Og alle dere som er til stede i salen nå, vet at det årlige utslippet i Norge er 53 millioner tonn. Minst 5 pst. av klimagassutslippene våre stammer i dag fra myr som er blitt dyrket opp igjen, og hvor det karbonet som er lagret der, igjen begynner å slippe ut. Myr er altså starten på kull, og de store kullmengdene som i dag brukes i verden, var en gang myr. Derfor må vi behandle myr deretter. I stedet for kortsiktige forsøk på å skape lønnsomhet ved å ødelegge myr, må vi behandle dem som økosystemer som kan gjøre det de er veldig gode til: være viktig natur, ta vare på store arter, lagre enorme mengder med karbon og dempe flom. I fellesskap fungerer torvmosene – som til sammen er en myr – som en gigantisk svamp som demper flom og renser vann, helt gratis. Torvmyrene våre er helt spesielle økosystemer, med et helt unikt mangfold av sopp, planter, insekter og fugl. Mange av dem er på rødlistene over truede arter i Norge. Norsk myrnatur fordi den ligger langt nord og langt vest – en helt spesiell variasjon i europeisk sammenheng. Myrene kjenner vi jo, med dansende tåkedis og vuggende myrull, og det gjør dem til vakre landskap for friluftselskende nordmenn – og de som ser godt etter, har jo opp gjennom årene sett en og annen hulder der også. Miljøpartiet De Grønne er glad og takknemlig for at Venstre har fremmet et forslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr. Vi har latt oss begeistre av SABIMAs myrkampanje, for Norge trenger den hjelpen som solide biomangfoldsorganisasjoner kan utgjøre for å bedre norsk naturforvaltning. Med denne innstillingen legger vi et grunnlag for en mer ansvarlig forvaltning av myrene våre. Flertallet i komiteen gir heldigvis klar beskjed om å endre konskvensutredningsforskriften, slik at alle torvuttak nå må konsekvensutredes før de eventuelt igangsettes. Men dessverre må vi konstatere at i salen er det ikke flertall for en rekke av de andre meget viktige og gode forslagene som burde vært vedtatt for å få en oppdatert og moderne forvaltning av norsk myr. Det er ikke flertall for å inkludere alle utslipp fra myr i det norske klimaregnskapet, det er ikke flertall for å ha kunnskap om klimaeffekter av grøfting og oppdyrking, det er ikke flertall for å hindre nygrøfting av myr for skogbruk, under dekke av såkalt grøfterensk. Det er heller ikke flertall for en utfasingsplan for bruk av torv i jordprodukter, ei heller for å verne mer myr, ei heller for å kalle inn konsesjonen som er gitt til torvdrift på Jødahlsmåsan i Akershus. Dette er forspilte muligheter for Stortinget, og vi er skuffet over at dette enda en gang skjer i en stortingsperiode, i en allianse mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Dette må fortone seg som uheldig og underlig for naturglade og kunnskapsorienterte folk i disse

Med sitt unike biologiske mangfold – som vannrenser, vannmagasin, flomdemper og et unikt karbonlager – er myra en ressurs for hele samfunnet. Omkring 15 pst. av alle truede og nesten truede arter i Norge finnes i myr. Mange står på rødlisten. Det er grunn nok til at myr er et av de områdene det er særlig viktig å ivareta. Derfor må vi unngå omfattende inngrep, nedbygging og utarming av myr i Norge. Jeg er glad for at det er bred politisk enighet om at myra er viktig, og at det er enighet om at myrforvaltning må tas langt mer alvorlig enn det som har vært tilfellet hittil. Skog og myr er et av verdens største karbonlager og kan fortsette å fange og lagre karbon så lenge det ikke foretas inngrep i myra. Hvis myra dreneres, dør torvmosen, og karbonfangsten stanser opp. I tillegg vil torven nedi myra begynne å omdannes og lekke store mengder karbon, bl.a. som Norge skal kutte 40 pst. av klimagassutslippene innen 2030. Utslipp fra myr i sin helhet mener jeg må inkluderes i det norske klimaregnskapet. Det er bra at Miljødirektoratet nylig har igangsatt et prosjekt for restaurering av myr. Det kan både være et godt klimatiltak og gi bedre økologisk tilstand i de områdene som restaureres. Likevel er det et paradoks at myrene må restaureres tilbake til sin opprinnelige funksjon etter inngrep som har forringet det biologiske mangfoldet. utgangspunktet må vi legge føre-var-prinsippet til grunn for å hindre at det gjøres inngrep. Gjennom vern av de mest truede myrtypene vil vi kunne hindre nye klimautslipp og ivareta det biologiske mangfoldet og økosystemtjenestene fra myra. Plantejord inneholder ofte store mengder torv som er hentet ut av myrer. Produkter som er merket som hagejord og plantejord, kan bestå av opptil 100 pst. torv. Vi tror vi har kjøpt inn jord til hagen, men i realiteten har vi vært med på å rasere en myr og bidratt til å ødelegge leveområdene for mangfoldige arter og til økte klimagassutslipp. Sånne produkter bør utfases fra markedet, men i første omgang kan en enkel merking i hvert fall gjøre det enklere for oss forbrukere å handle riktig og bærekraftig. Det er behov for en innstramming av dagens regelverk. Forvaltningen av myr må bli mer bærekraftig. Vi mener det er viktig med en endring i forskriften, sånn at man ikke lenger kan tillate at en myr graves opp og selges som torv gjennom et administrativt vedtak i en kommune. Det må innhentes kunnskap om klimakonsekvenser før en myr dyrkes opp, og de reglene vi allerede har mot nygrøfting av myrer for skogbruket, må håndheves mer konsekvent.

Jeg beklager at et par gode forslag som fremmes her i dag, ikke vil bli vedtatt. Men at vi i det hele tatt har denne debatten, og at det er flertall for innstillingens forslag til vedtak II – om konsekvensutredning – mener jeg er et viktig skritt i riktig retning.

Spørsmål knyttet til naturmangfold, økosystemtjenester m.m. ligger til Klima- og miljødepartementet, regelverk knyttet til torvuttak ligger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og – til sist – landbruk på tidligere myrarealer er det naturlig nok Landbruks- og matdepartementet som har ansvaret for. I svarbrevet til komiteen fra mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug, datert 21. april redegjøres det for flere kommende stortingsmeldinger som berøres av de problemstillingene som representantforslaget løfter. Når det gjelder naturmangfold og økosystemtjenester i myr, er en samlet komité enig om at den store variasjonen i norsk myrnatur har stor betydning for det biologiske mangfoldet. I disse nedbørrike tider vil jeg særlig vise til at myr også har en viktig funksjon for vannrensing, og som vannmagasin ved å dempe flom. Viktigheten av en god myrforvaltning for å nå miljømålene i vannforvaltningsplanene etter vannforskriften er ett eksempel her. Truslene mot de gjenværende myrarealene er mange, som nedbygging, grøfting, oppdyrking og torvproduksjon. I tidligere tider, fram til 1996, ble det gitt tilskudd til nydyrking og grøfting, noe som har ført til at henholdsvis 2 000 og 4 000 km2myr har blitt berørt. Etter Høyres syn har vi i dag gode verneprosesser knyttet til myr, der også grunneierne får den erstatningen de har krav på. Lovverket i dag er godt både når det gjelder bruk av myr til jord- og skogbruksformål, og når det gjelder myr som bidrag til lagring av klimagasser. Men Høyre er også klare på at problemstillingene omkring vern, restaurering og skjøtsel av myr er viktige, at de bør behandles grundig og tverrsektorielt i sammenheng med de varslede stortingsmeldingene om handlingsplan for naturmangfold, om landbruk og om skog- og trenæringen. I det store og hele er det en stor grad av enighet om virkelighetsbeskrivelsen, men vi i Høyre har stor tiltro til at regjeringen vil komme tilbake til spørsmål knyttet til myrforvaltning i aktuelle stortingsmeldinger, og ser ingen grunn til å detaljstyre på disse punktene. Det burde være tilstrekkelig at landbruks- og matministeren, på vegne av hele regjeringen, så tydelig gir uttrykk for akkurat dette i sitt svarbrev. Jeg vil derfor ta opp det forslaget som fremmes i saken av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, der Stortinget ber om at det gjøres en vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til myr i de tidligere nevnte stortingsmeldingene. Så til slutt noen ord om forslaget til innstramming av kravet til konsekvensutredninger, som trolig vil få flertall i salen i dag. Det foreslås at dagens regelverk bør utvides til arealer under 1 500 dekar og 2 mill. m3 når det gjelder uttak av torv «til større kommersiell virksomhet», som det står i merknadene. Men torvskjæring på områder inntil 1 500 dekar dekkes også av dagens krav til konsekvensutredninger hvis det vurderes at de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. samfunn. Både naturmangfold og utslipp av klimagasser inngår i de gitte vurderingskriteriene. Dette forslaget vil innebære en reversering av den forenklingen i regelverket om konsekvensutredninger som ble gjennomført i 2014, og som Stortinget sluttet seg til med vedtak av Prop. 61 L, og jeg synes det er beklagelig at stortingsflertallet her går i motsatt retning av forenkling.

det meste over det ganske land vært kollektivbruk. Dette forslaget er et alvorlig angrep på den private eiendoms- og bruksretten i Norge. Det skal konsekvensutredes nær sagt overalt, og jeg vil like å se den bonden, eller den næringen, som ønsker å gjøre uttak, og som har økonomiske muskler til å gjennomføre

forlater i dag en linje som har kjennetegnet partiet ved enhver korsvei. At Venstre og Kristelig Folkeparti velger å gå imot sine egne samarbeidspartier og stortingsvedtak, med tilhørende kgl. resolusjon av 19. desember 2014, viser at de to partiene ikke er forutsigbare, og at de står for en politikk som ingen vet svaret på – verken i går, i dag eller i morgen. Det er synd å slå fast at den forenklingsmodellen som man en gang var enig om – også for ett år siden – nå blir forlatt, og at man ved denne korsveien faktisk går inn for at man skal få mer byråkrati, undergrave den private eiendomsretten og undergrave den private bruksretten.

Det siste er ikke bare viktig fordi det er flomdempende, men også fordi det skaper en oase for mange arter idet myra representerer et helt annet lokalt miljø enn områdene rundt. Vi er derfor glade for at et knippe venstrerepresentanter fremmer dette representantforslaget, og vi er glade for å kunne støtte det, slik det framgår av komiteens tilråding. Vi har selvsagt merket oss at landbruksministeren i brev til Stortinget har gjort rede for at regjeringen, gjennom flere departement, har til hensikt å gripe fatt i myrforvaltningen. Vi støtter likevel representantforslaget. Det haster med Vi støtter likevel representantforslaget. Det haster med å gå systematisk til verks for å sikre denne landskapstypen. Noen kan nok synes at en særskilt formulering om «grøfterensk» er i overkant detaljert for parlamentet å befatte seg med, men vi ser også verdien av en slik presisering. Det ble for en del tiår siden – i god mening, men sikkert i mangel på kunnskap om konsekvensene – iverksatt en del iverksatt en del mislykket grøfting, som ikke medførte at det ble etablert produktiv skog, slik en sikkert ønsket. Det er viktig at disse områdene ikke åpnes for ytterligere og mer omfattende grøfting. Igjen: Vi har på bordet en sak som setter noen begrensninger for næringsvirksomhet. I et større bilde er skogbruk imidlertid også grunnleggende avhengig ikke bare av høybonitets produksjonsmark, men av mangfoldet i skogen, som myrene utgjør en særdeles viktig del av. Folkeparti legger føre-var-prinsippet til grunn, sammen med en grunnleggende respekt for sammenhengene i naturen. Dermed er det åpenbart for oss at vi støtter dette utmerkede representantforslaget, slik det framgår av komiteens tilråding. Som historisk interessert kan jeg ikke la være å henlede oppmerksomheten på at myra som naturtype også har en helt spesiell plass i Norges konstitusjonelle historie. historie. For å utdype det vil jeg gjerne sitere litt fra Wikipedia om myrmenn: «Myrmenn var et uttrykk som ble brukt om norske borgere som på 1880-tallet skaffet seg stemmerett ved å kjøpe verdiløs jord, gjerne myr. Praksisen har sin årsak i at Grunnloven fram til 1884 kun ga stemmerett til eiere av matrikulert jord. Det var Venstre som tok opp Marcus Thranes gamle idé om å kjøpe myrlapper til eiendomsløse. I lovverket fantes ingen krav hvor store disse myrlappene skulle være. Arbeidersamfunnslederen Andreas Hølaas fra Kristiania var en av dem som ledet arbeidet med å registrere myrmenn. Christian Holtermann Knudsen, en av pionerne i arbeiderbevegelsen, organiserte for samme sak egne stemmerettstog 17. mai. Denne gangen greide ikke jurister å hindre slike oppkjøp og valget ble en stor seier for Venstre i 1882.» 1882.» Slik sett, sett i en historisk og konstitusjonell sammenheng, er det jo både betimelig og forståelig at det er et knippe venstremenn som fremmer et forslag om vern av myr. Det siste var et interessant innlegg i debatten, og

myr er en viktig del av naturmangfoldet i Norge. Den inneholder mange ulike arter, og det er ingen tvil om at myras egenskaper forplikter oss til å forvalte den både langsiktig og kunnskapsbasert. Det betyr at noen ganger er vern et riktig virkemiddel, andre ganger er det det ikke. Det er behov for å beskytte viktige myrområder mot å bli bygd ned, dyrket opp og grøftet, men det er ikke bestandig riktig å gjøre det. Det er i det hele tatt en avveining hvordan man skal kunne vurdere de verdiene som myra rommer. Jeg har også lyst til å peke på at når det gjelder myr, så er det faktisk slik at dette er et av de områdene der vi har hatt gode og grundige verneprosesser tidligere. Det har vært ganske store myrareal i Norge som har vært vernet, men det er en utfordring i dag knyttet til både restaurering, skjøtsel og oppfølging av det som allerede er vernede områder. Så like viktig som å verne nye myrområder i framtida, er det å ha en skikkelig oppfølging av de myrarealene som allerede er vernet i landet vårt. I innstillingen framkommer det at Senterpartiet mener at lovverket i dag i utgangspunktet er tilstrekkelig når det gjelder bruk av myr til jord- og skogformål, og også når det gjelder myr som bidrag til lagring av klimagasser.

så lenge en god del av det dyrkearealet går ut av drift, kan man ikke hindre muligheten til å dyrke opp nye areal. Jeg synes også det er grunn til å påpeke at det i et klimaperspektiv er viktig å opprettholde en høy tilvekst i skogen og bruke skogressursene aktivt, og vedlikehold av grøfter er et viktig tiltak i den sammenhengen. Problemstillingene omkring vern, restaurering og skjøtsel av myr er viktig, og de bør behandles i de kommende stortingsmeldingene om naturmangfold, landbruk og skogbruk. For Senterpartiets del er det viktig at i relasjon til de kommende meldingene om landbruk og skogbruk. Det er nemlig ulike hensyn som må veies opp mot hverandre, og det er nettopp det stortingsmeldingene må drøfte. Senterpartiet kommer derfor ikke i dag til å støtte forslag om endring av nydyrkingsforskriften eller å forby grøfterensk, og vi vil understreke at det bør behandles i en bredere sammenheng. Som representanten Hansson var inne på, er vi

byrdene på de ulike områdene når det gjelder klimagassutslipp. Så har jeg helt til slutt lyst til å nevne spørsmålet om konsekvensutredning. Senterpartiet støtter forslaget om konsekvensutredning av torvuttak under 1 500 dekar, men jeg har lyst til å presisere at det da gjelder – slik det står i innstillingen – alle torvuttak «til større kommersiell virksomhet». virksomhet». Jeg vil understreke at fra Senterpartiets side er det en betingelse at det gjelder alle torvuttak til større kommersiell virksomhet. Det gjelder altså ikke alle torvuttak, og det er tydelig presisert i innstillingen. Og det er opp til regjeringen både å fastsette forskriften og også å tolke hvordan en ser på det med «større kommersiell virksomhet», for det er også en avveining som må gjøres når en fastsetter en forskrift knyttet til det. så er det sjølsagt fullt mulig, men jeg vil jo si det er synd hvis Fremskrittspartiet tolker det dit, for det er altså ikke det som står i innstillingen. Vi gir regjeringen og regjeringspartiene full mulighet til å tolke og til å utarbeide en forskrift, i samsvar med det som faktisk står i innstillingen, og som da avgrenser det mot mindre uttak til egen bruk, eller privat bruk.

Vi har lange linjer i Venstre, og vi har vært opptatt av verdien av myr gjennom godt over 100 år, faktisk i hele partiets historie. Det gjentar seg også i dag. Sånn sett er det betimelig, siden det var Venstre som gikk inn for at man skulle ha mulighet for oppkjøp av myr, at det også er Venstre som ser på konsekvensene av politikken gjennom godt over 100 år, for hvordan vi nå må justere for å ivareta myr bedre i Norge. Verdien av myra ligger der, og den er vi bevisst på. Ellers er jeg veldig glad for den positive grunntonen som er i alle partier for at det er behov for å ha en større bevissthet om myr og hvordan vi ivaretar den, og også for at det i løpet av prosessen med denne saken på Stortinget er mange som har lært mye. Myra har også fått oppmerksomhet ellers. Jeg vil spesielt berømme SABIMA for den oppmerksomheten som de har gitt omkring myr. Men så, for dette er viktig: Myr dekker ca. 8 pst. av landarealet i Norge. Myr er definert som et landområde med fuktighetskrevende vegetasjon som danner torv, og minst en tredjedel av det opprinnelige myrarealet under skoggrensen er brukt til landbruks- og utbyggingsformål i dag. I lavlandet i Sør-Norge er en vesentlig større andel av myrene brukt til andre formål, og og de er dermed ødelagt som naturlige systemer. I mange områder, f.eks. i Vestfold og i store deler av Akershus og Østfold, er så godt som alle større myrer som ikke er fredet, forsvunnet eller sterkt påvirket av tekniske inngrep. Dette er bakgrunnen for at vi fremmer disse forslagene, at det er behov for å se nærmere på hvordan vi bedre ivaretar myrområder i Norge, for som Rasmus Hansson påpekte, er det store verdier i norske myrer. De har vesentlig betydning for naturmangfoldet. Torvmoser ble nevnt spesielt. Av 55 arter som opptrer i Europa, er 52 i Norge. Myrene har et veldig rikt fugleliv, og rødlista inkluderer 443 truede og nær truede arter som har tilhold i våtmark og vannkant, noe som utgjør omkring 15 pst. av alle truede og nær truede arter i Norge. Ifølge Artsdatabanken er det i overkant av 20 naturtyper myr i Norge, og hele 11 av disse myrnaturtypene står på rødlista. naturtyper myr i Norge, og hele 11 av disse myrnaturtypene står på rødlista. Myr har selvfølgelig også en viktig betydning for vannrensning som vannmagasin og ved å dempe flom, som jo er viktig, ikke minst i en tid hvor vi også må passe på klimatilpasning. Endringer vil komme, og vi må også ha bevissthet om myras rolle for å avdempe de endringene. Men først og fremst binder myr mye karbon. Flere tall har vært nevnt tidligere i saken. karbon. Flere tall har vært nevnt tidligere i saken. Karbon tilsvarende 300 000 tonn CO2 kan være lagret i flere meter dyp torv på bare én kvadratkilometer. Boreale skoger og deres myrer er en av verdens største karbonlagre og må forvaltes deretter. For Venstre er det viktig at vi har den samme holdningen til å ivareta de karbonlagrene vi har i vår natur, som jo Norge er veldig god til å fremme internasjonalt, også ved å støtte opp under en større bevissthet om hvordan man bruker landskap for å ivareta de ulike karbonlagrene. Dette må vi også gjøre her i Norge. Så til de konkrete forslagene. Som det også ble påpekt fra Senterpartiet, er det her et flertall for å skjerpe inn de pålagte kravene om konsekvensutredninger. Ja, det er også sånn i dag at man kan ha konsekvensutredninger for torvuttak under 1 500 dekar, men her ønsker vi å ha en innskjerping for å ha et absolutt krav. Så er det stor åpenhet for regjeringen med hensyn til hvordan dette skal gjøres. Men det viktigste her er at vi får en helhetlig plan for myrforvaltningen i Norge. Fra Venstres side synes vi det er synd at vi ikke får et flertall for at den helheten skal ses i forbindelse med handlingsplanen for naturmangfold. Det er der det er naturlig å gjøre en særlig grundig vurdering av den norske myrforvaltningen, for å se på naturmangfold, på klima, på vern og restaurering og ikke minst altså på utfasing av torv. Ønsker Elvestuen å ta opp forslaget? Jeg skal selvfølgelig ta opp forslaget fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Da har representanten Ola Elvestuen tatt opp det forslaget han refererte til.

og renser vann. Betalingen får først de som eier myren, dersom de ødelegger økosystemene. Det er et mylder av ulike planter der, sopp, insekter og fugler på og ved myren. Noen bor i skogen, men flyr ut på myren og finner mat. Myren har fantastiske og fascinerende bakterier som spiser metan. Den har lynraske øyenstikkere, torvmosen har en helt spesiell struktur som lagrer og filtrerer vann. Dette er myren. Det som startet hele denne saken, var torvuttaket på Jødahlsmåsan i Akershus, og uttalelsen fra statssekretær Lars Andreas Lunde var typisk. Vi kan ikke gjøre noe for å stoppe dette, for vi har et regelverk som sier at dette er greit. Sånn snakker en byråkrat eller politiker uten ambisjoner. Denne saken føyer seg inn i rekken av saker der miljøvernministeren, nei unnskyld miljøministeren, overkjører de miljøfaglige rådene. Igjen snakker vi om et område der miljøministeren har ansvar, og der stortingsflertallet tvinger statsråden til å handle på miljøets vegne fordi statsråden selv sitter stille og initiativløs. La meg ta ett eksempel på dette: Miljødirektoratet sier i sin rapport, den som sier noe om hvor mye vi har igjen, og hvor mye som må gjøres for å nå Norges klimamål i 2020 – at vi bør la mer myr ligge, og at vi på det faktisk kan spare 40 000 tonn CO2i årlige utslipp. Likevel gjør miljøministeren ingenting for å sørge for at denne myren blir liggende. Men det gjør nå stortingsflertallet, og jeg synes stortingsflertallet er bra. Flere ting som har vært i den samme gaten, er Førdefjorden, som vi har diskutert tidligere, der man overkjører miljøfaglige råd, vi leste i Nationen i helgen at det åpnes for å ha skogsveier inn i noen områder, og at man skal få skattefritak også for det – da brukes det områder som ligger langt fra naturinngrep, og som det hadde vært bra og viktig å ta vare på. Landbruksministeren kommer stadig med forslag som skal forenkle det å ødelegge naturen. Det er helt i tråd med Fremskrittspartiets ideologi, men det står i grell kontrast til det Erna Solberg, statsministeren vår, sa før valget: Hun sa at den forrige regjeringen ikke gjorde nok for å ta vare på naturen, og lovet å gjøre mer. Vel, det er altså sånn at det løftet holder ikke statsministeren. Jeg er glad for at Venstre har tatt initiativ til å løfte denne saken, og jeg vil rose Venstre, som er Jeg vil også rose den jobben som har vært gjort av saksordføreren for å lede dette fram og klare å få til flertall, og jeg vil rose alle dem som har bidratt til å sørge for at vi får den innstrammingen og de kloke og fornuftige forslagene som nå tas opp. Jeg synes det er hyggelig å høre på Høyre når de snakker om myren, men jeg gremmer meg over at vi ikke får se den tilsvarende handlingen som det ville være logisk å følge opp de ordene med.

jeg mener at vi også må se dette spørsmålet i et annet viktig perspektiv – nemlig behovet for norsk matproduksjon. Alle de politiske partiene ønsker å øke norsk matproduksjon. Jeg var tidligere i vår på besøk i Vesterålen. Der fikk jeg kunnskap om at den eneste muligheten lokale bønder har til å dyrke nytt, er å dyrke myr. For strenge regler vil med andre ord frata enkelte bønder i Distrikts-Norge muligheten til å øke produksjonsgrunnlaget på gården sin. Klimaeffekter knyttet til forvaltning av myrarealer er komplekst. Man kan hevde at debatten om betydningen av myrforvaltningen i en klimasammenheng har kommet litt ut av proporsjoner. I representantforslaget og i innstillingen fokuseres det f.eks. mye på nydyrking. Faktum er at mer enn 99 pst. av de årlige klimagassutslippene fra jordbruksarealer kommer fra tidligere oppdyrkede arealer. Som det framgår i svarbrevet mitt til Stortinget, vil de berørte departementene behandle problemstillingene som er reist, først og fremst gjennom bebudede stortingsmeldinger. Når det gjelder konsekvensutredninger for torvuttak, reguleres dette i Fra 1. januar 2015 kom det reviderte forskrifter under loven, hvor det også stilles krav om konsekvensutredning for mindre torvskjæring dersom tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Jeg mener derfor utredningskravet for torvskjæring er godt ivaretatt i dagens regelverk. Et flertall i komiteen har til tross for dette gått inn for at det også skal stilles krav om konsekvensutredninger for alle torvuttak, ikke bare dem som er over 1 500 dekar. Jeg er veldig glad for signalene som kom fra representanten Arnstad, der hun presiserte at dette gjelder større kommersiell virksomhet. Det blir en utfordring sånn sett å definere det, og jeg hører at Regjeringen får fullmakter til å se på det. Jeg regner ikke med det fra Senterpartiets side er meningen å ramme bl.a. bønder som driver med meningen å ramme bl.a. bønder som driver med dette som tilleggsnæring, og som driver i det små. Spørsmålene om vern, økosystemtjenester, naturmangfoldverdier og klimaeffekter m.m. knyttet til myr og våtmarker vil bli tatt tak i under arbeidet med meldingen om handlingsplan for naturmangfold, som ledes av Jeg vil for øvrig si meg enig med komiteen i at en bør tenke nytt omkring bruk av torv i jordprodukter. Her finnes det sikkert mulighet for å utvikle gode og mer miljøvennlige alternativ til torv. Men jeg vil også støtte komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet i at en må sikre at en ikke ender opp med å importere produkter som har et høyere karbonavtrykk. Videre ber et flertall i komiteen om en snarlig revidering av bærekraftforskriften til skogloven, slik at grøfterensk kun tillates på arealer der produktiv skog er etablert, og at grøfterensk ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier. I tidligere tider ble myrer og våtmarksområder grøftet for å få til skogproduksjon – dette er ikke lenger tillatt. Ordet «grøfterensk» betyr rett og slett å åpne opp igjen grøftesystemer som har grodd igjen eller seget sammen. En skogeier vil neppe bruke penger på å renske opp grøfter i områder der det ikke har kommet opp skog. Regjeringen vil selvfølgelig følge opp det forslaget som et flertall i Stortinget stiller seg bak. Og jeg er glad for at et flertall ønsker at problemstillingen som tas opp i dette forslaget, i det alt vesentlige skal tas i sammenheng med de bebudede stortingsmeldingene om naturmangfold, landbruk og skog, for her er det flere hensyn som skal

i den nydyrkingsforskriften som skal gjelde.

dersom menneskene setter i verk tiltak for det. Er statsråden enig i et slikt forsøk på faglig begrunnelse? Dette er spørsmål vi skal komme rikt tilbake til i forskjellige stortingsmeldinger, der vi bl.a. skal se på restaurering av myr. Det som er helt sikkert, er at en del av den jorda som vi har i Norge og dyrker på og bruker til landbruksproduksjon, er viktig for oss også å ivareta framover. Det er etter det jeg kjenner til, rundt 500 000 dekar som er dyrket opp fra myr, og som i dag er en del av produksjonsgrunnlaget til norske bønder. Dette er selvfølgelig viktig også framover. Det henger sammen med at vi er et land der 3 pst. av arealet er dyrket, og som brukes til matproduksjon. Per innbygger ligger vi forholdsvis godt an, men når jeg ser summen 3 pst. av landets areal, er det forholdsvis beskjedent. Det er viktig også videre at vi sikrer de arealene som er nødvendige i produksjonen av norsk mat. Som flere har vært inne på, er myr et resultat av mange hundre års – ja, sikkert tusen års – aktivitet ut fra spesielle geologiske og klimatiske forhold. Det er da litt spesielt om en mener at sånne arealer, som har vært grunnleggende endret gjennom stor påvirkning av mennesker gjennom stor påvirkning av mennesker – gjennom grøfting og gjennom gjødsling og det hele – kan settes tilbake til en tilstand som var resultatet av hundre år. Hvor er det vitenskapelige grunnlaget for slike forestillinger, som er kommet fram i salen her i dag? Det må de nesten svare på, de som har tatt det fram. Det jeg er opptatt av, er å gå grundig inn i disse problemstillingene når vi skal lage stortingsmeldingene på landbruksområdet, der vi nettopp skal se nærmere på muligheten for å restaurere myr – om det er noe vi ønsker å gjøre, og om det er mulig sett fra et faglig standpunkt. Men det er jeg ikke beredt til å svare på her og nå i dag. Det skal vi bruke noe tid på å gå igjennom.

statsrådens helhet er det viktig å ha med seg også to andre departementer, og det er jo resultatet av utredningen som til slutt vil få betydning. Da blir spørsmålet: Er statsråden enig i at det er behov for å få et regelverk som gjør at vi så nært som mulig får en stopp i tap av myrområder i Norge i

og derfor mener jeg at man må avveie ulike hensyn i de ulike sakene. Mange steder vil det være det riktige å gjøre. Politikk handler om å avveie ulike hensyn. Vi ønsker i denne salen økt matproduksjon. Vi ønsker også å ta vare på myr. Da mener jeg det å finne en god balansegang er det
Å avveie de ulike hensyn kan jo også i sterk grad høres ut som om man fortsetter med de samme avveiningene som man har i dag, mens det denne debatten i dag jo har vist, er at det er et bredt flertall for at man trenger større oppmerksomhet omkring myr og forvaltningen av myr. Man trenger også å se på myra med tanke på biologisk mangfold, men også det som er i et klimaperspektiv, som vi jo presiserer også internasjonalt, hvor vi jobber mye med de samme

Det er heller ikke sånn at jeg har konkludert på de punktene som gjelder dette. Det er også noe som partiene i regjering selvfølgelig skal få anledning til å drøfte. Men jeg mener det er et sunt prinsipp at man alltid må huske på at det er flere hensyn å ivareta. ivareta. Det er det også i denne saken. Vi har ulike mål. Av og til møter vi oss selv litt i døra, fordi det ene målet kan gjøre det vanskeligere å nå det andre målet. Sånn sett er det avveininger som hele tiden må tas. Men jeg skal love representanten Elvestuen å komme tilbake til disse spørsmålene i de bebudede stortingsmeldingene, og så får vi ta diskusjonen videre

Det må ses opp mot den diskusjonen vi samtidig har, hvor mange argumenterer sterkt for å ta skogreising inn som et utslippshindrende tiltak i det norske klimaregnskapet. Hvis man tenker å ta med skog i regnskapet, men ikke ta med myr i regnskapet, begår man en dypt kunnskapsløs feil. Og spørsmålet til landbruksministeren er: Kan hun bekrefte at man også vil ta med karbonregnskapet for myr og forvaltning av myr i vurderingen av det helhetlige norske karbonregnskapet? Dette er spørsmål som vil bli berørt i de stortingsmeldingene som vi vil komme tilbake til. Det vi vet, er at når det gjelder jordbruksareal, står de for nesten 4 pst. av de totale norske Nydyrking bidrar med mindre enn 1 pst. av dette. Vi vet også at skogen i Norge binder ca. 60 pst. av de utslippene som vi har i vårt samfunn. Så skogen er viktig. Det er selvfølgelig også utslipp fra myr. Det er ting som vi må avveie og komme tilbake til i de stortingsmeldingene som vi har

Asbjørnsens myrsystem ble fulgt opp og endret, som av Aasulv Løddesøl i 1948, Myrene i næringslivets tjeneste. I dag er ennå en stor del av grasmyrene en viktig ressurs gjennom utmarksbeite. Det er en lang og stolt historie om bruk av myr. Vi fikk Det norske myrselskap, som ble stiftet 11. desember 1902, og som hadde som formål «tilgodegjørelse av landets myrer». Ny Jord

gikk i 1966 inn for å få utarbeidet en landsplan for myrreservater i Norge. I den forbindelse skisserte formannen i rådet, professor Olav Gjærevoll, en målsetting for landsplanen: «Myrene utgjør overalt en viktig del av det norske landskapet. Myrvegetasjonens sammensetning varierer atskillig etter høyde over havet, geografisk beliggenhet og geologisk underlag. En landsplan for myrreservater må derfor ta sikte på fange inn så mange myrtyper som mulig over det hele

Selvfølgelig kan det være behov for noen suppleringer, særlig gjelder dette lavlands-rikmyrer, men det er langt viktigere å prioritere andre naturtyper som ikke har blitt vernet på tilsvarende måte. Vern etter naturmangfoldloven skal være strengt og ha et klart formål. Dette skal være faglig basert vern – bygd på vitenskapelige prinsipper – og styrt etter strenge kriterier og prioriteringer. Å opprette verneområder er i prinsippet å ta arealer ut av produksjon. Disse områdene skal være juvelene i norsk natur. Derfor skal vi ikke verne mer enn vi klarer å ta hånd om. Riksrevisjonen kom i 2006 med rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. Det som kom fram der, var: «Riksrevisjonen kan ikke se at denne ambisjonen er oppnådd for myndighetenes arbeid på de to reviderte områdene.» Derfor er konklusjonen: Det er mer formålstjenlig å gjennomføre de påpekninger Riksrevisjonens rapport viste til, enn å starte en ny verneplan for myr. Det er også situasjonen i dag.

Men så handler dette både om klimatilpasning og om klimatiltak for å unngå økte utslipp av karbon, og det er store tall det er snakk om. Det ble nevnt tidligere av representanten Eidsvoll Holmås spesielt et forslag vi har her om Jødahlsmåsan, som vi dessverre ikke får flertall for at vi stopper uttaket av. I Jødahlsmåsan er det lagret 293 000 tonn

av denne typen uttak i årene framover. Nettopp bruk av virkemiddelet konsekvensutredning vil være med på å få fram alle konsekvensene, slik at dette ikke skjer på denne måten i framtiden. Så dette handler om å stramme inn også. Dette er et område hvor vi mener det er nødvendig ikke bare å følge en forenkling. Man trenger å ha en saksbehandling som gjør at alle elementer er med, også klimaeffekten av uttakene. Og så er det riktig at det som ligger fra flertallet i komiteen, er en innstramming. Det er ikke alle uttak som ligger i forslaget. Det er en innstramming, som det nå blir regjeringens ansvar å gjennomføre. Ellers har jeg under debatten blitt enda mer overbevist om at det ville være riktig at helheten i dette ble sett på av klima- og miljøministeren gjennom handlingsplanen for naturmangfold. Jeg må si at jeg er ikke beroliget av kommentarene fra landbruksministeren, for dette handler om at man til tross for debatten ikke ser en retning hvor man trenger en innstramming, men man gjør de samme avveiningene som har ligget til grunn tidligere. Det kommer ikke til å være nok for å ivareta myrene i

Myrene har i norsk sammenheng hovedsakelig blitt behandlet som en ressurs som man kan bruke til forskjellige ting, og som har hatt veldig lav verdi – om noen – betraktet som naturverdi, som økosystemverdi og, framfor alt, som klimaverdi. Det er derfor helt nødvendig, som representanten Elvestuen og flere andre har påpekt, at vi nå får løftet forvaltningen av myrer opp i et helhetlig perspektiv, hvor vi ser disse verdiene sammen, og hvor vi altså ikke minst tar inn over oss den klimaverdien som disse myrene har. Derfor er det på basis av det opplagte kunnskapsgrunnlaget som finnes, ganske forstemmende å høre en landbruksminister som ikke kan svare klart på hvorvidt man vil ta myrene, som altså er de største karbonlagrene, ved siden av skog, i norsk fastlandsnatur, inn i det norske klimaregnskapet. For gjør man ikke det, blir hele diskusjonen om et norsk klimaregnskap, hvor man ser på de naturlige prosessene, helt meningsløs. Og det burde ikke være noe problem for regjeringen å kunne bekrefte det nå – særlig ikke en regjering som smykker seg med «kunnskapsbasert» som et

At det ikke er behov for det, har jeg lyst til å illustrere med et lite poeng: Aurstadmåsan, som er nevnt i forslaget, er et naturreservat som ble opprettet så tidlig som i 1981. I Asbjørn Moens rapport fra 1976 står det følgende: «Det nordlige element av Aurstadmosan og det nordlige av Grenimosan synes i dag å representere de fineste gjenværende konsentriske høgmyrer i Norge. Norge. Aurstadmosan er noe påvirka av nevnte grøft, men til tross for dette å være mest verneverdig. Dette pga. den fine utforming.» Restaureringen av denne myra startet først i 2015, 34 år senere, på oppdrag av Klima- og miljødepartementet – som ønsker restaurering av myr, slik at det både blir et godt klimatiltak og gir bedring i økologisk status for lokalitetene som restaureres. Her ser vi behovet for å gjøre jobben for det som allerede er naturreservater. I innstillinga står det: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, mener videre at dyrket myr med tykt torvlag som fortsatt kan dyrkes i lang tid fremover, bør vurderes restaurert tilbake til myr når jorda har behov for ny grøfting.» Dette forslaget ville fått dramatiske konsekvenser om det hadde blitt vedtatt. Hvem tror at det er mulig å restaurere ei myr som har vært fulldyrket, tilbake til et fungerende økosystem? Myr defineres som et landområde med torv og vegetasjon av fuktighetskrevende og/eller fuktighetstolererende planter som gjennom ufullstendig nedbryting danner og akkumulerer ny torv. Man kan alltid diskutere om det var riktig å gjøre om alle disse myrområdene til fulldyrket mark i sin tid, og flere av de mest verneverdige og representative myrtypene ble tapt på men når myrområdene er omgjort til fulldyrket mark, er det for sent. Frostadheia på Smøla er et bureisersamfunn med 36 bureisingsbruk anlagt i tidsrommet 1930–1983. Her ligger 42 pst. av den fulldyrkede jorda i Smøla kommune. Det er brukt på en god måte. Det ble etablert et murmuseum i 1995, med daværende ordfører Iver Nordseth fra Venstre i spissen. Jeg hadde håpet at Nordseth kunne oppleve denne debatten og komme med sine forslag til det som skjer. Forskriftene omkring dette er i dag fullgode. Det som er viktig, er at vi får et vern basert på vitenskapelig grunnlag og igjen en respekt for fotosyntesen, for en aktiv fotosyntese er det som fanger CO2, og det bør snart representantene for flertallspartiene ta inn over seg.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

og jeg skal jammen meg ta med meg min datter for å vise henne lokket over Oslo, for på tross av at det er i Bergen oppmerksomheten rundt lokket over byen er størst, er det i Oslo at helseeffektene er de største. Svevestøv er et stort problem. Lokal luftforurensning av svevestøv og NOx, som er nitrogenoksider, er helseskadelig. Giftig byluft kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Særlig sårbare grupper er barn, diabetikere, overvektige samt mennesker med dårlig råd. Folk med allergi, astma og luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere I en stor europeisk studie finner en sammenheng mellom lungebetennelse hos barn og langvarig luftforurensning. En finner også sammenheng mellom luftforurensning og lav fødselsvekt hos barn. Miljødirektoratet anslår at omtrent 1 500 mennesker dør hvert år i Norge på grunn av luftforurensning. Det er langt flere mennesker som påføres ekstra helseplager. Kort oppsummert går det an å si: Folk blir syke av luftforurensning, syke blir sykere, og de som er sykest, dør av luftforurensning. Utslippene som kommer fra nitrogenoksider, kommer særlig fra dieselbiler. Tunge, særlig eldre, kjøretøy er store utslippskilder. Utslipp fra båter i havner bidrar også, og utslipp av svevestøv kommer særlig fra slitasje på vei på grunn av piggdekk og fra vedfyring i gamle ovner. Noen steder er utslipp fra industri et problem. Det finnes ingen trygg nedre grense for svevestøv, og helsemyndighetene har derfor anbefalt at grensene skjerpes inn. Jeg er glad for at framsettelsen av dette forslaget fra Miljøpartiet De Grønne og det arbeidet som vi har gjort i komiteen, har ført til to positive ting. I utgangspunktet kom de nye luftkvalitetskriteriene, altså kriterier for hva som er trygg luft, etter anbefalinger i en rapport som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet på bakgrunn av et arbeid som den rød-grønne regjeringen satte i gang.

Det vitner ikke om en miljøminister som tar dette på alvor. Jeg er glad for at det kommer en innstramming fra og med 2016. Den skulle ha kommet i 2015, men den kommer fra 2016, og det er en bra ting som dette forslaget og komiteens behandling har ført til. Det andre som er bra, er at det fremmes et flertallsforslag som sier veldig klart og tydelig:

Det er riktignok imot regjeringspartienes stemmer. Jeg mener at det er uforståelig i den situasjonen vi er i, der Miljødirektoratet har anbefalt nye nasjonale mål som vi skal gå etter, og som de anbefaler bør brukes, at miljøministeren sier at dette kommer de ikke til å følge opp i de nye kravene og forskriftene som ligger der, og det betyr at man isteden beholder gamle mål fra 1999. Jeg gleder meg til debatten og gleder meg til å høre statsrådens begrunnelse for passivitet. Først takk til Heikki Eidsvoll Holmås for det

Men også her i Norge er luftkvalitet et stort folkehelseproblem. Det har vært mye oppmerksomhet rundt de aller verste dagene, dager hvor vi vet at det er grupper som blir advart mot å gå ut, men det aller farligste er langtidsvirkningene – det som gjør at den luften vi puster inn hver eneste dag, gjør at vi får helseproblemer. Spesielt alvorlig er det jo at det er de gruppene som virkelig trenger fellesskapets beskyttelse – barn og folk med helseplager – som blir rammet, og vi vet i tillegg at det er sånn at de områdene som rammes hardest, er de områdene hvor det bor aller flest folk.

Her har Stortinget i denne perioden vist en stor utålmodighet. Det har vært flere initiativ. Men felles for dem alle er at de har vært fremmet av opposisjonen, og flertallet i en del av sakene har vært mot Høyres og Fremskrittspartiets stemmer. Det er påfallende hvor handlingslammet regjeringspartiene har vært, og at vi knapt kan se et eneste initiativ innen dette viktige miljø- og helsespørsmålet. Den forrige regjeringen satte i gang et arbeid for å se på om verdiene av svevestøv var lave nok, og hva vi eventuelt kunne gjøre for å få lavere nivåer. Den 28. februar 2014 kom rapporten. Det var en entydig rapport, hvor Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslo nye grenseverdier, den første med kraft allerede fra i år – så vi er allerede på etterskudd – og så med nye verdier igjen fra 2018. Denne rapporten har blitt liggende på ministerens skrivebord i over ett år, uten at det har vært handlet. Det er for meg en gåte hvorfor ingenting har skjedd med så entydige faglige råd. Derfor var det bra at Miljøpartiet De Grønne tok denne saken til Stortinget – når regjeringen ikke ville handle, ville man få det vedtatt av opposisjonen. Derfor er det bra at ministeren i brev til komiteen skrev at hun nå ville nedjustere grenseverdiene i tråd med anbefalingens trinn 1, og det er vel grunn til å tro at denne avgjørelsen kommer nå nettopp fordi det ligger et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne her som ser ut til å sanke stor støtte. Så Miljøpartiet De Grønne fortjener all mulig ros for å ha fremmet denne saken og dermed fått regjeringspartiene til å handle. Men regjeringspartiene har bare valgt å gå inn for den første nedjusteringen og ikke fulgt anbefalingen fullt ut. Arbeiderpartiet mener at vi allerede nå bør fastsette hvor vi skal – både på grunn av den historien denne saken har fått, og den handlingslammelsen regjeringen har vist – for skal vi nedjustere om bare to år,

Men om vi ikke får staket ut kursen hele veien i dag, er det blitt et flertall med alle partier, bortsett fra Høyre og Fremskrittspartiet, som ber om en egen sak for å få fram alle de tiltakene som må iverksettes for å gi befolkningen en god luft å puste i. Bakgrunnen for representantforslaget vi skal behandle i dag, er rapporten Grenseverdier og nasjonale mål, som ble lagt fram av Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i februar 2014. I Norge har vi i dag tre styringsmål for lokal luftkvalitet. For det første har vi de juridisk bindende grenseverdiene som samsvarer med EUs luftkvalitetsdirektiv, og som er bakgrunnen for at Norge er stevnet inn for EFTA-domstolen. For det andre har vi nasjonale mål som er knyttet til helse og miljø, for svevestøv og NO2. Disse er strengere enn grenseverdiene og angir et nasjonalt ambisjonsnivå. Og til slutt har vi luftkvalitetskriterier, basert på kunnskap om helseeffekter, som er satt slik at det ikke skal kunne virke negativt på helse, og som da igjen er strengere enn de nasjonale målene. Det er ingen tvil om at luftforurensning påvirker folks helse på en negativ måte. Selv husker jeg godt fra min ungdom bildene fra Tokyo, der innbyggerne gikk rundt med munnbind – en helt utenkelig tanke – og jeg var den gangen svært glad for at jeg bodde i rene Norge. Nå viser rapporter og forskning at vi også berøres av forurensning i større grad enn tidligere antatt, og at vi alle har et felles ansvar for å gjøre noe med det. Forurenset byluft kan gi mange plager, og det er særlig utsatte og sårbare grupper som rammes hardest. Her snakker vi om folk med allergi, astma, luftveis- og hjertelidelser, og det rammer bl.a. barn, diabetikere og overvektige. Jeg ble derfor svært fornøyd da regjeringen varslet at den i løpet av kort tid ville sende på høring forslag om å innføre nye grenseverdier for svevestøv fra og med 1. januar 2016. De nye grenseverdiene vil være i tråd med anbefalingene nettopp i tidligere nevnte rapport, som igjen baserte seg på en rapport fra 2013 I tillegg har regjeringen satt i gang flere prosesser for å bidra til at kommunene skal kunne gjøre enda mer enn i dag for å bedre luftkvaliteten i byene. Det er igangsatt lovarbeid for både å gi kommunene hjemmel til etablering av lavutslippssoner og å gi et rettslig grunnlag for å kunne stille krav til drosjenæringen om lav- eller nullutslippsteknologi. Man ser på videreutvikling av et felles trafikantbetalingssystem og på å kunne legge teknisk og juridisk til rette for miljødifferensiering gjennom AutoPASS-systemet, og man vil vurdere om det kan tilrettelegges for gratis kollektivtrafikk på dager med høy lokal luftforurensning Regjeringen legger med andre ord ned et betydelig arbeid på dette området, noe som fortløpende vil gi kommunene flere verktøy. Kommunene og anleggseierne trenger veiledning og bistand for å bedre den lokale luftkvaliteten og for at varslede virkemidler kan tas i bruk. Svært mange av de forslagene som det nå arbeides med, er kommet i tett og godt samarbeid mellom regjeringen og våre to samarbeidspartier, Kristelig Folkeparti og Venstre. Videre har klima- og miljøministeren også varslet at grenseverdiene for svevestøv gjeldende fra 2020 skal vurderes basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag for 2018, helt i tråd med de anbefalingene rapporten Grenseverdier og nasjonale mål setter. Jeg registrerer at flere partier, sammen med Venstre, ønsker å fastsette disse målene allerede i dag med dagens kunnskap og så i tillegg vente på oppdatert kunnskap i 2018. Høyre er et kunnskapsparti, og jeg finner det litt vanskelig å forstå poenget med akkurat det. Så lenge vi snakker om grenseverdier som skal gjelde om fem år, ville det vel være en fordel med best mulig kunnskap når de blir endelig satt. Da blir det lett symbolpolitikk å sette midlertidige grenseverdier i dag som skal erstattes av nye, kunnskapsbaserte verdier om tre år, og som skal tre i kraft om fem år. Til slutt noen ord om et forslag til vedtak der Stortinget ber regjeringen komme tilbake med tiltak for å redusere svevestøv og annen luftforurensning til nye grenseverdier, som trolig vil få flertall i salen i dag. Jeg har tidligere listet opp mange av de tiltakene som allerede er igangsatt av regjeringen i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti, og vi i Høyre er godt fornøyd med det arbeidet som nå gjøres på luftforurensningsområdet. Det er viktig å minne om at det er kommunene som er forurensningsmyndighet, og som skal sørge for tiltak, slik

og nasjonale mål, utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og ikke minst Folkehelseinstituttet. Regjeringen har allerede på under to år kommet mye lenger i dette arbeidet enn hva den forrige regjeringen presterte over åtte år, og da med SV som ledende av departement og Miljødirektorat. Jeg skjønner at dette plager representanten Holmås, men det er et faktum at det forholder seg slik. Det er heller ikke slik at sykdommer og dødsfall relatert til svevestøv oppsto i 2013. Både sykdom og dødsfall var akkurat i like stor grad til stede fra 2005 til 2013. Vi vet også hvilken regjering som gikk ut og anbefalte det norske folk å kjøpe dieselbiler. Det var ikke denne regjeringen − det var den forrige. Det bør representanten Holmås ta med seg. Det er avgjørende at kommunene får tilstrekkelig handlingsrom i dette arbeidet. Det er også avgjørende at kommunene har hjemmel til å etablere lavutslippssoner som et av mange andre tiltak som i sum vil gi lavere utslipp av svevestøv. Det er et paradoks at byer som Bergen og Oslo, som har vært styrt av de blå over lang, lang tid, vil få langt mindre utfordringer med å tilpasse seg de nye kravene som kommer, enn f.eks. Trondheim, som har vært styrt av de rød-grønne over lang, lang tid. Det virker nærmest som om de som roper høyest, har mye dårlig samvittighet med seg i bagasjen. Man kan jo bare undres over

planlegger og gjennomfører endringer som eksponerer befolkningen for langt mindre svevestøv enn hva som blir gjort i dag. Man skal ikke gå langt for å finne barnehage etter barnehage og barneskole etter barneskole som de nærmeste naboene til de tyngst trafikkerte veiene i de sentrale områdene. Jeg vet at dette er en utfordring, og jeg vet at dette vil bety store kostnader, men det er slik at skal vi lykkes, er det totaliteten av de ulike tiltakene som vil bli avgjørende for at vi får ned svevestøvet, og at vi får en befolkning som ikke blir eksponert i den grad som man blir i dag. Da må både stat og kommuner og byer vært med og delta aktivt.
da er det

I februar 2014 sendte Miljødirektoratet en anbefaling om vesentlige innstramminger i grenseverdiene og nasjonale mål for svevestøv i norske kommuner. Så har månedene gått, og det var betimelig å trykke på regjeringen i denne saken. For Kristelig Folkepartis del har vi imidlertid valgt å være tilfreds med at denne saken nå har blitt gira opp fra klima- og Vi er tilfreds med den framdriften som hun har skissert i sitt brev til komiteen av 22. mai. Det var på tide, og det var for sent, men det var prisverdig at det kom, om enn etter påtrykk. På den bakgrunnen, og slik det framgår av de merknadene vi er en del av, aksepterer vi den framdriften som statsråden har lagt opp til. Vi synes imidlertid at det er vesentlig at Stortinget fortsatt holder trykket i og støtter komiteens tilråding til III, der en ber om å få en sak til Stortinget om dette. Det blir særlig understreket at samarbeid med kommunene er viktig. For at vi skal få bukt med dette helseproblemet, må kommunene trekkes aktivt med, både i planleggingen og i tiltakene. Vi har tiltro til at regjeringen finner en hensiktsmessig måte å ivareta

år. Andre talere, og ikke minst saksordføreren, har vært inne på hvilke typer problemer dette gir, helsemessig og miljømessig. Jeg opplever at alle i salen, egentlig, er opptatt av problemstillingen. Spørsmålet er hvor vegen videre skal gå. Hvor raskt skal en komme i gang med å fastsette de nye grenseverdiene, som er faglig anbefalt? Og i hvilken grad skal en være nødt til å legge fram en handlingsplan og en sak for Stortinget? Senterpartiet er en del av det flertallet som ønsker at vi skal få på plass skjerpede grenseverdier allerede nå, og som mener at det ikke er nødvendig å vente til 2018. Det er ikke noen motsetning mellom det å få en oppdatering av kunnskap i 2018 og det å fastsette grenseverdier nå. Det er sjølsagt fullt mulig enten å kunne skjerpe grenseverdiene ytterligere i 2018 eller justere dem i tråd med det kunnskapsgrunnlaget en da får. I tråd med merknadene står Senterpartiet

det er et ønske om at vi skal fortette i de sentrale delene av byene, og at man skal ha en variert befolkning, med flere barnefamilier i de sentrale delene – har vi et ansvar både lokalt og nasjonalt for å sørge for at man har en forurensningssituasjon som ikke er helseskadelig. Her må det gjøres et betydelig arbeid, og det må gjøres nå. nå. Så er det riktig, som påpekt tidligere, at det ikke finnes noen nedre grense som kan anses å være trygg, helsemessig. Likevel må vi ha mål. Man må ha grenseverdier som gjør at vi reduserer risikoen og får ned forurensningen. Derfor er vi i Venstre glad for at statsråden nå har tatt et initiativ, slik at man får senket grenseverdiene fra og med 2016. Men vi ser ingen motsetning mellom det og det vi gjør i denne saken, å legge fram forslag til vedtak om innstramminger fram mot 2020, i tråd med det som er anbefalt av Miljødirektoratet, i samarbeid med andre. Vi ser heller ikke noe problem med at man har denne målsettingen samtidig som man gjør en egen faglig vurdering i 2018. Alle disse vurderingene må gjøres ut fra den tilgjengelige kunnskapen man til enhver tid har. Det som er viktig med å sette seg målene, har sammenheng med forslag til vedtak III, som det i hvert fall for Venstre er viktigst at vi får et flertall for i dag, nemlig at regjeringen får et pålegg om å legge fram en sak, at vi får en handlingsplan der staten tar et selvstendig ansvar for å gjennomføre tiltak for å redusere forurensningen, i samarbeid med kommunene. Det er dette som er nødvendig for å nå målene vi har.

nullutslippskrav eller miljøkrav i drosjenæringen. Det er bra. Man ser også på muligheten til å gi større fleksibilitet for å stramme inn – eller bruke bomringen for å fremme miljøvennlig atferd. Det som er helt klart, er at summen av tiltakene ikke er nok for å nå målene, verken med de grenseverdiene som vi setter nå, eller med dem som må være der i framtiden. Det må langt kraftigere virkemidler til. Når det gjelder akutt forurensning, er man nødt til å se på både omkjøringsveier for tungtransporten og forbud mot dieselkjøretøy for å ta unna de mest forurensede dagene. Hvis dette skal unngås, må den generelle luftforurensningen fra tungtransport og dieselkjøretøy dramatisk ned. Denne endringen klarer ikke kommunene å gjøre selv. Med erfaring fra Oslo – både som byråd og som kommunestyrerepresentant i over ti år – har jeg sett en by som har vært veldig aktiv for å redusere sin egen lokale luftforurensning. Det er særlig for svevestøv man har hatt virkemidler, men også for å få ned de langsiktige klimagassutslippene og den effekten det har for å få ned lokal forurensning. Men dette klarer ikke kommunene selv, heller ikke med de ekstra virkemidlene som de får fra staten, hvis man ikke har en stat som jobber like systematisk med hele sitt virkemiddelapparat, enten det er skatter eller avgifter, med hele sitt system for hvordan man kan bruke den statlige aktiviteten – det ansvaret man her har – i samarbeid med kommunene. Endelig: Med dette forslaget til vedtak får vi helt klart klarlagt at staten har et ansvar, og at man må jobbe sammen med kommunene for å få en handlingsplan som har en styrke som står i forhold til målene man skal oppnå, og at det ikke bare blir en samling med ytterligere tiltak som ikke i seg selv vil være nok til å nå målene. Dette forslaget legger grunnlaget for at vi endelig kan fatte vedtak som gjør at vi innen 2020, innen disse målsettingene er nådd, faktisk kan gjøre noe grunnleggende for å bedre luftforurensningen i de store byene i
Først takk til saksordfører Heikki Eidsvoll Holmås for et veldig godt arbeid med denne saken, som har ført den fram til to gode resultater – både reduserte grenseverdier for svevestøv i byene allerede fra 2016 og altså en henstilling til regjeringen om å komme tilbake med forslag om ytterligere senkede grenseverdier. Jeg vil også benytte anledningen til å rose statsråden for å ha svart på utfordringen og fulgt opp i hvert fall den ene delen av forslaget, slik at vi får senkede grenseverdier for svevestøv allerede fra 1. januar 2016. Det betyr at folk som bor i de store byene, i mindre grad behøver å frykte en ny vinter hvor luftforurensning ødelegger helse, tvinger barn til å holde seg inne og til og med fører til dødsfall, altså at folk i byene kan se fram mot en bedre livskvalitet, som ikke ødelegges av forurensning. Denne saken er jo også et veldig hyggelig eksempel på hvordan tyngden av forskning og tyngden av kunnskap, når den blir brukt politisk, gir framskritt for folk i hverdagen. Vi i Miljøpartiet De Grønne er selvfølgelig veldig fornøyd med at vårt forslag får dette resultatet, et forslag som ble fremmet av min vararepresentant Une Bastholm i hennes mer eller mindre debut som forslagsfremmer, så det var en usedvanlig god start! Dette er en god dag for folk som plages av dårlig luft i norske byer, men det er også en god dag for det å bruke til å fremme utvikling, for det er få ting som er så gammeldags og tragisk som å tro at det å bremse miljøtiltak er framskrittsvennlig. Og jeg må si jeg er ganske forskrekket over i hvilken grad den nåværende regjeringen gjør akkurat dette – ser det som god politikk å gjøre det lettere å gjøre inngrep i natur, ser det som god politikk å åpne eksisterende verneområder for inngrep, ser det som god politikk å slippe løs motorisert ferdsel i natur, og altså ser det som god politikk å bremse på helt opplagte og faglig anbefalte grenseverdier for forurensning som skader folks helse. Forholdet er jo det stikk motsatte: Det er ved å ta i bruk kunnskap og ta i bruk nye tiltak at man fremmer ikke bare livskvalitet og miljø og leverer på sine egne miljøløfter, men det er også på den måten man legger til rette for at – i dette tilfellet – byene kan ta i bruk de virkemidlene som både oppfyller luftkvalitetskrav og fremmer et bedre bymiljø, en bedre byplanlegging og bedre teknologi på alle mulige andre områder. Det er dette som er vår mulighet her i Stortinget til ved relativt enkle grep å legge rammene for noe som bypolitikerne kan bruke til store framskritt på mange områder. Det er slik man må forstå denne typen kunnskap og denne typen tiltak som vi diskuterer i dag. Og dette er jo også et eksempel på noe som vil føre til at vi vil måtte sette enda større spørsmålstegn ved forestillingen om at byer skal baseres på biler, enda større spørsmålstegn ved forestillingen om at byer skal være asfaltørkener og ikke grønne lunger, og enda større spørsmålstegn ved forestillingen om at gammeldagse former for teknologi skal overleve bare fordi vi er vant til dem. Men vi er glad for den støtten som et stort mindretall på Stortinget også gir for å endre grenseverdiene i 2020, og vi forventer nå at med det politiske signalet – som er så sterkt og tydelig – og de antydningene, i hvert fall, som kommer fra regjeringen, så får vi også i regjeringens varslede gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for 2018 faktisk senket grenseverdiene til trygge nivåer i 2020. Og får vi det, så legger vi altså opp til en politikk hvor vi forholder oss, på forskudd, til forventet forskning og dermed kan drive politikken framover, istedenfor å bremse framdriften. Det er

vel dokumentert at dårlig luftkvalitet i byene gir negative helsekonsekvenser for mennesker som bor og oppholder seg der. Sykdommer både utløses og forverres. Særlig gjelder dette luftveis- og hjerte- og karlidelser, men studier viser at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og sykdommer som diabetes. Til tross for at luftkvaliteten i Norge generelt har bedret seg de siste tiårene, har flere norske byer fortsatt overskridelser av gjeldende grenseverdier for luftkvalitet, særlig gjelder dette for nivåene av NO2. Som representanten viser til, er dette en problemstilling som også ESA er opptatt av, og på bakgrunn av tidligere års overskridelser av grenseverdiene er Norge stevnet inn for EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet. For ytterligere å styrke arbeidet med å bedre den lokale luftkvaliteten og bidra til å beskytte folks helse ga Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sine respektive direktorater og institutter i oppdrag å vurdere behovet for å skjerpe inn grenseverdiene for lokal luftkvalitet ytterligere i 2011. En slik innskjerping vil også virke som en stimulans for kommuner og anleggseiere i deres arbeid med å redusere utslippene. Som svar på oppdraget anbefalte som kjent direktoratene i februar i fjor å stramme inn grenseverdiene for svevestøv i forurensningsforskriften. På bakgrunn av disse anbefalingene har regjeringen nylig besluttet å skjerpe inn grenseverdiene for svevestøv fra Det er også besluttet at en ytterligere innskjerping skal vurderes fra 2020, basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal utarbeides i 2018. En slik gradvis innskjerping av grenseverdiene gir kommunene et tydelig signal om at prosessen med å skjerpe inn grenseverdiene vil fortsette også etter 2016, og samtidig en mulighet for å ta høyde for både ny kunnskap og teknologi på området. En slik gradvis innskjerping gir også kommunene mulighet til å planlegge og gjennomføre tiltak, ut fra hva som reelt sett faktisk og praktisk er mulig å gjennomføre. Jeg registrerer at Stortinget ønsker å følge opp anbefalingene som de fire direktoratene kom med i 2014. Jeg mener at det ville ha vært klokt å avvente fastsetting av grenseverdier for 2020 til etter at kunnskapsgrunnlaget oppdateres i 2018. Jeg vil imidlertid følge opp de vedtak Stortinget fatter, men dette må, som alltid, gjøres innen de formelle rammene som er satt for regelverksendringer for Arbeidet med gradvis å stramme inn grenseverdiene for svevestøv må ses i sammenheng med det pågående arbeidet i byene med å revidere handlingsplanene for luftkvalitet og regjeringens omfattende arbeid med å legge til rette for ytterligere virkemidler på dette området. Regjeringen har bl.a. satt i gang et lovarbeid for å legge til rette for lavutslippssoner samt å kunne stille utslippskrav ved tildeling av drosjeløyver. Det jobbes også med å vurdere de praktiske og juridiske sidene knyttet til en miljødifferensiering av bompengene gjennom AutoPASS-systemet. Det er avgjørende nå å få etablert en god verktøykasse for byene og få effektive og tilpassede tiltak satt i verk i byene. Det er byene som må beslutte hvilke konkrete tiltak de ønsker å iverksette ut fra de lokale Jeg har en klar ambisjon og et mål om at luftkvaliteten i norske kommuner skal være trygg for alle. Som sagt registrerer jeg at Stortinget ønsker å endre de nasjonale målene for svevestøv i tråd med anbefalingene fra de fire direktoratene. Jeg vil sørge for dette, og er glad for at vi nå kommer videre med arbeidet for å bedre den lokale luftkvaliteten.
Da blir det

oppfølgingen av rapporten. Det er for meg uforståelig hvorfor så entydige faglige råd har blitt liggende på statsrådens bord så lenge – i alle fall med de alvorlige konsekvensene, som statsråden selv beskriver, av at vi ikke gjør noe for Statsministeren var i spørretimen for to uker siden. Da svarte hun at grunnen til at dette tok lang tid, var at man ikke helt visste hvilke tiltak man skulle iverksette. Men rapporten beskriver det som jeg antar statsråden er godt kjent med. Derfor er mitt spørsmål til klima- og miljøministeren hvorfor det har tatt så lang tid – at vi allerede er på etterskudd med oppfølgingen av denne rapporten, som hun altså har hatt liggende i over
For regjeringen har det vært ønskelig å se arbeidet med grenseverdier i sammenheng med det pågående arbeidet med oppfølging av ESAs sak mot Norge. Det er en sak denne regjeringen arvet fra forrige regjering. Den har vi diskutert mange ganger i Stortinget, vi har hatt mange gode diskusjoner rundt det å utvikle nye virkemidler. Vi ønsket å se de to sakene i sammenheng, og det er ikke uvanlig at det kan ta noe tid å behandle en noe komplisert sak på en god måte.
Statsråden nevnte i sitt innlegg pågående arbeid med at man kan gi tillatelse til miljøkrav til drosjenæringen, til innføring av lavutslippssoner og til miljødifferensiering av bompenger. De tre virkemidlene kommer ikke til å være nok for å nå de målsettingene hun setter, eller for å nå det som er nødvendig for å redusere utslippene i de store byene. Det viser nødvendigheten av å vedta innstillingens forslag til III, ellers må man ha et pålegg for at regjeringen jobber sammen med kommunene for å få et nødvendig virkemiddelapparat. Da blir mitt spørsmål: Er statsråden villig til å se på virkemidler som er nødvendige, og som står i forhold til oppgavene vi står overfor, nemlig å redusere utslippene ned til de målene vi nå setter oss? Som vi har diskutert flere ganger før i denne salen når vi har snakket om luftkvalitet, er det kommunene som er forurensningsmyndighet, og som har ansvar for å sørge for at de nødvendige tiltak iverksettes. Men det er også statens oppgave å gi kommunene tilstrekkelig med virkemidler i verktøykassen til at dette blir ivaretatt. Det er viktig at det er kommunene selv som velger hvilke verktøy de ønsker å bruke. Nå har regjeringen sagt at vi ønsker å sette nye grenseverdier, noe som er ganske førende for hva kommunene, anleggseierne og staten må gjøre for å få dette på plass. Noe har vi, som representanten Elvestuen sa, tatt opp i den andre saken om luftkvalitet, mer kommer i denne saken, og rapporten er ganske tydelig på hva som bør gjøres for å nå de grenseverdiene regjeringen har fastsatt, og hva Stortinget ytterligere strammer inn. Da blir mitt spørsmål enda mer konkret: Er statsråden villig til å foreslå de to tingene, nemlig omkjøringstraseer for tungtransport og forbud mot dieselbiler på de mest trafikkerte dagene, i tillegg til lavutslippssoner, som vi vet er nødvendig for å redusere utslippene på de mest forurensede dagene? – Så får kommunene velge om de vil ta det i bruk eller ikke. Nå er samferdselsmyndighetene gitt et oppdrag med å utrede forbud mot dieselbiler, og om Nå er samferdselsmyndighetene gitt et oppdrag med å utrede forbud mot dieselbiler, og om dette kan ivaretas, for å se på om det vesentlig er personbiler utenfor næringsvirksomhet som det kanskje er viktig å konsentrere seg om i første omgang. Flere av disse sakene er til utredning, og vi er nå bedt om – som vi skal gjøre – å komme tilbake til Stortinget med en ny sak, slik at det Stortinget nå har vedtatt, og hva regjeringen har sagt, blir ivaretatt. Jeg tror det er viktig at vi synliggjør hva som i dag finnes av verktøy i verktøykassen for kommunene. Så må vi se om dette er nok i lys av de nye grenseverdiene – og også for den pågående saken vi har med

I brevet fra Miljødirektoratet som baserer seg på kunnskap fra 2013, står det følgende: «Det er en nasjonal målsetning å sikre en luftkvalitet som er trygg for alle. Dagens nasjonale mål slik de nå er formulert fokuserer på korttids midlede nivåer, mens de største helseeffektene antas å være knyttet til eksponering over lengre tidsrom.» Derfor foreslår de nye nasjonale mål. Disse nasjonale målene avviser statsråden. Hvorfor vil ikke statsråden ha nasjonale mål basert på Miljødirektoratets faglige anbefalinger, men tviholder på mål fra 1999? Vi har ment at det aller viktigste vi kan gjøre, er å stramme inn grenseverdien og fastsette en juridisk bindende, ny grenseverdi, men ambisjonen på sikt er helt klar, at luftkvaliteten i norske kommuner skal være trygg for alle. Det er det målet vi arbeider mot. Det er derfor vi ønsker et tett samarbeid med kommunene for å gi kommunene de virkemidlene de selv trenger for å ivareta det. For oss er det viktig å ha kommunene med på laget, hvor de selv velger de virkemidlene de ønsker å bruke. Målet er helt tydelig, men det aller viktigste vi nå kan gjøre, er å stramme inn grenseverdien. Derfor var det det regjeringen nå gikk inn for.
Jeg føler ikke at jeg får svar på spørsmålet. Det er greit at statsråden synes det viktigste er å komme med nye grenseverdier, og det er bra at de grenseverdiene kommer fra 2016. Men hvis man skal basere statsbudsjettet for neste år på nasjonale mål som står der, og vi velger å holde fast ved de nasjonale målene fra 1999 som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet sier er utdaterte, hvorfor velger man da å se bort fra kunnskap om hva man skal styre etter, og og Folkehelseinstituttet sier er utdaterte, hvorfor velger man da å se bort fra kunnskap om hva man skal styre etter, og baserer seg isteden på utdaterte mål fra
Vi ser ikke bort fra ny kunnskap. Det er nettopp ny kunnskap om hvor farlig luften er for helse, som gjør at hele Stortinget og regjeringen er opptatt av å bedre luftkvaliteten. Målet er helt tydelig for alle: Luftkvaliteten i norske kommuner skal være trygg for alle. Denne regjeringen arvet en ESA-sak om luftkvalitet, som vi jobber mye med,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 tilbyr jeg statsråden å gå og sette seg der borte på plassen sin. Kanskje jeg bare skal begynne med å påpeke en ting som jeg synes er viktig. Fra denne talerstolen er det stadig vekk gjentatt en ting – som denne gangen, fra Jan-Henrik Fredriksen – som jeg bare vil understreke er løgn. Det er uriktig, det som sies av representanten Fredriksen. Han sier at den forrige regjeringen anbefalte folk å kjøpe dieselbiler. Jeg vil gjerne be representanten komme med dokumentasjon der det står at regjeringen anbefalte dette. Det gjorde vi ikke. Som del av en avgiftsomlegging i 2007 – som jeg vil understreke at det var bred enighet om her i stortingssalen ble dieselbiler billigere i konkurranse med bensinbiler. Men det var bare én gruppe partier som var bekymret for dette. Den gangen var det merknader fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, der vi sa at vi ville se nøye på hvordan dette slo ut på andelen NO2 som ble sluppet ut. Det var anslått at det ville føre til mindre endringer. Det var ingen oppfordring om å

dyrere å velge dieselbiler framfor bensinbiler. Jeg vil bare understreke at jeg vil ha meg frabedt at det gjentas fra representanter at det gikk ut noen anbefaling fra de daværende regjeringspartiene. Tvert imot – det var bred enighet her i Stortinget om den avgiftsomleggingen som fant sted, og det var bare de daværende regjeringspartiene som var opptatt av å vise at dersom det skjedde en bekymringsfull utvikling, ville vi gjøre noe med det – noe vi også gjorde på et senere tidspunkt. Jeg vil gjerne tegne meg på nytt til et siste innlegg. Jeg vil gå inn på en viktig ting som jeg synes det er viktig å gripe fatt i i oppfølgingen her videre. Jeg synes det er bra at statsråden varsler at hun vil komme tilbake med en videre innskjerping. Jeg vil likevel påpeke hva som er problematisk med at vi ikke allerede nå fastsetter de nye grenseverdiene for 2020. Husk at med den ordinære høringsrunden som ble varslet fra statsrådens side – som tok for lang tid, men som nå er varslet – vil de nye grenseverdiene antagelig ikke komme på plass før en eller annen gang utpå høsten. Presidenten forsto det sånn at representanten tegnet seg på nytt til et innlegg? Ja. Det vil i så fall innebære at kommunene som skal følge de nye grenseverdiene, vil få mindre enn et halvt år på å tilpasse seg de nye grenseverdiene som settes. Når vi tenker på at statsråden har brukt ett år og 83 dager på å bestemme seg for å lage de nye grenseverdiene, er det altså problematisk at en skal drive gjennom politiske prosesser i alle kommunene, for å følge opp med så kort frist. Jeg vil si, sett fra et kommuneståsted, at det ville være veldig bra for forutsigbarheten for kommunenes planlegging – for Oslo, Bergen, Trondheim og alle de andre kommunene som vil bli berørt av disse forskriftene – om man fikk på plass hva slags type grenseverdier som skal være i 2020, så fort som mulig. Miljødirektoratet har i sitt brev anbefalt nye grenseverdier allerede for 2020, men anbefalt at man skulle ta en revisjon for å se på den oppdaterte kunnskapen i 2018. Nå velger statsråden i stedet å utsette fastsettelsen av grenseverdier til en oppdatering av kunnskapen i 2018. Og jeg sier: Hvis man på nytt bruker ett år, fra 2018 til 2019, for å fastsette nye grenseverdier, er det problematisk for kommunene at de skal få så kort tid til å omstille seg til nye grenseverdier. Derfor er det et flertall i komiteen, men dessverre ikke i salen, fordi Kristelig Folkeparti ikke er med på det, som støtter at man burde fastsette nye grenseverdier i 2020, ikke fordi man er imot en oppdatering av kunnskapen i 2018 – vi er for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget – men fordi det hadde vært best for kommunene, som tross alt skal gjennomføre de tingene. Statsråden setter bare grensene, kommunene vil være de som fastsetter de nye kriteriene. Det andre som er problematisk i det som er pukket på i replikkordskiftet, er at Miljødirektoratet sier veldig tydelig at de nasjonale målene bør samsvare med luftkvalitetskriteriene som de har kommet med. Men her velger altså statsråden å tviholde på at i neste statsbudsjett, der vi skal ha nasjonale mål for luftkvaliteten, skal kriteriene fra 1999 fremdeles finnes, selv om Miljødirektoratet har anbefalt nye nasjonale mål. Heldigvis, får jeg si, er det et flertall på Stortinget som ønsker at man når det gjelder de tiltakene som statsråden skal legge fram for Stortinget, skal forholde seg til de nye nasjonale målene for trygg luft. Så håper jeg at statsråden fram til hun ferdigstiller budsjettet, ser fornuften i å ta inn oppdaterte nasjonale mål, istedenfor å tviholde på målene fra 1999. Jeg vil takke komiteen for hele tiden å være pådriver for å fremme nye forslag til tiltak for å forbedre luftkvaliteten. Jeg ser at statsråden følger dem opp, ikke i forkant, men villig i etterkant av at Stortinget har
Jeg skal være kort, men jeg ville ta ordet etter representanten Eidsvoll Holmås’ innledning, for verken forrige regjering eller denne regjeringen har en stolt historie når det gjelder å bekjempe Den forrige regjeringen var ikke villig til å godta virkemidler – også tøffe virkemidler – som kommunene har vært villige til å ta i bruk gjennom flere år. Både det å bekjempe dieselbiler med forbud og det å gå løs på tungtransporten ble stoppet av den rød-grønne regjeringen. Det er egentlig stortingssammensetningen som gjør at vi nå har fått bevegelse i selve saken, og som gjør at vi endelig begynner å få i gang et virkemiddelapparat som gjør at vi i selve saken, og som gjør at vi endelig begynner å få i gang et virkemiddelapparat som gjør at vi kan ta tak i problemstillingene. Jeg tok også ordet for å si at da man la om bilavgiftene, var det ikke sånn at det manglet på advarsler om konsekvensene. Jeg kjenner ikke detaljene fra Stortinget om hvem som skrev hva i merknader, men det er ingen tvil om at det i hvert fall fra Oslo var en helt tydelig advarsel om at dette kommer til å føre til dårligere byluft, og den som sendte advarselen tydeligst – det må jeg bare si – var faktisk daværende byråd fra Fremskrittspartiet, Peter N. Myhre. Så man var veldig bevisst på at det var dette som var konsekvensen. Hvis man går enda lenger tilbake, var det noen som var tilbakeholdne med å gjøre denne endringen. Men det er nå der vi er i dag. Det denne saken viser, og som er det viktigste, er at vi nå endelig får et tydelig vedtak om at staten har et ansvar for å legge fram en handlingsplan, sammen med kommunene, for å se på hva som er nødvendig for å nå de målsettingene og grenseverdiene som er der, både det som er gjennomsnittet i løpet av året, og for å ta de verst forurensede dagene. Helt til slutt har jeg et lite hjertesukk. Jeg vet egentlig ikke hvor stor effekt det har, men det er en del av en helhet. Etter å ha jobbet i Oslo kommune med tiltak i egen virksomhet gjennom mange år, og byen ligger langt foran, lurer jeg på når staten vil se på sin egen virksomhet. Når begynner man helt systematisk å fjerne oljefyrer fra sine bygg? Når begynner staten å gjøre det som andre gjør, gjennom å si at hele bilparken hvor man kan ha nullutslipp, skal ha nullutslipp innen en viss tidsperiode, som her er gjennomført nå fra 2015? Disse tingene er mulig, og staten kan ta et større ansvar i egen virksomhet og gå foran, å drive fram en endring hos andre og for i det minste å være like offensiv som de store byene faktisk er i dag. I fellesskap er det fullt mulig nå å ta tak i det med lokal luftforurensing, sånn at dette kan bli en problemstilling som vi kan se tilbake på, og som vi nå endelig kan få bukt med. Når representanten

som gjør at dieselbilene blir billigere over natten, ser i hvert fall jeg på det som en anbefaling til det norske folk. Og det er ingen tvil om at det norske folk så på dette som en anbefaling, for salget av dieselbiler steg over natten. Alle oppfattet dette som og at representanten Eidsvoll Holmås kaller mine uttalelser for løgn fra talerstolen i Stortinget, er å gå altfor langt, for det var mer enn nok av advarsler når det gjaldt det å sette ned avgiftene på dieselbiler da det ble gjort. Det burde man i regjering ha forstått. Hvis uttrykket «løgn» ble benyttet, antar jeg at presidenten påtalte det.
Nei, det var en ganske presis uttalelse, skjønner du, fra min side, så det ble ikke påtalt. Jeg vil gjerne understreke at det som skjedde den gangen i 2007 – siden Fremskrittspartiet tar det opp, og siden det flere ganger har vært nevnt av ulike fremskrittspartirepresentanter og andre her fra talerstolen var en omlegging, der man fjernet slagvolumkomponenten fra engangsavgiften og erstattet den med CO2-avgift. Det var det bred enighet om på Stortinget. Jeg kan si at også Venstre støttet omleggingen på Stortinget på den tiden – bare som en bemerkning til Ola Elvestuen. Det var altså bred enighet om det. Og i flertallsmerknaden fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sto det: forhold til dette er det uansett grunn til å tro at den samlede endringen i NOx-utslipp som følge av omleggingen av engangsavgiften, vil være liten.» Det var det vi antok ville skje. Så vet vi at virkeligheten ble en annen, men det var det som var antagelsen fra regjeringens side. Så vil vi understreke: «Flertallet vil presisere at den tar utslippene av NOx og partikler fra vegtrafikken på alvor. Flertallet viser derfor til Regjeringens videre omlegging av bilavgiftene, omtalt i St. prp. nr. 1 Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Flertallet vil i det videre arbeidet med omlegging av bilavgiftene til fordel for både klima og lokalmiljø invitere engasjerte organisasjoner til videre dialog om hvordan målene best kan oppnås.» Det førte altså til at man fire år senere fikk på plass en lokal komponent i engangsavgiftene. Jeg vil bare understreke at denne typen merknad ikke kom fra noen andre partier den gangen. Jeg håper dette er siste vi har en debatt der det påstås at regjeringen anbefalte folk å kjøpe dieselbiler. Det gjorde ikke regjeringen, og derfor vil jeg ha meg frabedt at det sies at vi gjorde det. For øvrig hadde det vært fristende å stille et spørsmål tilbake til Fremskrittspartiet for å høre: Er det sånn at Fremskrittspartiet framover vil legge om bilavgiftene, sånn at en fjerner dieselbil eller dramatisk reduserer andelen dieselbiler blant fossilbilene som selges i tiden som kommer? Det vil i så fall være den naturlige konsekvensen av Fremskrittspartiets knallharde anklager mot oss som satt i regjering og gjennomførte denne omleggingen.
Eg må seie at eg synest denne debatten begynner å ta uverdige former når ein skuldar andre for usanningar og løgn. Saka gjeld omlegging av avgifter, som førte til at alle som vurderte bilskifte, såg at premieringa på avgiftssida gjorde at ein fekk ei brå omlegging av bruk av diesel framfor bensin. Det blei sett på av det norske folket som ei anbefaling om å gå over til diesel. At ein no spring frå det, og forklaringane er meir eller mindre gode, registrerer vi. Så fekk vi eit spørsmål om vi ville anbefale at ein gjekk vekk ifrå diesel. Det denne regjeringa gjer, er gode, registrerer vi. Så fekk vi eit spørsmål om vi ville anbefale at ein gjekk vekk ifrå diesel. Det denne regjeringa gjer, er å vere tydeleg i arbeidet sitt som ein no sit og jobbar konkret med på at ein vil premiere ustleppsreduksjonar. Vi vil vere tydelege på at vi vil premiere reduksjon av skadelege utslepp. Det er målet vårt. Representanten Jan-Henrik Fredriksen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skal være kort. Sitat statsminister Jens Stoltenberg 2007: «Vi oppfordrer alle til å velge dieselbil fremfor bensinbil, da disse helt klart er

jobbet med dette, var ganske tydelige på det arbeidet vi gjorde, men jeg hører jo hva statsministeren sa, så det er jo streit. Dermed ser det ut til at debatten om historien også kan være avsluttet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til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

Vi vet at akkurat der det nå skal fylles opp med 150 meter gruveslam de neste 50 årene, har flere rødlista arter sitt gyte- og oppvekstområde – arter som vi dermed står i fare for å utrydde for kommende generasjoner. Det vil vi ikke være med på. Det er, slik vi ser det, trist at en regjering i 2015 – ikke ut fra mangel på kunnskap, men tvert imot etter et omfattende utredningsarbeid som også har belyst problematikken rundt sårbare økosystem i de aktuelle fjordene – faktisk kan gi utslippstillatelser som i verste fall kan føre til utryddelse av sjeldne arter. Nei, vi forventer bedre, vi forventer at en lytter til klare miljøfaglige råd. Vi forventer at regjeringen tar til fornuft og snur i Komiteen har merket seg at det i saker om etablering av sjødeponi fra gruvevirksomhet, som Førdefjorden og Repparfjord, er vesentlige interesser som står mot hverandre. I lokalmiljøene er det ulike meninger om hvilke hensyn som skal veie tyngst, naturinteresser eller mulige arbeidsplasser. Selskapene som søker om å bygge ut, ser for seg verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til gruveaktiviteten. At gruveselskapene ønsker en rimeligst mulig løsning på avfallsproblemet fra gruvevirksomheten, er for så vidt naturlig. Men det er myndighetenes ansvar å sette ned foten når en slik løsning ikke er i tråd med god og framtidsrettet forvaltning av norsk natur. Havforskningsinstituttet har i sine høringsuttalelser gått imot søknadene om fjorddeponi i begge fjordene. De har bl.a. advart mot negative konsekvenser for fiskeegg og livet på Daværende Direktoratet for naturforvaltning uttalte at de var urolige for at utslipp av gruveavfall til fjord ville være i strid med internasjonale forpliktelser som Norge har tatt på seg, som gjennom konvensjonen om biologisk mangfold. Aktører som Fiskarlaget, Kystfiskarlaget og havbruksnæringen har engasjert seg til forsvar av rene fjorder som grunnlag for trygg sjømat. Det er dessuten snakk om en nasjonal laksefjord, og det burde være argument nok i seg I forrige uke var vi vitne til en bred mobilisering foran Stortinget av mennesker fra ulike miljøer som alle kjempet en felles kamp for fjorden og mot dumping av gruveavfall i et sårbart område. Den mobiliseringen var bare manifesteringen av et stort engasjement fra både miljøbevegelsen og dem som bor i området, helt fra saken ble kjent. I komiteen har også denne saken naturlig nok vakt stort engasjement. mellom arbeidsplasser og miljøhensyn er en klassiker. Men her kan det se ut som en ikke har tatt seg bryderiet med å undersøke og utrede alternativene skikkelig. Vi er ikke imot gruvevirksomhet, det er uansvarlig miljøadferd vi er imot. Vi mener at slike saker, der vesentlige interesser står opp mot hverandre, burde vært prøvd på Stortinget, og vi har fremmet følgende forslag: ber regjeringen fremme et lovforslag om at saker som omhandler store gruveutbygginger der vesentlige interesser stor opp mot hverandre, skal legges frem for Stortinget før endelig avgjørelse blir fattet.» Vi tenker at det i utgangspunktet er regjeringen som skal avgjøre denne typen saker, men når det er så store motstridende interesser, bør saken avgjøres i Stortinget. Det er bakgrunnen for at vi fremmer det forslaget jeg nettopp har omtalt. Alternative deponeringsløsninger er høyst relevant å få belyst i denne saken. I den offentlige debatten har nettopp miljøvennligheten og hensiktsmessigheten av andre løsninger vært diskutert. Det bør vi lære av, og vi stiller oss derfor bak forslaget om at alternative deponeringsløsninger på land må konsekvensutredes før beslutning om gruvedrift i Engebøfjellet blir iverksatt. Vi fremmer herved de forslagene Kristelig Folkeparti er en del av. Samtidig gjør vi det klart at vi subsidiært støtter de tre romertallspunktene i komiteens tilråding. Representanten Steinar Reiten har tatt opp de forslagene han refererte til. Det Dokument 8-forslaget vi nå behandler, er et forslag som i prinsippet handler om ansvarsfordelingen mellom regjering og storting, og omhandler mineralsk aktivitet eller gruvevirksomhet. I Norge har vi i nyere tid ikke aktivt lagt til rette for denne virksomheten – i seg selv ikke så veldig rart, med bakgrunn i historien knyttet til gruveaktivitet og mineralsk aktivitet, som står i kanskje grell kontrast til de miljøstandarder vi setter i dag, selv om vi kanskje i et både etisk og moralsk perspektiv burde bidratt på et langt tidligere tidspunkt til å finne løsninger for at verdens etterspørsel etter mineraler i større grad kunne eliminere de miljømessige utfordringene næringen skaper, ikke bare i Norge, men over hele verden. Rammene for denne typen aktivitet ligger i forurensningsloven, i plan- og bygningsloven og i mineralloven. I mineralloven, som vi fikk i 2010, står det i formålet veldig tydelig at hensikten og «formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling». Det står videre i mineralloven at loven skal ivareta hensynet til «miljømessige konsekvenser av utvinning» og «langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området». Det er ganske tydelige formuleringer og klare føringer for hva mineralloven legger opp til av muligheter for mineralsk aktivitet i Norge. I tillegg til det fikk vi under vår regjeringstid en mineralstrategi, hvor vi utvetydig slår fast i formålet at «norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger». Likeledes mente vi at det var viktig å legge til rette for en forutsigbar og effektiv saksbehandling som en rettesnor for alle statlige, regionale og kommunale myndigheters praktisering av regelverket overfor Så er det slik at saker som vi nå på en måte er involvert i knyttet til Førdefjorden og Repparfjorden, er saker der interessene står veldig hardt mot hverandre. Det er noe som egentlig er naturlig og ikke til å unngå, interessene er motstridende i denne type saker. Vi har hele vært tydelige på hvem det er som skal fatte beslutninger i disse sakene. Vi har hele tiden vist til at det er regjeringens ansvar å gi tillatelse etter de lover og regler som finnes for utvinning av mineralressurser i Norge. Vi står fast på dette prinsippet, selv om det også i vårt parti er betydelig motstand mot deponi eller sjødeponi. Men jeg understreker: Ansvaret ligger hos regjeringen, og det er et betydelig ansvar som påhviler regjeringen, og som de må håndtere med største varsomhet. Brytes prinsippet om bærekraftig utvikling gjennom regjeringens beslutning, brytes formålsbestemmelsen i mineralloven, og det er selvfølgelig alvorlig hvis det skjer. Vi har derfor lagt til grunn at regjeringen gjennom sin konklusjon stiller de strengeste miljøkrav til en eventuell tillatelse, og – dersom tillatelse gis – at overvåkingen av området er slik at en nøye følger miljø- og ressurstilstanden i området, og er veldig tydelig på at hvis grenser som er fastsatt, overskrides, må det bety en umiddelbar stans i aktiviteten. I forbindelse med behandlingen av saken har en også kommet inn i de enkelte sakene langt på vei, men vi mener at noe av det som må være grunnlaget for en beslutning, er nettopp at beslutningen er grundig utredet. Vi har derfor behandlingen fremmet flere forslag hvor vi bl.a. mener at det i nye saker er naturlig at det stilles krav om at de ulike alternativene for deponiløsningene konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger framkommer før beslutning kan tas. Vi mener av erfaring av det vi nå ser, at det er naturlig. Vi sier også til kjernen av problemet – at det nå må startes et utredningsarbeid for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressursene, og mener at det er viktig at dette blir satt i gang raskt. Til slutt: Vi har i dag fremmet et forslag, som jeg tar opp, hvor vi «ber regjeringen påse at miljøfaglige råd er grunnlaget for en helhetlig beslutning når endelig utslippstillatelse gis i forbindelse med utvinning av mineralressurser, og at denne sikrer bærekraftig utvikling og ikke forringer miljø og/eller ressursgrunnlaget over tid». Det er et flertall i komiteen som er for denne punkter i innstillingen, og vi mener det er naturlig at de samme partiene slutter seg til den type vedtak. Representanten Terje Aasland har tatt opp det forslaget han refererte. Denne saken handler om hvorvidt det er

regjeringen eller Stortinget som skal bestemme om det skal gis tillatelse til gruvedrift og deponering av avgangsmasse fra norske gruver. I saken vises det til to konkrete prosjekter som det har vært jobbet med over flere år. Høyres syn er at dagens regelverk og praksis ivaretar hensynet til miljø og næringsutvikling på en god måte. Dersom representantene bak forslaget mener at miljøhensyn skal tillegges større vekt enn i dag, vil det være langt mer ryddig om det ble foreslått endringer i forurensningsloven og annet relevant lovverk fremfor å flytte beslutningen fra regjering til storting. Stortingets oppgave er å vedta lover, mens det er regjeringens oppgave å styre på grunnlag av lovene Stortinget vedtar. Det prinsippet har fungert utmerket i alle år og bør videreføres. Regjeringen har godkjent reguleringsplanen for Engebøfjellet og gitt utslippstillatelse med strenge miljøkrav, som gjør det forsvarlig å deponere avgangsmassene i Førdefjorden. Det har gjennom mange år vært utredet hvilke konsekvenser en eventuell deponering av avgangsmasser i Førdefjorden vil ha for livet i fjorden, spredning av miljøgifter og andre miljøkonsekvenser. Konklusjonen på dette omfattende arbeidet er at det er miljømessig forsvarlig å deponere avgangsmasser i fjorden. Det vil ha konsekvenser for miljøet på havbunnen i det området massene deponeres, men vil ikke føre til varig ødeleggelse av Førdefjorden. Rolf Arne Kleiv og Sunniva Haugen, begge professorer ved Institutt for geologi og bergteknikk på NTNU, skriver i Dagens Næringsliv den 18. mai i år: «Enkelte steder er sjødeponi den beste løsningen På grunnlag av den mest omfattende konsekvensutredningen for etablering av ny gruvedrift i Norge noensinne, har direktoratet konkludert med at fordelene ved deponering i sjø oppveier ulempene. Alternative deponiløsninger på land er ikke vurdert som mer miljøvennlige.» Det er altså på grunnlag av «den mest omfattende konsekvensutredningen for etablering av ny gruvedrift i Norge noensinne» at Miljødirektoratet har trukket sine konklusjoner. Mange har uttrykt bekymring for fisken i fjorden. Fiskeslagene i området gyter ikke i det aktuelle dybdeintervallet fra 320 meter til 150 meter. Blålange, som er trukket frem, gyter ikke i så grunne farvann som Førdefjorden, ifølge Havforskningsinstituttet. Flere har også uttrykt bekymring for villaksen, men den svømmer normalt ikke så dypt. Landdeponi ble vurdert av den forrige regjeringen, men ble vurdert som uaktuelt for dette prosjektet. For å sitere daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i Firda den 25. mars 2013: «Sist haust bad vi Klif undersøke landdeponi som eit alternativ, i håp om at det kunne løyse gruvesaka raskare. Men landdeponi gjekk ikkje.» Miljødirektoratet er også tydelig på at landdeponi ikke er et vesentlig bedre alternativ basert på miljøfaglige kriterier. Hva som gjør at SV og deres tidligere regjeringspartner Senterpartiet nå mener at det Klif i 2012 mente ikke gikk, nå er mulig, vites ikke. Forslaget om å konsekvensutrede landdeponi fremstår som lite annet enn et forsøk på å trenere saken. Juridisk vil det også være problematisk dersom Stortinget nå stiller nye forutsetninger for å gi en tillatelse som allerede er gitt. Høyre ønsker gruvevirksomhet i Norge, og verden trenger mineralene. Rutil er et titanråstoff. Bruksområdene er mange. Det kan f.eks. brukes til å lage metallet titan, som er sterkere enn stål og mye lettere. Titan kan brukes i proteser og elbilbatterier. Det er derfor anvendelig i en lang rekke produkter som også trengs i fremtidens næringsliv. I Norge kan vi utvinne dette viktige stoffet med begrensede miljøkonsekvenser og svært strenge krav til miljøet underveis i prosjektet. Det er god næringspolitikk, og det er god miljøpolitikk. Massene fra gruven føres i rør ned til sjøbunnen. Kjemikaliene som ikke inneholder miljøgifter, bidrar til at gruveslammet bindes sammen og synker raskere innenfor deponiområdet. Slammen spres ikke. Deponiet overvåkes kontinuerlig. Hvis partiklene mot formodning skulle spres, må bedriften straks sette i verk tiltak, og om nødvendig må de stenge driften. Det stilles krav som begrenser negative effekter fra sprengning, støy og støv og bruk og utslipp av Det blir stilt krav om tilbakefylling og alternativ bruk av avgangsmasser. Særlig viktig er strenge vilkår for spredning av partikler fra sjødeponiet og overvåking av partikkelspredning og naturmangfold. Bedriften må bl.a. iverksette et miljøovervåkingsprogram i Førdefjorden. Det etableres et system for overvåking og kunnskapsbasert risikovurdering av sjømattryggheten fra området. Overvåking og dokumentasjon skal kontrolleres av myndighetene. Det er første gang det stilles krav om å dokumentere trygg sjømat i en utslippstillatelse. Selskapet Biologge AS mener at avgangsmassene fra Engebøfjellet kan være egnet som tildekkingsmasse for forurenset sjøbunn i norske og utenlandske havner. Dersom dette medfører riktighet, er det et paradoks at massene ikke kan deponeres på 350 meters dyp i Førdefjorden. Norge trenger flere ben å stå på. Velferden må finansieres, og vi må sikre verdiskaping over hele landet. Da er det viktig å vurdere hvordan vi kan realisere prosjekter som dette med minst mulig skade på miljø, natur og norsk særpreg. Jeg mener regjeringen har balansert disse hensynene med denne beslutningen.
Under ein interpellasjonsdebatt i førre veke kom det fram at Noreg var rangert på 10. plass av det anerkjente kanadiske forskingsinstituttet Fraser Institute etter at den raud-grøne regjeringa fekk på plass ny minerallov og mineralstrategi i 2010. Fraser Institute rangerer kvart år over hundre land etter kor attraktive dei er for mineralnæringas internasjonale

Spesielt har sjødeponi blitt beskrive negativt, som om ein øydelegg alt liv i fjorden, og Førdefjorden har blitt eit eksempel på ein slik påstand. Trass stor og detaljert kartlegging og eit betydeleg forarbeid med fokus på miljøpåverknadene, der Miljødirektoratet set klare og sterke krav til utsleppa, lever desse påstandane vidare. Alternativet vi har breiast erfaring frå, er landdeponiet på Frå eit miljøperspektiv er Røros eit eksempel på korleis det ikkje skal gjerast, seier ein professor i mineralteknikk ved NTNU. Avrenning frå landdeponiet på Røros, som elles er verna, fører ei sur og metallhaldig avrenning til Glomma, der kopariona øydelegg både egg og fiskeyngel. For Engebøfjellet og Førdefjorden er sjødeponi den beste løysinga, og den konklusjonen er basert på dei minerala og metalla som skal utvinnast, som blir brukte, og til slutt blir dette målt opp mot dei strengaste miljøkrav. Kjemisk sett er det ein fordel at overskotsmassane blir liggjande i saltvatn med lite oksygen og stabile pH-verdiar, så om ein skal deponere massar som inneheld sulfid, er det ein stor fordel med sjødeponi. Derfor har vi også den klare anbefalinga frå Miljødirektoratet om å velje sjødeponi etter at direktoratet har gjort denne grundige vurderinga av konsekvensane. Det spesielle med denne konklusjonen er at han er lik konklusjonen til ei liknande utgreiing som den raud-grøne regjeringa fekk utarbeidd av Klif i 2010, der konklusjonen er ei klar anbefaling om å ikkje velje landdeponi med alle dei farar og plager dette medfører. Ein viser jamvel til sjødeponering i ei gruve i Vancouver Island-området det det blei deponert store mengder overskotsmasse fram til gruva var tom for ressursar. Vidare står det at deponeringa hadde overraskande små effektar, og at reetablering på sjøbotnen starta raskt etter at deponeringsperioden var over. Dette er altså fakta som SV, Arbeidarpartiet og Senterpartiet slutta seg til då dei la fram sin mineralstrategi i 2010. Spørsmålet er: Har ein slutta å tru på sin eigen konklusjon fordi ein har kome i opposisjon, eller er det det politiske spelet som er det viktigaste? vi registrerer stort politisk fokus på nye arbeidsplassar. Det er ei kjensgjerning at Sogn og Fjordane har altfor få arbeidsplassar og ønskjer seg fleire. Så til spørsmålet om vi treng gruva i Engebøfjellet. Mineralet som skal utvinnast, er rutil, som er sett saman av titan og oksygen og er eit svært viktig mineral. Titan blir brukt i flyindustrien og i romfartsindustrien, til å lage kunstige hoftekuler, kne og andre kroppsdelar, som vi som eit velferdssamfunn er svært avhengige av. Skal vi ikkje ta vårt ansvar som forbrukarar og stå for ei gruvedrift av eit materiale vi sjølve er svært avhengige av, men overlate dette til land med heilt andre miljøkrav enn våre? Rutil er vi avhengige av i mange produkt, som maling, mat, medisinar, tannkremar osv. Vi har som nasjon eit sjølvstendig forsyningsansvar. Vi har med andre ord eit moralsk ansvar for å ta i bruk dei naturgitte ressursane som finst – og det under eit regime med strenge, men føreseielege miljøkrav, slik at både industrien og investorane kan føle seg sikre på at satsinga på mineralnæringa er trygg og føreseieleg når ein etterlever dei strenge konsesjonskrava som er gitt. Denne regjeringa legg det til grunn i sin konklusjon og er på denne måten med på å ta det Mange peikar på den moglegheita som ligg i at masse skal deponerast. Med fleire objekt som treng tildekking, bør ein vurdere om det er mogleg å skipe delar av denne massen til eigna objekt eller område som treng tildekking. Dersom dette er mogleg, representerer overskotsmassen ein ressurs som vi elles hadde måtte hente andre stader. Det er rett at den sitjande regjeringa utropte mineralnæringa til eit viktig satsingsområde, og utsleppstillatinga er med på å leggje til rette for meir mineralindustri i Noreg.

Spørsmålet om å etablere et sjødeponi i forbindelse med rutilutvinning i Engebøfjellet er en sak som både innebærer en krevende avveining og en krevende balansegang mellom naturinteresser og verdiskaping. Det vi behandler i Stortinget i dag, er først og fremst et spørsmål om hva som tilligger Stortinget, og hva som tilligger regjeringen. Spørsmålet er: Skal disse sakene avgjøres i storting eller i regjering? Senterpartiets holdning er at disse sakene er det regjeringens ansvar å avgjøre. Det er slik at når noen saker knyttet til utvinning, godkjenning eller utbygging legges til Stortinget, er det lovhjemmel for det. Det skjer f.eks. ved kraftutbygging over en viss størrelse – da er det hjemlet et sted. Når det gjelder utslipp etter er det regjeringens ansvar å ta de beslutningene. Senterpartiet kommer derfor ikke til å støtte noe forslag som bidrar til å sende denne saken over til Stortinget. Den har ingen ting i Stortinget å gjøre. Det er regjeringen som har myndighet, og som har ansvar til å gi den typen tillatelse. Vi mener det er en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom regjering og storting, at det også bør fortsette i framtida, og at det ikke bør uthules gjennom enkeltsaker på denne måten som en forsøker å gjøre i dag. Et flertall i komiteen ber nå om at alle nye søknader om tillatelse til mineralsk aktivitet, skal omfattes av krav til konsekvensutredning. Det synes Senterpartiet er viktig og positivt. Vi ber også sammen med et flertall – om at det igangsettes et arbeid for å redusere deponeringsbehovet ved mineralutvinning. Det er også viktig. Men når vi da ber om konsekvensutredning for nye gruveprosjekt, blir det litt inkonsekvent at en ikke også ber om konsekvensutredning for det prosjektet vi nå behandler. Det ville etter Senterpartiets mening være mest ryddig, mest forutsigbart, og også ha størst grad av likebehandling overfor andre framtidige prosjekt som vil få det kravet på seg. Det er et faktum at sjøl om bedriften har vurdert alternative deponeringsløsninger, har det ikke vært konsekvensutredet i dette prosjektet alternative deponeringsløsninger på land. I den miljøfaglige utredningen fra direktoratet, som ble offentlig kjent sammen med utslippstillatelsen den 17. april, heter det: «Bedriften har ikke konsekvensutredet alternative deponeringsløsninger på land.» Imidlertid har de på oppdrag fra oss gitt vurderinger av tre ulike alternative deponiløsninger som ikke er i marint miljø. Senterpartiet mener at det vil være fornuftig at en ved framtidige prosjekt vet at en er nødt til å gjennomføre en konsekvensutredning av alternative deponiløsninger, men vi mener også at et slikt krav bør omfatte det prosjektet som vi i dag drøfter. En slik konsekvensutredning kan endre regjeringens beslutning, men trenger ikke gjøre det, og vi har ikke sagt i vedtaket at det skal få gjennomgå noen ny beslutning, men vi har sagt at en slik utredning må foretas før den beslutningen som er tatt, blir iverksatt. Det er rett og slett et spørsmål om å få en best mulig opplysning av de sakene som en har til behandling, og som vi alle jo vet er veldig krevende saker. Det vil ikke bare være krevende i Engebøfjellet, men det vil være krevende i Repparfjorden også, og det vil være krevende i alle framtidige mineralutvinningsprosjekt. Da er det fornuftig at vi har et felles og helhetlig krav til dem som skal bygge ut. Senterpartiet støtter forslaget om konsekvensutredning, men vi kommer til å gå imot forslag som bidrar til at denne saken skal behandles i Stortinget.
Så jeg ikke glemmer det, vil jeg først ta opp forslaget fra bl.a. Venstre og vil også påpeke en liten skrivefeil i forslag nr. 2. Det skal stå «vesentlige interesser «står» opp mot hverandre» – slik at det er klarlagt. Vi står også sammen med bl.a. Senterpartiet om forslaget om konsekvensutredning av prosjektet i Førdefjorden. Forslaget er lagt fram nettopp for at disse store sakene med gruvedeponi skal til Stortinget. Jeg er forundret over at man ikke ser nødvendigheten av det. Dette er store deponier som er i ferd med å etableres. Dette forslaget gjelder Førdefjorden og Repparfjord, og kan vel også skape presedens utover disse to enkeltsakene. Det er verdt å minne om at i 2011 plasserte Artsdatabanken fjordene på den første norske rødlista for naturtyper. Bakgrunnen for at det bør besluttes på Stortinget, er selvfølgelig at her er det konflikter og vesentlige interesser som står mot hverandre. Det er en stor debatt, og den pågår i hele landet. har gått imot søknaden om fjorddeponi i begge fjorder. Aktører som Fiskarlaget, Kystfiskarlaget og havbruksnæringen engasjerte seg til forsvar av rene fjorder som grunnlag for trygg sjømat, NHO Reiseliv, næringsorganisasjonen Virke og Norske Lakseelver ser planene om utslipp av gruveavfall som et trugsmål mot motstridende interesser som må veies opp mot hverandre. Fiskeri, sjømat og reiseliv er næringer som er avhengig av rene fjorder og et godt internasjonalt omdømme, og som kan bli skadelidende ved utslipp av gruveavfall. at i avveiningen mellom motstridende interesser i saken er dette til sjuende og sist et politisk spørsmål. Det er derfor en selvfølge at disse sakene bør legges fram for Stortinget som landets høyeste politiske organ. Det er her vi skal ta avveiningene, det er her vi også skal ta ansvar for den utviklingen som flertallet til slutt går videre med. Når jeg hører på innleggene både fra representanten Astrup og fra representanten Grimstad, så er det jo ikke noen tvil om at her har man definitivt gått inn i de faglige detaljene med hensyn til de forhold som er nevnt i Jeg kan ikke forstå hvorfor man med den detaljkunnskapen, og også den skråsikkerheten som er der, ikke er villig til å legge fram dette som en egen sak med en argumentasjonsrekke, sånn at man får alle innspillene, man får en stor offentlig debatt – at vi kan få høringsuttalelsene inn i Stortinget og ta beslutningen her. Det er jo ikke noe uvanlig ved det. Jeg tror at i et historisk lys ville man – hvis man ser tilbake – se det som helt uakseptabelt hvis en avgjørelse som utbyggingen i Altavassdraget ikke hadde blitt tatt på Stortinget. Når det gjelder vassdragsregulering, er det riktig at det er et lovverk som ligger til grunn, så disse sakene kommer til Stortinget som enkeltsaker. Det ligger også i den beslutningen at der det er vesentlige interesser som står mot hverandre, ikke bare størrelse, skal det legges fram for Stortinget. Dette er enkeltsaker hvor det haster, så vi bør ta det hit. Når det gjelder de store olje- og gassutbyggingene, er det det samme. Vi har Johan Sverdrup-feltet til behandling i komiteen nå. Det er helt naturlig at disse avgjørelsene tas på Stortinget. Når man først gikk inn for å etablere gasskraftverk i Norge, var det heller ingen som satte spørsmålstegn ved om det også skulle legges fram for Stortinget.

Man har ikke utredet det som landdeponi, men hvis landdeponi ikke er noe alternativ, så er kanskje det riktige alternativet at forekomsten forblir i Engebøfjellet inntil man har funnet fram til en ny teknologi. Dette er viktige saker, det er stort engasjement. Venstre har en helt klar mening med forslagene. Vi er imot utviklingen, men at man med forslagets innhold i hvert fall bør ta det til Stortinget, er det uforståelig at man ikke har flertall for. Representanten Ola Elvestuen har tatt opp det forslaget han har referert til og har korrigert en skrivefeil. Forslaget var for så vidt allerede tatt opp, men det gjør ikke noe om man gjør det to ganger.
må de nesten svare på,

Det er altså slik at regjeringen har sagt ja til å gjøre en levende fjord om til en dumpingplass for gruveavfall, der det uomtvistelig er slik at havbunnen vil dø. Denne saken som vi og Venstre har fremmet i fellesskap, er fremmet for å sørge for at store gruveutvinninger kommer til Stortinget. Det handler altså om det som representanten Nikolai Astrup ganske riktig var inne på, og som representanten Marit Arnstad med flere har vært inne på, nemlig om forholdet mellom hvilke beslutninger som det tilligger Stortinget, og hvilke som det tilligger regjeringen, å foreta. Fra forslagsstillernes side, fra Venstre og oss, er det veldig klart at vi ønsker at denne type beslutninger bør komme til Stortinget at de er store, de er prinsipielle, de omfatter mange mennesker, og de omfatter store næringsinteresser. Det er altså slik at veisaker, kraftutbyggingssaker, store petroleumssaker, alle er saker som kommer til Stortinget, og fra vår side er vi klar i oppfatningen av at også disse sakene, som handler om store gruveutbygginger, bør komme til Stortinget. Jeg vil gjerne understreke at regjeringen avskar Stortinget fra å behandle denne saken på en ryddigst mulig måte da de fremmet sin beslutning om Engebøfjellet og i Førdefjorden før Stortinget var ferdig med å behandle denne saken. Hadde regjeringen hatt mindre hastverk og mer fingerspitzgefühl, ville de latt være å avgjøre denne saken til Stortinget hadde behandlet den ferdig. Det har de ikke gjort, men fortsatt ligger utvinningstillatelsen på Kongens bord og skal avgjøres av Kongen i statsråd, og derfor finner vi det betimelig å opprettholde det som er forslagene våre, og som også har vært opprettholdt av tidligere talere. Dette er en sak hvor det er slik at hvis du har stått på Engebøfjellet og sett på den storslåtte naturen som regjeringen vil såre, hvis du har lyttet til næringslivet som omsetter for mellom 10 og 20 mrd. kr, og som allerede finnes der – og som oppfatter denne gruveutbyggingen med avfallsdeponiløsningen som en trussel mot sin rene eksistens og mot den rene sjømatnæringen som førende – og hvis du har møtt menneskene som regjeringens politikk rammer, kan det hende at du hadde blitt overbevist om at det å gjennomføre denne gruveutbyggingen med denne deponiløsningen hadde vært feil. Jeg har gjort det, mange av mine medpolitikere har gjort det, men regjeringen har valgt å la være å gjøre det. De har valgt å la være å møte folkene og næringslivet som de nå rammer, og de har latt være å høre på de miljøfaglige De miljøfaglige rådene er entydige. Selv om regjeringen prøver å framstille det på en annen måte, er de entydige. I brev fra Miljødirektoratet fra november i fjor står det svart på hvitt at deres «vurdering er at de miljøfaglige hensynene tilsier at innsigelsen bør tas til følge». Miljødirektoratet sier samtidig: «I denne vurderingen har vi ikke foretatt en fullstendig veiing av miljøhensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn.» Det tilligger det politikerne å gjøre. Senere ble Miljødirektoratet imidlertid bedt om å gjøre dette, men de miljøfaglige rådene til reguleringsplanen som sa ja til deponi, og som godtok denne saken, var klokkeklare. Jeg synes det er viktig at Engebøfjellet og Repparfjord-saken som vi også behandler her i dag, får den oppmerksomheten de fortjener, og jeg vil derfor at vi støtter de forslagene selv om jeg ser at det ikke skjer. Presidenten vil minne representantene om Stortingets forretningsorden § 55 Taleregler. Der heter det at taleren bør holde seg strengt til den saken som er under debatt.

er om dette er en velbegrunnet beslutning. Representanten Astrup slo fast at Miljødirektoratet har konkludert med at det er miljømessig forsvarlig å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Men det har de ikke gjort. Det de har gjort, er å foreta en sammenligning mellom det å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i et rikt og uberørt fjordmiljø og det å høste angivelig 300 – eller hvor mange det skal være – arbeidsplasser av denne virksomheten. Det er en sammenligning som på alle mulige måter er helt umulig, og det er en sammenligning som er politisk. Det Miljødirektoratet har gjort, er å konkludere på miljøsiden med at alle konsekvenser av denne virksomheten er negative for miljøet. Hver eneste faktor som Miljødirektoratet har vurdert, har de konkludert med at har negativ miljøeffekt. Men så har de, i samsvar med forurensningslovens krav, dette opp mot de samfunnsøkonomiske fordelene og kommet til den konklusjon at det gigantiske miljøinngrepet vi her snakker om, ikke har skadevirkninger som oppveier de antatte samfunnsøkonomiske fordelene. Dette er prinsipielt særdeles viktig fordi det berører forutsetningene for hvordan vi skal planlegge næringsvirksomhet i Norge i framtida. Det som må være helt udiskutabelt, er at dersom vi skal klare å utvikle en næringsvirksomhet i Norge i framtida som ikke gjør det dagens næringsvirksomhet gjør og gårsdagens næringsvirksomhet har gjort, nemlig å redusere det biologiske mangfoldet, spise natur og påvirke klimaet på en måte som kommer til å skade generasjoner etter oss, klare å unngå det, må vi stille strengere miljøkrav. Vi kan ikke bruke de samme kravene og det samme faktagrunnlaget som vi har brukt til nå, og vi kan i hvert fall ikke gjøre det når vi ser at vi kommer til de samme konklusjonene som vi gjorde for 50 år siden, for 25 år siden om den typen inngrep, nemlig at ja 300 arbeidsplasser er bra nok til å rasere hele den indre delen av Førdefjordens bunnøkosystem. Det er nettopp da Stortinget må ta sitt ansvar og forsøke å løfte fram spørsmålet om hvorvidt dette er godt nok utredet og hvorvidt det går an å be om nye utredninger. Jeg ser fram til at denne saken, selv om jeg ser at den utfordrer en etablert skillelinje mellom hvem som skal gjøre hvilke forvaltningsbeslutninger, kan åpne for en mer dyptgående debatt om hvordan vi behandler denne typen kjempeinngrep i norsk natur og denne typen sammenligninger mellom inngrep og antatte fordeler for samfunnet.
Etablering av gruvevirksomhet vurderes etter flere regelverk som skal sikre at ulike hensyn ivaretas. Regelverkene sikrer også at sakene blir godt utredet, og at demokratiske prosesser ivaretas. Det er kommunene som er ansvarlige for at arealplanleggingen skjer i tråd med plan- og bygningsloven, og at planer for virksomhet blir tilstrekkelig konsekvensutredet. Dersom arealplan vedtas, må miljømyndighetene vurdere om tillatelse skal gis etter forurensningsloven, og hvilke vilkår som skal fastsettes for å ivareta miljøhensynene. Jeg mener det er positivt med engasjement i hvordan saker om etablering av gruvevirksomhet best mulig kan behandles for å sikre at alle ulike hensyn ivaretas, ikke minst miljøhensynene. Jeg er tilfreds med at flertallet i komiteen mener at det regelverket mineralnæringen omfattes av, sikrer grundige og faglige vurderinger, og at regjeringen fortsatt bør ha ansvaret for at saksbehandling i disse sakene ivaretas på en tilfredsstillende måte. Komiteens flertall har også understreket at miljøfaglige råd må være grunnlaget for de politiske konklusjoner som foretas, og at bærekraftig utvikling er rammen om enhver konklusjon. Jeg er glad for denne presisering fra komiteen, som vi har fulgt opp i de beslutninger vi har fattet når det gjelder gruvevirksomhet i Engebøfjell. Det er få prosjekter som har vært så grundig utredet av fagmiljøene for å minske usikkerhet som denne saken, uten at fullstendig enighet i alle fagmiljøer er oppnådd. Jeg kan forsikre komiteen om at det vil stilles strenge miljøkrav til de enkelte tillatelser som gis, og at miljø- og ressurssituasjonen skal overvåkes nøye der tillatelser blir gitt. Jeg kan også forsikre om at det vil bli gjennomført nødvendige reaksjoner dersom vilkår ikke overholdes. Komiteens flertall foreslår at regjeringen ved nye søknader om mineralsk virksomhet skal stille krav om at ulike alternativer for deponiløsning konsekvensutredes, dette for at alle relevante faglige vurderinger framkommer før beslutning tas. Jeg kan forsikre Stortinget om at regjeringen også vil være opptatt av at alle relevante faglige vurderinger framkommer. I den forbindelse vil jeg også vise til den plikt kommunene har til å sørge for at det blir gjennomført konsekvensutredninger i forbindelse med planforslag etter plan- og bygningsloven. Det framgår av dette regelverket at konsekvensutredninger skal redegjøre for vurderte alternativer i plansaker, og også at relevante og realistiske alternativer skal konsekvensutredes. Jeg mener dette gir et godt grunnlag for bl.a. å påse at kommunene vurderer alternativer til sjødeponi i gruvesaker, og at alternativer konsekvensutredes der disse anses som relevante og realistiske. Jeg har merket meg at flertallet foreslår vedtak om at regjeringen bør igangsette arbeidet med å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved Jeg mener dette er en viktig problemstilling. Jeg stiller også vilkår i tillatelsen til gruvevirksomhet i Engebøfjell om at bedriften kontinuerlig skal arbeide med å redusere mengden masser som må deponeres, gjennom å finne alternativ anvendelse. Det blir replikkordskifte. Jeg er glad for to elementer i statsrådens innlegg til Stortinget nå. Det ene er at jeg oppfatter det slik at dette med konsekvensutredninger, og at en gjennom Stortingets vedtak må stille krav om at de ulike deponiløsningene konsekvensutredes i hvert enkelt tilfelle, er en styrke for framtidig behandling av denne type saker. Kan statsråden bekrefte det, og dernest redegjøre litt for Stortinget for hvordan statsråden vurderer mulighetene for at også staten på et mer aktivt nivå kan delta i forhold knyttet til å redusere behovet for deponering ved at en kan bruke gruveavgangsmassene på en bedre måte og en mer miljøriktig måte?
Det er kommunene som er planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og som vedtar planprogram og vurderer konsekvensutredninger for større mineraluttak og om de er tilfredsstillende. Så er det viktig at staten stiller krav om deponiløsninger. En har også i tillatelsen i Engebøfjell stilt krav om at en skal minimalisere behovet for deponi. Så har det vært en lang og grundig prosess i hvor det ikke har framkommet på noe tidspunkt at et landdeponi ville være mer miljøfaglig å anbefale enn et sjødeponi. Men det er viktig når vi har mineralnæring i Norge, at staten også går inn og i samspill med bedriftene ser om det er mulig å minimalisere behovet for å deponere gruveavfall.
Jeg fikk egentlig ikke noe veldig klart svar på det med konsekvensutredninger i forbindelse med framtidig mineralsk aktivitet i Norge. Kan statsråden svare ja eller nei på: Er det naturlig at en bør konsekvensutrede de ulike deponiløsningene ut fra de vurderingene og de betraktningene hun selv nå tar i tilknytning til de erfaringene en har fra de to omtalte sakene, henholdsvis i Førdefjorden og Repparfjorden? Burde det ikke vært naturlig at en stilte krav om konsekvensutredning på et tidligere tidspunkt, og at det kanskje lå i tilknytning til mineralloven? Det er jo kommunene som er planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og som vedtar planprogrammet og vurderer om konsekvensutredninger for større mineraluttak er tilfredsstillende. Statlige etater deltar også i og konsekvensutredninger. Jeg mener at det regelverket ivaretar på en god måte behovet for at relevante faglige vurderinger framkommer før beslutning fattes. Men så ser en jo nå hva Stortinget kommer til å vedta her. Da mener jeg at regjeringen må komme nærmere tilbake til det forslaget og se hvordan dette også skal følges opp i praksis. Forskrift om rammer for vannforvaltningen er Norges lovfesting av EUs vanndirektiv. I §§ 4–6 i forskriften blir miljømål for ulike typer vannressurser beskrevet, og her går det igjen som et prinsipp at det er ikke gitt anledning til at vannressurser kan få forringet kvalitet. Når det gjelder Repparfjorden, vet vi at det er snakk om utslipp av metaller som er på EUs prioriterte liste over stoff som man skal søke å redusere utslipp av. Har departementet og statsråden vurdert hvorvidt Norge har en god eller dårlig sak hvis utslippstillatelse i Repparfjorden skulle bli klaget inn for ESA?
Nå dreier jo denne saken seg om noe annet enn Repparfjorden, men som en del av regjeringens arbeid når det gjelder både Førdefjorden og Repparfjorden, går vi inn og vurderer sakene i lys av EUs vanndirektiv. Statsråden påpeker stadig vekk i sitt innlegg grundigheten i det arbeidet som her er

beslutning. Da blir mitt spørsmål: Er statsråden enig med Miljødirektoratet i at de motstridende avveiningene av interessene i forbindelse med Førdefjorden først og fremst er en politisk vurdering? Jeg mener fremdeles at det er grunnlag for å si at denne saken har vært grundig utredet. Det har vært helt fra Naustdal og Askvoll kommuner vedtok sitt plangrunnlag, og de kravene til nye spørsmål som forrige regjering stilte rundt sjødeponi. Det har vært avklart mange problemstillinger underveis i dette. Så har vi behandlet saken etter plan- og bygningsloven, etter mineralloven og etter forurensingsloven, men til syvende og sist er det regjeringen som så har fattet sitt vedtak i lys av de anbefalinger som vi har fått underveis. Men jeg mener at man vel sjelden kan se en sak som har vært så grundig utredet, stilt så mange krav til, også nå når det gjelder utslippstillatelsen, stilt så strenge miljøkrav til som her er gjort, også til overvåkning av sjømattrygghet.
Det hadde vært greit om vi hadde en statsråd som var i stand til å svare ja eller nei på spørsmålet: Er dette til syvende og sist en politisk vurdering? Det åpenbare svaret er jo ja. De miljøfaglige argumentene er mot. Det fremkommer også i Miljødirektoratet sitt brev. Jeg vil gå til forslag til vedtak II, som kommer til å bli vedtatt her i dag: «Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser.» Det sentrale spørsmålet til statsråden i denne anledning er følgende: Kommer statsråden til å gjøre dette, gjennomgå de utslippstillatelsene som er gitt allerede, før denne saken behandles i statsråd, med utgangspunkt i at Stortinget ønsker en innstramming for å redusere utslippene av masser i
Jeg mener det er viktig å se nærmere på om det er mulig å redusere deponeringsbehovet i framtiden, og jeg har sagt jeg vil komme tilbake til Stortinget om det. I utslippstillatelsen til Nordic Mining har jeg nettopp stilt et vilkår om at bedriften kontinuerlig skal arbeide for å redusere masser som må deponeres, gjennom å finne alternativ anvendelse. Men så vet vi at ved utvinning av de fleste typer mineralforekomster vil det være betydelige overskuddsmasser, så også i framtiden vil det være nødvendig å vurdere gode deponeringsløsninger for gruveavgang. Men som sagt: I den utslippstillatelsen som vi har gitt, har vi stilt et vilkår om å arbeide kontinuerlig for å redusere massene som må deponeres, gjennom å finne alternativ anvendelse.

for vi har altså en god del kunnskap om ulempene, miljøinngrepene. Spørsmålet er: Når dette prosjektet eventuelt nærmer seg realisering, og vi får vite hvor mange arbeidsplasser vi faktisk får, hvor mange skatteinntekter vi faktisk får, har statsråden forberedt seg på og gjort seg opp noen mening om hvor grensa går for at de samfunnsmessige fordelene blir for små til å akseptere å ødelegge bunnen av den indre Førdefjorden? Regjeringen har jobbet lenge med denne saken, og det er foretatt avveininger, det er lyttet til gode, faglige råd, og det er stilt de strengeste miljøkrav som noensinne er stilt til et sjødeponi. Det skal overvåkes. Det nå å gi et svar på hvor den grensen går, ikke relevant. Utslippstillatelsen er gitt ut fra de opplysningene vi hadde da vi ga utslippstillatelsen, og det er viktig for oss å følge opp at utslippstillatelsen blir fulgt opp, at det blir overvåket, og at det blir ivaretatt. De vurderingene ble foretatt da vi besluttet i saken og ga utslippstillatelsen 17. april.

og har med dette lagt til rette for eit industrieventyr i Sunnfjord og Sogn og Fjordane. Vi i Høgre er klare på at vi ønskjer ei ny næringsutvikling som kan skape verdiar, og som kan finansiere velferdssamfunnet vårt etter kvart som inntektene frå oljenæringa minkar. Mineralutvinninga i Engebøfjellet vil kunne skape 300 arbeidsplassar i Sogn og Fjordane og totalt 500 arbeidsplassar nasjonalt. Det skal investerast 2 mrd. kr i gruvedrifta. Prosjektet vil gje eit bidrag til norsk verdiskaping på om lag 500 mill. kr per år dei 50 åra ein reknar at gruvedrifta skal vare. Sogn og Fjordane treng desse arbeidsplassane, og verda treng rutil frå førekomstane i Engebø. Det vi ser i denne saka, er eit forsøk på omkamp og trenering partia som ikkje ønskjer gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Det er tragisk å sjå at Senterpartiet har hengt seg på dette, og at dei er villige til å ofre eit av dei største industrieventyra i Sogn og Fjordane for billige og populistiske standpunkt. Då tidlegare statsråd Bård Vegar Solhjell bad om ny informasjon i 2013, bad han ikkje om å få greidd ut alternative deponiløysingar. Det gjorde heller ikkje Senterpartiet, som då sat i regjering. Her er lista over Solhjell sine nye krav om utgreiingar i 2013: Dokumentasjon av sirkulasjonsmønsteret i fjorden og risiko for partikkelspreiing under og etter deponering. Ytterlegare kartlegging av eventuelle gyteområde for fisk og av truga, nær truga og verdifulle artar og naturtypar i deponiområdet. Bedrifta skal oversende ein meir spesifisert plan for deponering av avgangsmassar basert på nærare undersøkingar og vurderingar av korleis utsleppet bør arrangerast for å minimere risiko for spreiing av finpartiklar. Ei utgreiing av bore- og sprengingsmønsteret bedrifta vil nytte, kva lydtrykknivå som vil følgje av dette . Informasjon om tilførsel av ferskvatn, eventuelt behov for vassdragsregulering og konsekvensar for naturmangfald og vassmiljøtilstand. Kvifor sette ikkje Solhjell og Senterpartiet krav om utgreiing av landdeponi då dei hadde sjansen til Svaret er vel så enkelt som at det allereie hadde blitt greidd ut – og forkasta. Eg vil gje ros til regjeringa for eit svært grundig og omfattande utgreiingsarbeid. Regjeringa har teke ei klok og modig avgjerd i Engebø-saka. Både Nordic Mining, Naustdal kommune og Askvoll kommune vil leggje til rette for opne og gode prosessar i det vidare arbeidet med å starte opp gruvedrift i Engebøfjellet. Eg er trygg på at når gruvedrifta startar om

sider. Det er forunderlig å erfare at Arbeiderpartiets og Trond Giskes nasjonale strategi om en satsing på mineralnæringer etter bare fire år blir skrotet av det samme Arbeiderpartiet. Det er også forunderlig at vi i spørretime etter spørretime hører på Arbeiderpartiets klager om at arbeidsledigheten har gått opp, samtidig som de i dette forslaget gjør det enda vanskeligere for gruveselskaper å etablere seg vi kan få hardt tiltrengte arbeidsplasser i distriktene i Norge. Forslaget fra Arbeiderpartiet er en tydelig og klar innskjerping av regelverket – og vil koste eventuelle nye selskaper dyrt – selv om Norge allerede har de strengeste kravene til utslipp og reguleringer som eksisterer i verden. Man kan bare undres over om Arbeiderpartiet overhodet ønsker arbeidsplasser velkommen. Jeg klarer heller ikke å la være å forundre meg over hvor utrolig svart-hvitt denne typen saker blir omtalt og framstilt. Objektiviteten er ofte fraværende. Lederen av komiteen, som er negativ til gruvevirksomhet, uttalte på tv vedrørende utslippstillatelse i Førdefjorden at vi som nasjon måtte lære av feilene som var blitt gjort av AS Sydvaranger med utslippene der, og at Bøkfjorden ved Kirkenes var død. Jeg kan informere komitélederen om at Bøkfjorden er langt ifra død. Det fiskes torsk, hyse, sei, laks og sjøørret en masse på innsiden av der deponiet befinner seg. Fjorden er for øvrig rik på steinbit, kveite og kongekrabbe. Men kraftutbyggingen av Pasvikelva, som tok knekken på vår største storvokste laksestamme i Norge, ble ikke nevnt med et ord. Eller kanskje jeg skal si det på en litt annen måte: Om jeg en dag skulle få bruk for å handle en bruktbil, ville det ikke bli av komitélederen, for da ender jeg sannsynligvis opp med en sykkel.
Då eg som lokalpolitikar i 2011 var med og behandla reguleringsplanen for Engebø-prosjektet i Førdefjorden, var det store ubesvarte spørsmål knytte til konsekvensane av sjødeponi. Nokre etterlyste meir kunnskap om miljøkonsekvensane og ville ha utgreiing av og nokre var villige til å ta sjansen uansett konsekvensar. Dei fekk fleirtal. Etter denne avgjerda har det kome til vesentlege nye opplysningar både frå tilleggsundersøkingane som vart sette i verk av dåverande miljøvernminister, frå Miljødirektoratet og ikkje minst frå ei samla sjømat- og reiselivsnæring. Undersøkingane viser at eit stort fleirtal av folket i regionen ønskjer å lytte til frårådingane om sjødeponi. Det er difor gode grunnar til å tru at lokaldemokratiet i 2015 vil seie noko anna enn i 2011, om det får sjansen. Det er eit stort feilgrep i prosessen at landdeponi ikkje har vore skikkeleg utgreidd. Vi veit ikkje kva landdeponi vil innebere av arbeidsplassar, og vi veit heller ikkje kva det vil innebere av miljøkonsekvensar. Vi veit berre at sjødeponi truleg er den rimelegaste løysinga, og det er ei løysing som gjer det umogleg å nytte restavfallet til andre føremål i framtida. Det blir no sagt ja til at eit fjell skal hoggast ned, og berre 3–4 pst. av det skal nyttast. Resten skal i Førdefjorden, som attpåtil er nasjonal laksefjord. Samspelet mellom politisk vilje og næringslivet sin kompetanse er det som gjev innovasjon, nye miljøløysingar og lønsame og Venstre seier ikkje nei til gruvedrift, og vi har no moglegheit til å seie ja til ei gruvedrift der produktet ikkje berre er rutil, men der innovasjon i miljøteknologi knytt til avfallshandtering i bergverksindustri kan bli like interessant. Går vi rett på den enklaste og rimelegaste løysinga med dumping i fjordane, må vi også gå ut frå at samfunnslønsemda i prosjektet er høgst diskutabel, når vi veit at her står store næringsinteresser i motsetnad til ønsket om sjødeponiet. Sjømatnæringa, representert ved bedrifter som omset for 16 mrd. kr, stadfestar det. Lakseeksportørar kan allereie varsle om negative reaksjonar frå kundane på regjeringa sitt vedtak om sjødeponi. Vi er no i ferd med å gjere eit vedtak som skriv seg inn i historia blant dei største miljøskandalane i moderne tid, utan eingong å vite kva andre moglegheiter vi har. Uavhengig av kvar vi står når det gjeld vilje til å ta risiko som rammar naturen til fordel for næringsverksemd, må vi kunne einast om at når vi står framfor omfattande problematiske tiltak, som attpåtil både Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet rår frå på fagleg grunnlag, må iallfall alle andre alternativ til deponi utgreiast først.
det nødvendig at vi får saken fra saksbehandling til endelig avgjørelse, i respekt for dem som i denne saken har søkt om tillatelse, og i respekt for dem som eventuelt kommer til å søke om tillatelse, og ønsker å følge Stortingets mineralstrategi og starte virksomhet i Norge. Mindretallets forslag om å foreta en ny konsekvensutredning er etter mitt skjønn nokså forunderlig. I denne saken er reguleringsplanen endelig vedtatt og kan ikke påklages. Det er vurdert at tillatelse ikke strider mot nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Dersom forslaget om alternativ deponeringsløsning nå skal konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven, innebærer det i realiteten at beslutningen må omgjøres, til skade for dem vedtaket retter seg mot. Jeg tviler på om det er rettslig grunnlag for å gjøre det. For meg blir det svært underlig med et forslag i denne saken hvor man skal pålegge forvaltningen å omgjøre sitt eget vedtak, når vedtaket er fattet i henhold til de lover og regler som Stortinget har vedtatt. Hvis man er uenig i tolkningen av reglene, har vi et domstolsapparat som er klar til å ta imot saken, hvis det skulle være nødvendig. I denne og de kommende sakene vi skal behandle, tror jeg det er et gyllent og godt prinsipp at Stortinget vedtar lover, mens regjeringens oppgave er å styre på grunnlag av de lover og regler som Stortinget vedtar. Det andre som gjør forslaget litt merkelig, er at en tidligere miljøvernminister, som vi har hørt, har fått avklart at landdeponi ikke er noe alternativ. Jeg tror vi alle sammen er enige om at gruvedrift normalt medfører store naturinngrep. Derfor er det viktig at vi har gode og strenge regler for å kunne gi tillatelse til gruvedrift. Vi har strenge regler. Ja, vi har i tillegg en helt ny minerallov og en helt ny, gjennomarbeidet mineralmelding vedtatt i denne sal. De beslutningene som har kommet i denne saken, er bygd på dagens gode og gjennomarbeidede regelverk Jeg vet ikke om det er god latin å spekulere, men jeg undrer meg på om mindretallet ikke ønsker gruvedrift i det hele tatt. Da er det bedre å forby det enn å drive obstruksjon gjennom en uendelig saksbehandling. Så til slutt: Fra opposisjonen har vi flere ganger hørt at vi må få flere bein å stå på, og vi må komme med tiltak, spesielt når vi har en økende arbeidsledighet, og en oljeindustri som sliter. Skal vi skape nye arbeidsplasser, spesielt i områder som har store utfordringer, må vi legge til rette for at vi kan ta våre ressurser i bruk. Denne virksomheten vil gi svært mange nye arbeidsplasser i et distrikt som har stort behov for det. Når virksomheten i tillegg har kommet seg gjennom et av verdens strengeste regelverk når det gjelder miljøkrav, er det rett og rimelig at vi gir dem tillatelse til drift.

Og det felte de oss på. Jeg satt tilfeldigvis i den regjeringen. Det handlet ikke om at Stortinget overtok behandlingen av gasskraftverk. De ønsket å endre forurensningsloven. Jeg tror det er viktig at vi i denne debatten har et ryddig forhold til hva som er relasjonen, arbeidsdelingen, mellom storting og regjering. Når det er sagt, må jeg også si at jeg på den andre siden blir litt over så harde angrep som de som kom fra representanten Lødemel og representanten Henriksen omkring konsekvensutredning. Når et flertall nå etablerer et system som er forpliktende for framtidige utbygginger når det gjelder konsekvensutredning, er det litt rart at alle framtidige utbygginger, men ikke denne, skal være omfattet av det kravet. Det synes jeg er litt pussig. For Senterpartiets del er det viktig at saken skal være best mulig opplyst, og det er, som representanten Henriksen sier, viktig at vi har gode prosesser. Når det fastsettes et regime med konsekvensutredning for alle andre, bør også en utbygging som dette konsekvensutredes før man iverksetter en beslutning. Det er nokså klart beskrevet i Miljødirektoratets papirer at det ikke har skjedd. De vurderingene som er gjort, er basert på allerede eksisterende informasjon. Det er ikke foretatt noen ytterligere undersøkelser utover det. La meg først avklare: Det er heilt riktig at Miljøverndepartementet i 2012 bad Miljødirektoratet gjere ei vurdering for oss av fleire ulike gjorde ei rask vurdering som dei kom til departementet med, og den viste at etter deira beste skjøn var det alternativet dårlegare enn det føreliggjande sjødeponialternativet. Det er også sant at det ikkje har vorte gjennomført ei konsekvensutgreiing av spørsmålet om landdeponi i samband med Førdefjorden-utbygginga, slik som eit mindretal i komiteen Vi får veldig mange sjansar til å kome tilbake til diskusjonen om Engebøfjellet og Førdefjorden, for den saka er definitivt ikkje avgjord. Etter mitt skjøn har regjeringa gjort eit feilaktig vedtak. Når ein skal setje seg inn i ei så stor og kompleks sak som dette er, prøver eg ofte å tenkje at ein for det første må ta utgangspunkt i eit verdigrunnlag, og det andre ein må ta utgangspunkt i, er det best moglege kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengeleg for ein. I denne saka synest eg verdigrunnlaget vert uttrykt ved det som vert kalla føre-var-prinsippet, som er heilt sentralt i all miljøpolitikk. Kunnskapsgrunnlaget er omfattande, men dei faglege råda vi har, dersom ein ser breitt på dei, er ei sterk åtvaring mot sjødeponi, på basis av at det ikkje oppfyller føre-var-prinsippet, og dei åtvarar mot Etter mitt beste skjøn burde det tilseie at vi burde ha avvist moglegheita for eit sjødeponi i Førdefjorden no. Nokon seier at vi som har fremja forslaget, og som har argumentert for forslaget i komiteen, har håpa at det ikkje vert noko av deponiet. Ja, det gjer eg verkeleg. Og eg mistenkjer nokon av dei som går imot forslaget her i dag, for å håpe at det vert noko av det. Men dersom vi ein augneblink kan sjå forbi det, til det som også er ein del av debatten framover: Dersom mineralnæringa er så stor og viktig for Noreg som mange hevdar, og det til det som også er ein del av debatten framover: Dersom mineralnæringa er så stor og viktig for Noreg som mange hevdar, og det kan ho kome til å verte, dersom det vert så mange slike moglege saker – og eg kjenner til ein del etter kvart som kan liggje «i pipeline» – måtte det definitivt vere på sin plass å kunne diskutere eit vedtakssystem for det, som tek høgd for at dei avgjerdene er viktige. Vi har det i andre typar saker, som komitéleiaren var inne på, og det vi ber om, er at eit slikt system vert lagt fram. Så eg synest innlegget til Senterpartiets parlamentariske leiar var veldig vanskeleg å forstå. Vi ber om at det vert etablert i slike store og viktige saker. Det er også uttrykk for eit syn på kva miljø er, at miljø er ikkje eit lite sidespor i eit næringsprosjekt. Det er eit grunnleggjande omsyn i samfunnsutviklinga. Vi lever av naturen og dei ressursane den gjev, og å forvalte naturen er eit heilt fundamentalt spørsmål. Difor må vedtak som vedkjem miljø, i stortingssalen, på dette området som på andre viktige område. Eg vil berre minne om at representanten Solhjell kunne ha avgjort denne saka i 2013. Eg meiner regjeringa har gjort eit svært omfattande og grundig arbeid det siste året og har kome fram til ein god konklusjon. Deponiområdet i Førdefjorden dekkjer berre 3 km2, noko som er 5 pst. av Førdefjorden. I dette området er fjorden meter djup, og deponiet vil strekkje seg om lag 150 meter opp frå botnen. Det betyr at det blir mellom 100 og 200 meter med tilnærma rein sjø over deponiet. Når gruvedrifta er ferdig, vil vegetasjonen på botnen av fjorden vekse fram att. Erfaringane frå andre gruver med sjødeponi viser at livet på botnen også kjem tilbake. Vidare blir det slege fast i miljøutgreiingane at det er liten risiko for partikkelspreiing frå det planlagde sjødeponiet. Utgreiingane som vart tinga av den førre regjeringa, stadfester at risikoen for partikkelspreiing er låg. Det er derfor liten risiko for at deponiet vil påverke artar som lever utanfor deponiområdet, som t.d. laks, kysttorsk og ål. Det er også liten risiko for skader på nærliggjande oppdrettsanlegg. Det er heller ikkje utslepp av eit slikt omfang at det skader livet i Førdefjorden. Utsleppa inneheld ikkje miljøgifter. Det har aldri blitt sett strengare krav til eit sjødeponi enn for Engebø-prosjektet, og det vil bli oppretta eit overvakingsprogram som vil ha ei streng overvaking av utslepp. Dette vil varsle om avvik ved spreiing og innhald av gruveavfallet – om det er i tråd med utsleppsløyvet. I tillegg er det klare grenser for kjemikaliebruk. Bryt ein utsleppsløyvet, står bedriftene overfor dei strenge sanksjonane som ligg i av dei argumenta som motstandarane av gruvedrift og sjødeponi nyttar, er at sjødeponiet vil gå ut over raudlista fiskesortar, t.d. pigghå, blålange og kysttorsk. Pigghå finst over heile verda, men den ein finn i Nordaustatlanteren, blir rekna som ein eigen bestand. Den har eigne leveområde langs heile norskekysten. Pigghå er kategorisert som «kritisk trua» på den norske først og fremst på grunn av overfiske. Stans av fiske er derfor det viktigaste tiltaket for denne arten. Blålange er kategorisert som «sterkt trua» på den norske raudlista på grunn av overfiske. Det er ifølgje Miljødirektoratet kjende førekomstar av blålange i andre fjordar til samanliknbare djupneforhold i heile området frå Boknafjorden til Kysttorsk er utbreidd langs heile kysten av Noreg. Overfiske er den viktigaste årsaka til bestandsnedgang også for denne fiskesorten. Felles for alle desse fiskesortane er at dei er raudlista på grunn av overfiske. Å hevde at 3 km2 med deponi i Førdefjorden skal ha noko som helst å seie for overleving av desse fiskesortane, er direkte feil

så er det jo slik at selv om man finner fisk i Bøkfjorden, så går det ikke an å underslå de store negative konsekvensene som gruvedumpingene og slamdumpingene i Bøkfjorden faktisk har. Det er veldig mange i denne debatten som påpeker til stadighet at Norge har de strengeste miljøkravene. Det som er sannheten, er at Norge er et av de ytterst, ytterst få land deponi av gruveavfall i sjø. Det er vel fem land som fortsatt gjør dette, så langt de fleste har et mye strengere regelverk for denne type avfall, nemlig at det er forbudt å deponere det i sjø. Det er det vi bør sammenligne oss med. Det er vel også Papua Ny Guinea og Tyrkia, Indonesia Filippinene som fortsatt tillater dette – og vi utvider det! Bøkfjorden er nevnt, med de negative konsekvensene der, og nå er det altså 150 meter med slam som skal plasseres i Førdefjorden. Nå tror jeg også, i likhet med representanten Solhjell, at dette definitivt ikke er over med denne saken. Det er mange ting som er vedtatt, som det ikke er blitt noe av, og det er også mulig for denne saken. Også i Repparfjorden, hvor det er en 30–40 meters dybde, er det faktisk snakk om å dumpe, og da er det 1 400 tonn med kobber i året, 588 tonn med krom, og 240 tonn som vi tillater. Så til representanten Arnstad: Her har vi tre forslag, og det ene forslaget – og det første, som det også ble nevnt – går nettopp på regelendringen, at her må vi ha en lovendring slik at disse store deponisakene faktisk kommer til Stortinget. Når vi nå har de to største sakene som er aktuelle, må selvfølgelig også de – som en naturlig del av den lovendringen – bringes til Stortinget. Jeg mener at vi har et selvstendig ansvar for å gjøre det, fordi det er en så stor debatt. Det er jo ofte slik at det er når regjeringen tar sin beslutning, at befolkningen oppdager hva dette faktisk innebærer, i hvert fall i det brede lag – og da må man ha en mulighet til å delta i den debatten og påvirke resultatet. Og da er Stortinget det eneste riktige stedet hvor beslutningen skal tas, nettopp fordi vi har den høyeste myndigheten; det er vi som skal ta beslutningen til slutt. Det er helt riktig at disse forslagene er lagt inn for å få en grundig behandling, for å få en ny behandling og for å få plassert ansvaret. Jeg synes det er underlig når Arbeiderpartiet og Senterpartiet dekker seg bak en juridisk argumentasjon, i det som fremstår som om man egentlig ikke ønsker å ta standpunkt til saken.

jeg beklager at vi ikke kommer til en konklusjon der vi sier at Stortinget skal få flere av disse sakene til behandling. Jeg merker meg at flertallet toer sine hender og sier at de synes det er greit at regjeringen tar disse beslutningene. Vi – et stort mindretall – ønsker at Stortinget i større grad skulle hatt disse sakene til behandling. Jeg tror at nettopp konsekvensen av at vi får en mineralnæring som ønsker mer utbredelse – og hvis også regjeringen sier at vi skal tilrettelegge for mer utbredelse – er at det hadde vært en fordel å få en sånn type avklaring mellom hvilke saker behandler vi og hvilke saker behandler regjeringen. Det er greit. Det andre er spørsmålet om krav. Der har jeg altså prøvd å stille spørsmålet til statsråden om hun oppfatter det dit hen at det vedtaket som vi fatter nå – romertallsvedtak II – om at vi ønsker at regjeringen skal gjøre en jobb for å se på hvordan man kan «redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser», får noen konsekvenser for utslippstillatelsen for Førdefjorden. Da sier statsråden at det allerede stilles krav til at de kontinuerlig skal se på om de kan redusere mengden gruveavfall som skal deponeres. Men jeg vil si at vi fra stortingsflertallets side uttrykker en ambisjon som går lenger enn som så vi ber regjeringen gjøre en jobb for å redusere gruveavfallet. Da vil jeg si, fra min side iallfall, at jeg synes en sånn type vedtak burde ha konsekvenser og burde ha gjort at regjeringen gjorde en jobb for å se på mengden gruveavfall som skal deponeres, også i de beslutningene som de står overfor i forbindelse med utslippstillatelsen, som skal behandles av Kongen i statsråd. tredje jeg vil si, er til Bjørn Lødemel. Det er så enkelt at han peker på og sier at med disse artene hadde han vondt for å tro at dette ville føre til artenes utryddelse. Problemet er jo nettopp det i miljøpolitikken at det er den samlede belastningen på naturen – ikke liksom at det er ett slag som utrydder alle av én art, men det er det at en spiser herfra, spiser derfra og angripes fra flere kanter som gjør at en får problemer. Til slutt vil jeg bare stille spørsmålet til statsråden om hun har tenkt å dra til Befring og se lokalbefolkningen og Sunnfjord-næringen i øynene før hun fatter denne beslutningen, eller om hun er den typen statsråd som ikke vil se dem som hun overkjører, i øynene. Det er nettopp når representanten understreker at det er overbeskatning av blålange og pigghå som er hovedproblemene for de artene − derfor gjør det ikke noe å ta en del av leveområdene deres i Førdefjorden, det er overbeskatning som er problemet for kysttorsken, derfor spiller det ikke noen rolle hva vi gjør med dem i Førdefjorden, det er bare x pst. av Førdefjordens havbunn som blir ødelagt av dette tiltaket, derfor gjør det ingenting − at vi skjønner hvor nødvendig det er å få løftet denne typen digre miljøinngrep inn der de hører hjemme, nemlig i landets nasjonalforsamling. Da kan vi ta en helhetlig debatt om hva dette egentlig handler om, og en debatt som løfter miljøkravene og helhetskravene opp til det nivået som vi må ha hvis vi skal behandle slike saker ordentlig i framtida. Problemet er jo hele tida at vi anvender gamle standarder. Vi anvender standarder som ikke ses i helhet, som grunnlag for å fatte et vedtak om et massivt miljøinngrep. Det er interessant at et samlet næringsliv som er knyttet til det marine miljøet i Norge, er intenst imot dette tiltaket, fordi de ser helheten. De ser de langsiktige konsekvensene. De ser risikoen og kostnadene. Det gjør man ikke ved å behandle denne saken på den måten som har vært gjort hittil fra regjeringens side. Dette er vår mulighet til å legge til grunn at vi kan flytte så store miljøsaker, inklusive gruvesaker, inn i Stortinget. Derfor håper jeg virkelig at stortingsflertallet − også Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil slutte opp om en slik politikk i framtida og bidra til at om det ikke skjer nå, så vil det i hvert fall bli det som blir lagt til grunn i framtida.
Aller først har jeg lyst til å bemerke til Venstre, som sier at vi dekker oss bak jusen: Jeg føler ikke at verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet dekker seg bak jusen. Vi har vært veldig tydelige på at vi har laget et rammeverk og et lovverk som en må forholde seg til i denne saken. Da kan jeg si at det bør være et problem for Venstre, som gjentatte ganger i miljø- og natursaker er imot regjeringen, at det nettopp er Venstre og Kristelig Folkeparti som er regjeringens parlamentariske grunnlag. Så til Jan-Henrik Fredriksen, som sier at vi skroter mineralstrategien: overhodet ikke! Fredriksen kan umulig ha lest mineralstrategien og de påpekninger som står om at alle deponiløsningene for ethvert mineralprosjekt skal grundig utredes. Er det noe debatten her i dag handler om, er det nettopp om hvorvidt det er grundige utredninger som ligger til grunn for regjeringens beslutning. Statsråden påstår det, men Stortinget diskuterer det. Det er høyst legitimt å sette fram et forslag om at en i framtiden, med nye prosesser, må ha konsekvensutredet de ulike alternativene for deponiløsning. Det som er forunderlig, er at det er regjeringspartiene som stemmer imot det. Det er forunderlig. Det er også veldig forunderlig at de stemmer imot et forslag som har til hensikt å begrense det som er miljøutfordringene med deponering av gruveavgang. Det er høyst bemerkelsesverdig at regjeringspartiene ikke er med på de to forslagene til vedtak. Man kan stille spørsmål om hvorfor i all verden de ikke er det. Statsråden behøver ikke komme tilbake til Stortinget med de forslagene. Det er bare å begynne å jobbe med krav i framtiden om konsekvensutredninger for nye prosjekter og nye søknadsprosesser. Det er bare å starte arbeidet med å få redusert deponeringsbehovet for gruveavgang – enkelt og greit. Hvis det går som jeg antar, vil stortingsflertallet bestemme det i dag. Da er det en klar retningslinje for Vi står altså fast på prinsippene som vi ga uttrykk for i mineralstrategien. Det gjør at vi har litt problemer med forslaget som Marit Arnstad og Senterpartiet har satt fram helt på slutten av komitébehandlingen når det gjelder konsekvensutredning for Engebøfjellet, for vi mener at vi faktisk kunne foreslått det selv da vi satt med regjeringsmakt. Vi må erkjenne det. Vi må erkjenne at Erik Solheim stilte spørsmålet om utredning av landdeponi i Bård Vegar Solhjell bekreftet at det var uaktuelt i 2013. Den vedkjennelsen tar vi med oss, ikke minst med tanke på at vi ønsker å være forutsigbare overfor denne næringen. Men i ettertid er det ingen tvil om hva stortingsflertallet mener, og jeg synes det er høyst merkverdig at regjeringspartiene ikke er for det. Representanten Ola Elvestuen
Det gjelder nettopp det siste, som er forslaget fra Senterpartiet som går ut på en konsekvensutredning, og hvorfor Arbeiderpartiet ikke er med på akkurat denne endringen, for det er nå beslutningen tas. Det har sikkert vært prosesser i den forrige regjeringen, men det er nå dette er oppe til behandling i Stortinget, og det er nå Arbeiderpartiet har en mulighet til faktisk å få til en endring i politikken, og da vil det være starten også på den større endringen når det gjelder de framtidige sakene. Det er ikke sånn at dette er ferdigbehandlet. Her ligger det en klagesak hos statsråden, så det er nå man har muligheten, men velger å dekke seg bak tidligere beslutninger og velger ikke å gå inn på denne problemstillingen også ut fra noen prinsipielle vurderinger av det juridiske og skillet mellom regjering og storting. Men Arbeiderpartiet kunne fått til en endring nå, og de burde gjøre det, men velger ikke å gjøre det.
Representanten Terje Aasland
å forklare hvorfor vi hadde utfordringer med å gå inn på Senterpartiets forslag som kom helt på tampen av komitébehandlingen av denne innstillingen, og at det kan bryte med den forutsigbarheten som vi også er opptatt av. Vi stilte også dette spørsmålet via Erik Solheim i 2012, og hvor Bård Vegar Solhjell bekreftet at landdeponi var uaktuelt i 2013. Det er det ene forholdet. Så dekker vi oss ikke bak noe på noen som helst måte. Vi har i tillegg kommet med et tilleggsforslag i dag, et løst forslag, hvor vi er veldig tydelige på det grunnlaget som må ligge til grunn for regjeringens beslutninger, og som et flertall i komiteen faktisk er enige om i merknader. Men vi mener det er så vesentlig at Stortinget faktisk vedtar dette som et grunnleggende prinsipp for det regjeringen skal gjøre i fortsettelsen når det gjelder denne typen saker. Så jeg mener at Arbeiderpartiet er veldig tydelige, og i motsetning til andre er vi kanskje også veldig forutsigbare. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og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

Jeg vil starte med å takke Senterpartiet for initiativet til å ta opp en så viktig sak, som også har vært debattert flere ganger i Stortinget det siste året. Luftfarten er en sentral del av transportsystemet i Norge. Luftfarten er viktig både for bosetting og for næringslivet. Luftfart i Norge stiller spesielle krav til operativ kompetanse og ferdigheter, som følge av bl.a. topografien og værforholdene vi har i landet vårt. Vi vet også at EU-kommisjonen ser på luftfarten, spesielt ansettelsesforholdene innen luftfart, og tar sikte på å legge fram en ny luftfartspakke mot slutten av året. Samferdselsdepartementet er også i ferd med å avslutte arbeidet med en rapport om konkurranse og globalisering i sivil luftfart generelt og utfordringene dette skaper for norsk luftfart spesielt. Rapporten er planlagt lagt fram nå i vår og skal sendes på høring. Som man vil se av saken, vil flertallet i komiteen ikke gå inn for et vedtak om en stortingsmelding om norsk luftfart nå. Deres vurdering er at en eventuell stortingsmelding om sivil luftfart er mest hensiktsmessig å ta etter høringsrunden som vil bli gjennomført med basis i regjeringens rapport om globalisering og konkurranse i luftfarten. Det betyr i hvert fall at man har forhåpninger om at det vil komme en melding. Det er særdeles viktig at man opprettholder dagens strenge sikkerhetsnivå innenfor luftfarten. En stor del av regelverksutformingen innen luftfart skjer på europeisk og internasjonalt nivå, og det er viktig at Norge har en aktiv rolle i dette arbeidet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet deler forslagsstillernes bekymringer for at konkurransen i luftfarten ikke bare har gitt positive resultater for konsumenter og samfunn. Disse medlemmene mener at konkurransen i luftfarten har kommet til et punkt der dette medfører en usunn og uholdbar konkurranse. Vi husker også markeringen som var utenfor Stortinget før jul, av Norsk Flygerforbund, der de bl.a. delte ut boka som har lest den, ser de utfordringene som er innenfor denne bransjen. Regelverk og tilsyn omgås i dag gjennom oppsplittede selskapsstrukturer og kreative ansettelsesmodeller. Manglende europeisk samordning har igjen etterlatt smutthull som muliggjør sosial dumping og kynisk utnyttelse av personell innen luftfartsnæringen. I dag kan et flyselskap ha kontrakt på ruter i ett land, ha flymaskiner registrert i et annet, være eid av et tredje land og drive såkalte baser for de ansatte i både et fjerde og et femte land. Bransjen består i dag av holdingselskaper, investeringsselskaper, driftsselskaper og bemanningsbyråer, gjerne med forskjellig geografi og forskjellig jurisdiksjon. Den manglende internasjonale samordningen og reguleringen av bransjen er noe som utnyttes til fulle av ulike aktører innen luftfarten. Hvis vi ikke klarer å få stoppet denne utviklingen, vil nok dette bare akselerere – nye selskap vil ta etter, vi ser tendenser til det. Arbeiderpartiet mener det haster med å få på plass en egen stortingsmelding om luftfart, derfor støtter vi forslagstillernes forslag og har derfor fremmet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i løpet av høsten 2015 fremme en egen stortingsmelding om norsk luftfart.»

Men først når flya står på bakken, forstår vi kor avhengige vi er av ein velfungerande luftfart. Vi har fått nokre påminningar om at det å fly ikkje er eit luksusgode som vi fint kan klare oss utan. I 2010 under oskekrisa – var ikkje luftfarten si rolle i eit moderne land som Noreg til å misforstå. Utan luftfart stansa Noreg! Avregulering og globalisering av marknaden for lufttransport stiller nye krav til aktørane, både myndigheiter og selskap. Behovet for å sikre norske selskap gode rammevilkår og må balanserast mot behovet for å sikre rettane til dei tilsette. Samferdselsdepartementet er i ferd med å avslutte arbeidet med ein rapport om konkurranse og globalisering i sivil luftfart generelt, og utfordringane dette skaper for norsk luftfart spesielt. Rapporten er planlagd lagd fram våren 2015, og han vil då bli send på offentleg høyring. Framfor å ta stilling til spørsmålet om ei eiga stortingsmelding om luftfart no synest det mykje meir hensiktsmessig å ta dette etter høyringa, slik at vi får med både kommentarar og viktige innspel. Behovet for luftfart vil fortsetje å auke i framtida, noko som vil krevje kraftige investeringar. Vi har eit stort ansvar for å gjere norsk luftfart berekraftig, og eg ser fram til det vidare arbeidet i lys av kommentarar og dei innspela som kjem etter høyringa om globaliseringsrapporten.
Luftfartsbransjen er i dag en bransje som står overfor større endringer, ikke minst økt globalisering og avregulering. Gamle strukturer brytes opp, nye finner sammen, og nye utfordringer står i kø. Dette er et krevende område å manøvrere i for alle – for aktører, kunder og ansatte – og ikke minst innen det politiske systemet. Vi vet at EU-kommisjonen ser på ansettelsesforholdene innen luftfarten og tar sikte på å legge fram en luftfartspakke mot slutten av året, og Norge er veldig avhengig av en samkjøring med resten av Europa. Jeg vil rose samferdselsministeren som har tatt dette initiativet overfor Brussel, for nettopp å se på hva vi kan gjøre sammen. vet vi, som flere har nevnt, at Samferdselsdepartementet nå jobber med en rapport om konkurranse og globalisering i sivil luftfart generelt, og ikke minst med de utfordringene dette skaper for norsk luftfart. For oss er det viktig å se dette området i en mye bredere sammenheng, og ikke minst Behovet for å sikre norske selskap gode rammebetingelser og like vilkår som konkurrentene må balanseres mot behovet for å sikre de ansattes rettigheter. Hele dette området er ikke svart-hvitt. Det er liten tvil om at vi også må legge grunnlaget for en sikker og bærekraftig næring hvor de norske aktørene får mulighet til å konkurrere på like vilkår som andre aktører. Luftfartsbransjen i Norge må ikke bli akterutseilt og heller ikke bli behandlet som en vernet bransje. Alt dette vil vi få informasjon og kunnskap om når rapporten ligger på bordet. Uansett ønsker vi vel alle at flest mulig norske arbeidsplasser blir beholdt innen bransjen, men at vi også må fornye oss for å takle den økte globaliseringen, er det ingen tvil om.

luftfart. Luftfarten er samtidig det eneste transportmiddelet som gjennom bruk er selvfinansierende. Avreguleringen av luftfart i Europa har siden 1990-tallet medført utstrakt konkurranse og effektivisering, noe som har gitt et betydelig og ønsket fall i prisene på flyreiser. Avregulering har dermed gjort flyreiser langt mer tilgjengelig for alle. Det er viktig å merke seg at billigere reiser ikke skyldes aktørenes velvilje, men faktisk er et resultat av avregulering og konkurranse en konkurranse som fram til et visst punkt er formålstjenlig og hensiktsmessig for både konsumenter og samfunn. Samtidig er det åpenbart at konkurransen i luftfarten nå har kommet til et punkt hvor kostnader gjenstår som det eneste innovative elementet. Like regler er ikke lenger tilstrekkelig, og oppfinnsomheten og innovativiteten rettes nå mer og mer mot omgåelse av enhver begrensning ut fra eiers interesser – lover, regler, samfunnsplikt, arbeidsgiveransvar, tilsyn kostnadskutt nå vil derfor kun tjene eierinteresser på bekostning av kunden, ansatte i luftfarten samt samfunnets interesser. Flyselskapene etablerer produksjonsbaser – med andre ord et nettverk av flyruter i den stat der kjøpekraften og etterspørselen etter flyreiser er høy. Flyselskapene bestemmer også fritt i hvilken stat mannskapsbasene skal ligge. Flyselskapet bestemmer også i hvilken stat flyene skal registreres. Summen av dette muliggjør en usunn og uholdbar konkurranse overfor de tradisjonelle nettverksselskapene: mannskapsbaser i den stat der man finner dette rimeligst, der sosiale lover og regler er svakest, og tilsyn og flyregistrering i den stat flyselskapet finner mest hensiktsmessig og der gebyrregulativet er lavest. Derimot skal selve ruteproduksjonen – flytilbudet, markedet, altså sentrum for selve luftfartsaktiviteten – skje i den stat hvor kjøpekraften er Norske myndigheter må derfor jobbe for å motvirke en utvikling der også de tradisjonelle nettverkselskapene innfører samme praksis ved at også deres flygende personell i framtiden ikke lenger tilbys faste ansettelser, med den konsekvens at hele denne sikkerhetskritiske yrkesgruppen «tvinges» til nærmest å leve på siden av samfunnet, uten tilgang til de sosiale rettigheter og plikter som vi for gitt i Norge. For å understreke hva slike kontrakter faktisk innebærer er det viktig å nevne at disse medfører at piloten kun får lønn når han/hun er på jobb, samtidig som piloten under trussel om kontraktsterminering påføres et juridisk ansvar for oppfyllelse av egen arbeidskontrakt. Dette gjør at piloten i ytterste konsekvens selv blir økonomisk ansvarlig for sin erstatter ved f.eks. sykdom eller graviditet. om ikke dette er nok, finnes det også i Europa i dag eksempler på at piloter faktisk betaler for å arbeide, gjennom å kompensere selskapet for flytimer, utsjekk på flytype eller grunnleggende utdannelse som kadett. Arbeidsgiveransvaret blir selvsagt en saga blott, og den enkeltes rett eller mulighet til å organisere seg totalt fraværende. Da sykdom medfører økonomisk tap eller fullstendig bortfall av inntekt og derav muligheten til å forsørge seg selv og sin familie, er det stor risiko for at dette medfører at piloter med slike kontrakter vil befinne seg bak spakene med ansvar for hundrevis av flypassasjerer når de burde ha holdt seg hjemme. Regelverk og tilsyn omgås i dag gjennom oppsplittede selskapsstrukturer og kreative ansettelsesmodeller. Manglende europeisk samordning har igjen muliggjør sosial dumping og kynisk utnyttelse av flygende personell innen luftfartsnæringen. Stoppes ikke denne utviklingen i luftfarten, er det stor sannsynlighet for at man mister kontrollen med denne samfunnskritiske infrastrukturen. Liberaliseringen av arbeids- og hviletidsbestemmelser utgjør dessuten sammen med oppsplittede selskapsstrukturer og kreative ansettelsesmodeller en betydelig sikkerhetsrisiko. For å stoppe denne utviklingen er det essensielt at vi tar grep nå. Derfor har vi – i dette bildet – foreslått

som også er spennende. Det er en viktig klynge for norsk økonomi, og det er viktig for hverdagen til folk – muligheten til å reise enten i jobb- eller fritidssammenheng, muligheten for næringslivet til å kommunisere med hverandre fysisk, reise i møter, treffe hverandre – og det er viktig for det politiske landskapet. Da jeg nylig kjørte E10, var det mange steder langs veien vi møtte lokalpolitikere som påpekte hvor viktig det var å ha lokalflyplasser for å kunne ha fungerende hverdager og reise – for deres del – til Bodø for viktige møter for fylket sitt. Det er at vi har en helhetlig tilnærming til luftfartspolitikken. Det har regjeringen – det skulle bare mangle. Det er også bra at Stortinget ønsker å ha en diskusjon om helheten i den politikken som føres. Som nevnt i brevet til komiteen jobber vi med en globaliseringsrapport, en rapport som tar for seg mange av de problemstillingene som folk i denne salen er opptatt av, og den skal sendes ut på høring. Når vi har fått høringsinnspillene, vil det være naturlig at vi går gjennom dem, og så kommer tilbake til Stortinget, gjerne med en stortingsmelding, for å få den diskusjonen som legger føringene for politikken og veien videre i luftfartssektoren. Men jeg kan si uansett at målsettingen vår er å utvikle et godt tilbud for de reisende. Vi ønsker å ha en infrastruktur for flyplasser som gjør at folk flest har relativt kort vei til en god flyplass nær der de bor. Det betyr ikke at hver flyplass tar dem alle steder de ønsker, men via et nettverk skal de komme seg rundt i verden. Der gjør Avinor en god jobb, men det er også private aktører innenfor lufthavnsektoren som vi ønsker å stimulere og styrke, slik at vi har et godt tilbud over hele landet med både Avinor og private tilbydere. Vi ønsker å utvikle en sterk norsk klynge. Vi har SAS, vi har Norwegian, og vi har Widerøe, men det er også mulighet for andre til å slå seg opp. Men de som er, ønsker vi også å sikre en god framtid. Da handler det om å være et godt land å investere og holde kontor i, men det skal også være et godt land å rekruttere og drive fra. Og så er det viktig at en har god infrastruktur på Der har regjeringen endret utbyttekravene for Avinor for å gjøre tilgjengelig mer kapital i selskapet for å kunne gjennomføre viktige investeringer. Det har bl.a. gjort at en i Bergen nå bygger en ny terminal. Det gjorde at en i Tromsø for kort tid siden framskyndet bygging av en ny utenriksterminal med tre år. Det synes jeg er bra. I tillegg gjøres det en jobb for å se på de lokale flyplassene rundt i landet. Avinor gjorde nettopp en studie når det gjaldt flyplassene i Sør-Norge. De anbefalte å opprettholde alle, men ser allikevel behov for å drive dem enda mer effektivt for å sikre det økonomiske grunnlaget for hver av flyplassene. Så ønsker vi å gjøre det mer attraktivt å drive flyplasser, i den forstand at en skulle ønske at folk som er ute og flyr, og som gjerne har tenkt internasjonalt, ser på f.eks. Gardermoen som et godt sted å mellomlande eller reise Det gjør vi bl.a. ved at en nå får på plass en ordning som heter «fast transfer», eller «forenklet transfer», som gjør at folk når de kommer fra utlandet, ikke lenger skal måtte hente bagasjen sin og sjekke den inn på ny for å reise innenriks. Det er en ordning som kommer på plass nå i høst. I tillegg jobbes det fra Avinor-systemet mot USA for å få «preclearance» på plass. Det betyr altså at en kan fly til USA og gjøre hele migrasjonsarbeidet når en går om bord på flyet i Oslo, og dermed kan lande og fly innenriks i USA uten å måtte gå gjennom passkontrollen der. Det er ordninger som en anslår vil gjøre det attraktivt også for mange utenfor Norges grenser å starte USA-turen sin fra Gardermoen, istedenfor å fly rett til USA. Så er det viktig at vi har sikkerhet i høysetet. Det må forankres i alle ledd, både i flyselskapene, på flyplassene, i det politiske og selvsagt med et sterkt luftfartstilsyn. Internasjonaliseringen, som mange har tatt opp, er viktig, men det er viktig også at en har god kontroll på den situasjonen som er, så en ikke opplever at det kommer smutthull der noen flyselskaper kan registrere fly mange ulike steder, ha kontor ulike steder, rekruttere ulike steder og falle mellom stoler på tilsynssiden. Da har vi ikke gjort luftfarten noen tjeneste – da har vi gjort den en bjørnetjeneste. Derfor tok jeg allerede i januar 2014 initiativ overfor EU for å bedre samarbeidet om regelverk, tilsyn og ordninger, slik at en får til et europeisk system, og ikke bare nasjonale
Jeg registrerer at statsråd Solvik-Olsen gjerne ville prate om infrastrukturen og lite om de ansatte. Under Stoltenberg II-regjeringen ble sosial dumping satt på dagsordenen flere ganger, med flere handlingsplaner mot sosial dumping. I Sundvolden-erklæringen har den nye regjeringen flotte formuleringer der de sier noe om om norsk arbeidsliv i all hovedsak preges av ryddige og ordentlige forhold, er noen bransjer preget av sosial dumping og uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Dette er uakseptabelt, både for arbeidstakerne som rammes og for konkurrerende bedrifter som følger loven. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet mot sosial dumping.» Jeg regner med at dette også må gjelde luftfarten. Jeg lurer på om statsråden har lest boka «Fritt fall». Iallfall burde han ha gjort det, hvis han ikke har gjort det. Mitt spørsmål til statsråden er: han enig i at situasjonen når det gjelder sosial dumping i luftfarten, gir grunn til bekymring? Og hvis ja: Hvilket initiativ vil han ta for å sikre ryddige lønns- og arbeidsforhold og likeverdige konkurranseforhold i denne bransjen? Temaet som representanten tar opp, er viktig, men jeg skulle ønske at vi ikke tilla hverandre motiver som vi ikke har. Som jeg nevnte, sendte jeg allerede 15. januar 2014 et brev til EU nettopp med bekymring for hvordan forholdene er både innenfor sikkerhet og med tanke på tilsyn, og hvordan en ser at noen land kutter i arbeidsmiljøkrav, noe som gjør at man ikke får den gode situasjonen vi vil ha for dem som jobber. Det er nettopp en tematikk som det er viktig at vi samarbeider om i EU, så vi ikke får ulike regler i ulike land, men et fritt marked internt i EU. Vi må også unngå at vi har like regler i ulike land, men med ulik praktisering av dem. For da – igjen – undergraver man det som er viktig, nemlig å ha fair konkurranse. Jeg ønsker at vi i luftfarten skal ha de innovative og flinke selskapene som vinner fordi de er gode til å organisere og gode arbeidsgivere, ikke de selskapene som prøver å jukse og lure og trikse ved å kutte kostnader og underbetale sine ansatte, eller har dårlige fly. Jeg registrerer at ministeren heller ikke i replikkordskiftet ønsker å bruke noe særlig tid på det som går på de ansatte, med unntak av at han har sendt et brev og har hatt kontakt med EU. Spørsmålet mitt var: Er ministeren bekymret for situasjonen i luftfarten? I hvert fall registrerte jeg at de var veldig bekymret, de som sto utenfor her i desember. De brukte ganske sterke ord og sa at nå gikk det på flysikkerheten, altså sikkerheten til innbyggerne våre som flyr hver dag. Da lurer jeg på om det er sånn at vi kan føle oss trygge selv om det ikke blir gjort vedtak i dag. la merke til at ministeren for så vidt sa det fra talerstolen i stad, men det kan være greit å få bekreftet at han er enig i bekymringene og vil komme med en melding til høsten om problemstillingene i denne bransjen. Jeg hadde ikke sendt dette brevet hvis ikke temaet opptok meg og jeg var bekymret. Jeg hadde ikke tatt opp denne tematikken med EU hvis jeg mente at alt var greit. Vi hadde ikke jobbet med denne rapporten hvis vi mente at det ikke fantes problemer. Det sier seg selv at når vi bruker energi og krefter på det, når vi belyser det i brev for å få EU også til å samarbeide på tvers av landegrenser, er det nettopp fordi vi mener at dette er viktig. Jeg synes at en her forsøker å skape konflikter og synspunkter som ikke finnes, i hvert fall ikke i denne regjeringen. Vi har sagt at det er viktig å ha gode arbeidsforhold, det er viktig å ha gode rammevilkår for luftfarten. Vi sier at det er viktig – og det skriver jeg også i brevet – å finne en balanse mellom den åpenheten og liberaliseringen som EU ønsker, og de arbeidsstandardene som vi samtidig ønsker. Bare for å understreke: Dette brevet er jo ikke noe jeg sender og så glemmer jeg det. Med en gang det kom en ny kommissær i EU-systemet, sendte jeg brevet på nytt. Jeg reiste ned og besøkte og snakket med nettopp for å ta opp tematikken og sikre at vi var på bølgelengde i både måten vi jobber på, og det vi ønsker å oppnå. Jeg synes statsråden langt på vei var positiv i forhold til at det er behov for å drøfte de temaene som vi har tatt opp. Det er jeg veldig glad for, for det er ganske alvorlig, er i ferd med å skje. Det vises til at det er en rapport under arbeid om konkurranse og globalisering i sivil luftfart. Det er et arbeid som er videreført fra tidligere samferdselsminister, og så vidt jeg vet, skulle den rapporten vært ferdigstilt høsten 2013. Men siden da har vi ikke hørt noe mer om det. Kan statsråden bekrefte at den kommer innen kort tid, og at det er mulig å få løftet de spørsmålene som er tatt opp, i en videre prosess i Stortinget? Rapporten er viktig. I de foregående, rød-grønne årene ble det ikke lagt fram noen luftfartsmelding. Jeg mener det er på sin plass å ha en helhetlig tilnærming til det. Så har vi samtidig en helhetlig tilnærming i den politikken regjeringen fører, men det er naturlig at drøftes i Stortinget. Rapporten ble påbegynt under forrige regjering – det er riktig. Den jobber vi med. Det var manglende innhold, som vi har utbrodert. Samtidig ser vi at det skjer veldig mye i denne bransjen som gjør at det som var riktig rapport for et år siden, ville være veldig mangelfull i dag. Det er det arbeidet som gjør at det både er tidkrevende og litt komplisert å få et bilde som er mest mulig korrekt når vi sender det ut på høring, så vi får relevante høringsinnspill tilbake. Jeg skal love at vi er opptatt av dette. Det er derfor vi har tatt det initiativet vi har tatt overfor EU, det er derfor vi fortsetter dette arbeidet med rapporten – vi ønsker å finne gode svar på det.

men heller om flyplasstruktur og andre ting. Det er viktig, men det er ikke det som er temaet. Jeg vil anbefale statsråden å lese Pål Vegard Hagesæthers bok «Fritt fall». Der er det faktisk ganske mye kunnskap for den som er opptatt av å få et innblikk i hva som skjer i utviklinga i luftfarten. Det er en utvikling med sosial dumping, som statsråden ikke ville snakke om, en utvikling med mer utrygghet for ansettelser, som statsråden ikke ville snakke om. Men det siste halve minuttet var statsråden så vidt innom noe som er viktig i denne boka, og det gjelder flysikkerhet. skal ha for at han brukte i underkant av et halvt minutt på flysikkerhet. Den utredninga som også EU-kommisjonen, som faktisk er bekymret for utviklinga i luftfarten, har bedt om, og som er gjennomført ved Universitetet i Gent, peker nettopp på at en av konsekvensene av usikre ansettelsesvilkår, altså at en ikke lenger ansetter ansvarlig personale i egen bedrift, er at varsling om nestenulykker og farlige situasjoner i luftfarten blir redusert. Da er de nye ansettelsesformene også en trussel mot sikkerheten. Så viser statsråden til at han har tatt initiativ til et brev – den er ganske drøy, da, han ble mast på av opposisjonen et halvt år, og han sendte det den 15. januar 2014. Og hvorfor den 15. januar? Jo, fordi det var dagen før behandlinga av interpellasjonen som Lise Christoffersen hadde reist for endelig å få litt fortgang i en veldig treg statsråd. I motsetning til vår statsråd har den danske transportministeren – det er en transportminister med handlekraft gjennomført undersøkelser på en grundig måte og kommet fram til noe av det samme som det som kommer fram i boka «Fritt fall». Derfor tar han initiativ overfor EU, og derfor sier han at de som har ansvaret for sikkerheten om bord, bør være ansatt i det selskapet de faktisk jobber for. Derfor tar han opp bekymringa for at det er forskjellig regelverk i forskjellige havner og forskjellige steder. Der har vi altså rett og slett en statsråd som tar på alvor den alvorlige utviklinga som nå er i internasjonal luftfart, og som tar initiativ til å gjøre noe med det, i motsetning til vår statsråd på området. For vår del i Arbeiderpartiet er vi glade for rettferdig konkurranse, men vi er imot sosial dumping, og for så vidt arbeidslivskriminalitet generelt og svekkede miljøstandarder, derfor er vi opptatt av dette spørsmålet. Vi er for at rettferdig konkurranse i luftfarten gir rimeligere flybilletter, men vi ønsker ikke en simpel luftfartsnæring. Hvis vi ikke snart gjør noe, er det vel der vi havner, og da ser det dessverre ut til at vi må sette vår lit til den danske transportministeren. Luftfarten er en vesentlig del av vårt transportsystem. Det binder Norge sammen og gjør at reisetilbudet fra Norge til andre land er bedre enn noen gang. Økt tilbud og kraftig reduksjon i priser har gjort luftfart tilgjengelig for det brede lag av befolkningen. Det er utelukkende et gode. Videre er det viktig å understreke, som også statsråden gjorde, at luftfartsnæringen er en viktig næring for Norge, med et betydelig antall arbeidsplasser i hele landet. Senterpartiet ønsker at vi også i framtiden skal ha en norsk luftfartsnæring og norske ansatte på flyene, så en må veie dette opp mot et press på lavest mulige lønninger og minst mulig reguleringer, for det kan bli for billig å ta fly. En må greie å stå opp mot press fra enkeltselskap som ønsker særordninger. Det var det den forrige regjeringen gjorde da den ble utsatt for et voldsomt press fra Norwegian for å endre utlendingsforskriften. En valgte å sette hensynet til lønns- og arbeidsvilkår først og sa nei til en slik endring. Truslene fra Norwegian ble delvis satt ut i livet; det viste seg at det var ikke så enkelt å få gjennomslag for selskapet. Det var denne prosessen som utløste arbeidet med den meldingen som nå har fått tittelen globaliseringsmeldingen. Denne utredningen skulle vært ferdig høsten 2013. Jeg forstår at det er kompliserte problemstillinger, men det er behov for raskt å få kunnskap om hvilke lovvalg som gjelder, hvem en skal betale skatter og avgifter til, så det er viktig at det arbeidet sluttføres. Jeg tror det til slutt må ende opp i en stortingsmelding, for det vil være nødvendig å ta noen tøffe valg. Skal en ta vare på sikkerheten, må en motvirke press på lønns- og arbeidsvilkår, og da er det lurt å ha en forankring i Stortinget. Samtidig er det viktig at de norske innspillene til EASA er forankret på politisk nivå. Senterpartiet ønsker en norsk luftfartsnæring, vi ønsker norske piloter og norske ansatte i luftfarten, og jeg håper at statsråden ikke bare sender brev til EU, men også tar initiativ sammen med den nordiske luftfartsfamilien for å fremme felles nordiske krav, for å sørge for at vi også i framtiden har anstendige lønns- og arbeidsvilkår i
Dette skal egentlig være en debatt om forslaget om at en ønsker seg en melding til Stortinget. Da blir det litt spesielt å gå i detalj om lønn, arbeidsvilkår, trygghet og ikke trygghet osv., for det skal vi drøfte, og det er vi alle sammen opptatt av. I dag forholder vi oss til det Dokument 8-forslaget som foreligger, og det dreier seg om å få en melding til Stortinget. Nå har både statsråden og andre redegjort for at det vil komme noe, og at en må innhente nok kunnskap for å gjøre det rett. Representanten Dag Terje Andersen refererte til boka «Fritt fall». Den boka har jeg lest fra første til siste side. Jeg vil også påstå at jeg kjenner bransjen temmelig godt etter 30 år innen dette området. Da blir det for tynt nesten kun å fokusere på sikkerhet. Vi har en luftfartsmyndighet som har ansvar, vi har andre som har ansvar, og det å gjøre folk engstelige med tanke på hvilke flyselskap de skal velge, tror jeg verken vi som politikere eller bransjen som sådan er tjent med. Jeg synes representanten Pollestad var veldig nyansert og hadde et godt innlegg om å se dette i sammenheng. Jeg er overbevist om at vi i denne salen kommer til å lande på noe som er bra for både den norske og den internasjonale bransjen på dette området. Dette skal vi klare sammen. Jeg tror at vi, når alt kommer til alt, ikke er så uenige, men da må vi ikke kun fokusere på enkelte biter, som vi nå har gjort. ikke er så uenige, men da må vi ikke kun fokusere på enkelte biter, som vi nå har gjort. Som saksordfører vil jeg starte med å takke for debatten. Jeg konkluderer med at selv om det ikke blir fattet et positivt vedtak i dag om en melding, ligger det en lovnad fra ministeren om at det vil komme en melding til Stortinget, og det er vi fornøyd med. Så er jeg enig i at det med flysikkerhet, det kortet, skal man være varsom med overfor brukerne. Det er selvfølgelig noe man ikke skal gjøre i tide og utide. Men i innlegget mitt i hvert fall viste jeg til at det kortet ble dratt av de ansatte selv og av dem som representerte dem, og det syns jeg man må ta på alvor når man velger å bruke den benevnelsen. Da er det fordi man ønsker den oppmerksomheten – og som de husker, de som fikk brevet, så startet det brevet med følgende: «Pan-pan, pan-pan, pan-pan». Det er et internasjonalt radioanrop der et luftfartøy melder om en unormal og potensielt farlig situasjon og trenger lytterens oppmerksomhet. Det var det de forsøkte å si oss med den markeringen, det er det de har sagt til oss i har hatt med dem, det er det vi har kunnet lese i den boka. Og det er mye mer enn bare flysikkerhet. Det går på arbeidstakeres rettigheter, og jeg er glad for at vi også løfter det opp. Men jeg må si at jeg er litt skuffet over at ministeren heller ikke denne gangen i en debatt om sosial dumping og den biten, vil bruke tida si på det temaet.

som peker på at lavere sikkerhet er et resultat av de nye ansettelsesformene som mange innenfor luftfart bruker. Det ville være gærent å fornekte det faktum. Når det gjelder boka «Fritt fall», som jeg anbefaler også statsråden å lese, handler den om mye mer enn det – det er helt riktig. Men fellesnevneren for det er i veldig stor grad oppsummert i den danske transportministerens initiativ overfor EU for å sette i gang tiltak i en bransje som en nå ser er utsatt for mange angrep, hvorav en av konsekvensene kan være dårligere flysikkerhet. Det er en helhetlig tilnærming den danske transportministeren har. Det jeg savner, er at vi burde hatt en samferdselsminister som ivaretok de viktige samfunnshensynene på samme måte som den danske transportministeren gjør.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

Vi har f.eks. utfordret flere samferdselsministre på urimeligheten i at bobiler over 3,5 tonn må til EU-kontroll hvert år. Alle har forståelse for at det er bra med jevnlige kontroller av tyngre kjøretøy, men for mange virker det svært urimelig at man årlig må kontrollere bobilen, som kanskje går 8 000 km i løpet av et år, mens privatbiler kan gå 40 000 km i året uten at de kontrolleres. Dette viser at det ikke er trafikksikkerhet som krever årlige kontroller av bobiler over 3,5 tonn. Kjøretøytekniske spørsmål har vi jobbet med både i opposisjon og i posisjon, og nå har vi en samferdselsminister som har varslet komiteen om at han er godt i gang med forenklinger som ikke bare vil komme bobileiere til gode, men også eiere av andre biler over 3,5 tonn, Jeg registrerer at enkelte representanter har vært ute i media og forsøkt å skape et inntrykk av at om man bare slutter seg til noen vedtak i dag, vil disse gjelde nærmest umiddelbart, og at Fremskrittspartiet nå trenerer saken. Det meste som skal gjøres, krever imidlertid forskriftsendringer, og det er tidkrevende prosesser. Dette har regjeringen jobbet med siden regjeringsskiftet, men når det ikke lå verken endringsforslag eller utkast til høring klart fra den rød-grønne regjeringen, er det klart at det krever litt ekstra arbeid. Komiteen har derfor sagt at vi er fornøyd med at generelle forenklinger i kjøretøyforskriften har statsrådens interesse, og vi har sagt at vi er tilfreds med statsrådens initiativ for å få gjennomgått regelverket med sikte på å få på plass løsninger i løpet av høsten. Det er tydelig at de rød-grønne partiene ikke var særlig opptatt av dette spørsmålet da de selv var i posisjon, men det er gledelig å se at de i opposisjon nå ønsker forenklinger velkommen. Det er dog litt trist at det måtte en tillitsvalgt eier av en bobil i Arbeiderpartiet i Nordland til for å vekke Arbeiderpartiets interesse – i et intervju med Bobilverden den 30. mars 2015 er det det representanten Kjell-Idar Juvik sier har skjedd. Videre sier han at slike forslag krever at noen løfter dem opp. Vel, Fremskrittspartiet har gjentatte ganger løftet fram denne typen problemstillinger, men Arbeiderpartiet har alltid svart med å vende det døve øret til, uten å vise noen som helst interesse for å ta grep. Så fort et medlem hos dem selv tar opp problemstillingen, blir det altså mer aktuelt. Det er så jeg blir fristet til å sitere fra boken Animal Farm, at «alle dyr er like, men noen er likere enn andre». Noe som kanskje er symptomatisk for de rød-grønnes arbeid, er at selv etter at statsråden i brevs form til komiteen har varslet at hans arbeid omfatter også andre typer kjøretøy, som pickup og SUV, ikke bare bobiler, kan Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag ikke tolkes som annet enn en instruks til statsråden om å innskrenke sitt arbeidsområde til utelukkende å gjelde bobiler. Hvorfor vet jeg ikke, men kanskje det er fordi ingen tillitsvalgte i Arbeiderpartiet har sagt at problemstillingen også gjelder for dem. Det synes jeg er sterkt beklagelig, men for bobilfolket er det derimot en god nyhet at vi nå får en bred oppslutning i Stortinget om å få forenklinger, og for andre bilentusiaster, bl.a. i amcarmiljøet, er det godt å vite at man har en samferdselsminister, en regjering og et flertall som tenker litt bredere, og som ønsker at forenklinger skal komme flest mulig til gode. Avslutningsvis vil jeg si at jeg gleder meg over statsrådens engasjement i saken, jeg gleder meg over at en samlet komité nå støtter statsrådens og dermed ønsker forenklinger, og jeg ser fram til at han kan presentere de endelige løsningene og forenklingene i god tid før neste bobilsesong. Det har vært en stor økning i antallet bobiler i Norge de siste årene. I dagens regelverk er det etter vår mening unaturlige forskjeller mellom liten og stor bobil. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for likebehandling samt å sende et signal om at vi ønsker denne typen turisme velkommen. Det er korrekt, det som er sagt: Saken startet med en henvendelse om urimelig forskjellsbehandling av periodisk kjøretøykontroll, PKK, for min del når det gjelder bobiler over 3,5 tonn. Som vi vet, er reglene i dag sånn at de i dag blir behandlet likt med store biler over 3,5 tonn. Med en gang man er over den grensen, må man inn til årlig kontroll, i motsetning til en bobil under 3,5 tonn, som må inn annethvert år. Det betyr at en bobil som man kanskje kjører opptil 5 000–10 000 km i året, blir behandlet likt med et vogntog som kanskje kjører 100 000–200 000 km i året. Med bakgrunn i denne henvendelsen stilte jeg spørsmål til ministeren om dette 29. oktober 2014, og i sitt svar sier statsråden at han skal vurdere dette på nytt, og at det er åpning for det i regelverket. Men jeg registrerer at lite har skjedd fra ministerens side før nå. Men denne hendelsen førte til at både Norsk Bobil og Caravan Club og Norsk Bobilforening fattet interesse for dette initiativet fra Arbeiderpartiet og ba om møter med Arbeiderpartiets transportfraksjon. De møtene kan man kort fortalt si resulterte i de forslagene som i dag er til behandling. Arbeiderpartiet har foreslått i representantforslaget, er: Forenklet EU-kontroll: Stortinget ber regjeringen gjøre endringer for periodisk kjøretøykontroll for alle bobiler på opptil 7,5 tonn, sånn at disse behandles likt med personbiler. Økt fartsgrense: Stortinget ber regjeringen øke tillatt fartsgrense for alle bobiler over 3,5 tonn opptil 7,5 tonn, fra dagens 80 km/t til 100 km/t, der det er tillatt å kjøre så fort. Stortinget ber regjeringen endre bomavgiften for alle bobiler opptil 7,5 tonn, slik at disse behandles likt med personbiler og bobiler under 3,5 tonn. – I dag er det en forskjell på tre og fire ganger mellom disse to klassene. Vi ber også om at man ser på lavere ferjepriser, slik at man ser en mulighet for å få likebehandling av ferjetakstene. Til slutt har vi også, sammen med Senterpartiet, foreslått å se på muligheten for eventuelt til førerkortklassen – at man øker dagens grense på 3,5 tonn inntil 4,25 tonn for å imøtekomme den bilparken som finnes. I dag kunne Stortinget ha gjort positive vedtak om disse bestillingene, men forslagene som foreligger, har bare fått støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet i komiteen. Det synes jeg er skuffende, da regjeringspartiene med Fremskrittspartiet i spissen har uttrykt stor enighet til forslagene. Det gjorde de nå sist fra talerstolen for på en måte å prøve å latterliggjøre at Arbeiderpartiet fortsatt driver med politikk. Grunnen til at de nå prøver å framstille det som at de er enig uten å stemme for, kan man bare spekulere på. Jeg registrerer at regjeringspartiene verken gikk inn for forslagene fra Arbeiderpartiet eller støttet våre merknader i komiteen. Det hadde vært ønskelig at vi kvitterte ut dette før årets bobilsesong setter inn for fullt, men nå må bobileierne smøre seg med tålmodighet før de får en avklaring, dvs. hva flertallet i Stortinget bestemmer seg for. Jeg registrerer også at statsråden i går sendte ut en pressemelding der han er enig med Arbeiderpartiet – i hvert fall i fire av de fem forslagene – men selger det ut som sine forslag uten å nevne at saken er til behandling i Stortinget i dag. Det synes jeg er merkverdig av en statsråd. Det er jo flott at statsråden er enig med Arbeiderpartiet, det er bare synd at hans representanter i komiteen ikke følger ham og støtter forslagene våre som ligger til behandling i dag. Jeg forutsetter da at jeg tolker pressemeldingen hans rett. Jeg ser også at saksordføreren, Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet, i media har solgt ut at det er en samlet komité som støtter forslagene. Da synes jeg det er merkelig at man ikke verken i merknadsskrivingen eller ved at man går inn for forslagene – eller er det kanskje sånn at vi får en endring i dag, når vi kommer til votering? I alle fall har jeg forhåpninger om at dette skal føre til at vi får gjort endringer, slik at vi i hvert fall på sikt får rettet opp i disse urimelighetene. Jeg ser – og at representanten Steffensen etterlyser handling i de åtte årene vi satt i regjering. Ja, så langt jeg kan se, er det noen skriftlige spørsmål der Fremskrittspartiet har spurt etter dette med PKK. Men jeg kan ikke registrere å ha sett noen konkrete saker når det gjelder det. Jeg vil bare på nytt gjenta at selv om Arbeiderpartiet er ute av regjeringskontorene, har vi til hensikt å videreføre det å arbeide med politikk hver dag. Vil representanten ta opp forslag? Jeg tar opp forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, president. Det er også politikk. Representanten Kjell-Idar Juvik har tatt opp de forslagene han
og god gjennomgang av saken. Ikke overraskende ser vi likt på dette. Sånn sett er det ikke noen grunn for meg til å bruke lang tid på å redegjøre for de samme synspunktene. Det er gledelig at vi med denne regjeringa har fått en betydelig økt interesse for å løse mange av de kjøretøytekniske utfordringene vi som bilister møter i hverdagen, deriblant rammebetingelsene for bobiler. Det er både store og små saker, som i sum betyr mye for mange, og som bidrar til å lette hverdagen for folk flest. Om vi gjør et lite søk i Stortingets database, vil vi se at temaet bobil har vært oppe i mange spørsmål til samtlige samferdselsministre i forrige regjering. Særlig var daværende stortingsrepresentant Bård Hoksrud opptatt av temaet. Jeg sjekket lite grann akkurat det med periodisk kjøretøykontroll. Det var reist spørsmål om det i juni 2011og i juni 2013. Sånn sett er det vel ikke noen overraskelse at rammevilkårene for bobiler står høyt på agendaen i departementet. Spørsmålet representantene fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør stille seg, er vel heller hvorfor det ikke er gjort noe med dette tidligere. Det har i hvert fall ikke manglet på påminnelser. Så noen få ord om forslagene. Jeg skal ikke gå veldig grundig inn på dem, siden det er godt redegjort for allerede, både av saksordføreren og for så vidt i brevet fra statsråden. Til forslaget om periodisk kjøretøykontroll: Der er Vegdirektoratet allerede godt i gang med å utrede endringene. Departementet har iverksatt dette arbeidet allerede, og det vil bli lagt ut på høring til høsten. Det betyr at alle bobiler kan få samme krav til kontrollintervall som personbiler. Til spørsmålet om å øke fartsgrensen til 100 km/t for bobiler med totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn: Det er et positivt forslag, som – igjen – regjeringa allerede har startet arbeidet med, og der de miljø- og sikkerhetsmessige konsekvensene blir utredet. Endring av bomavgiften: Ja, det er et fornuftig forslag, men det må ses i sammenheng med takst- og rabattsystemet. Og igjen: Statens vegvesen er, etter oppdrag fra departementet, godt i gang med å gjøre sine vurderinger, og vil legge fram et forslag til hvordan dette kan løses. Ferjetakster: Jo, gjennomgangen er startet, Vegdirektoratet gjør sin jobb. Det er en komplisert struktur, og det er nok nødvendig med en del forenklinger for at AutoPASS skal kunne benyttes. Konsekvensen av forenklede regler vil også være klar i løpet av høsten. Det siste gjelder førerkortklasse for bobiler. Det er en kanskje noe mer komplisert problemstilling, der vi også er bundet av et regelverk i EU. Felles for alle forslagene er at regjeringa er godt i gang med å gjennomføre. Når vi ikke stemmer for forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er det ikke fordi vi er uenige – tvert imot – men det er ikke noe stort poeng i å stemme for forslag til endringer som regjeringa allerede har iverksatt arbeidet med for lenge siden. Det tror jeg forslagsstillerne vet veldig godt. Når representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med den rød-grønne regjeringa, klarte å vente i åtte år med å få løst disse utfordringene, tror jeg de klarer noen måneder til, slik at vi får sluttført arbeidet og både får lagt fram de nødvendige vurderingene og gjort de nødvendige vedtakene. Dette blir bare symbolpolitikk, og på et område der de selv ikke leverte da de hadde sjansen. Men det er fint at de nå er opptatt av rammebetingelsene for
Det kunne jo være fristende å si at det er aldri feil å møtes, for det var det saksordføreren innledet med, at et møte, en kontakt, har gjort utslag for at dette forslaget kom opp – så da kan jo min konklusjon være det. Komitéen er samlet sett positiv til å endre rammevilkårene for bobiler i Norge gjennom å se på forenklinger og rette opp åpenbare skjevheter i regelverk mellom bobiler som er over og under 3,5 tonn. Det har etter hvert blitt mer av et allemannseie å ha bobil. Det var det ikke for bare få år siden. Da var det gjerne tyskere og andre nasjonaliteter som var på tur gjennom Norge, og som kjørte litt sakte, noe som kanskje var litt krevende for andre bilister i trafikken. Nå er det like mange, om ikke flere, norske bobiler, og de brukes både sommer, vinter, høst og vår. Det er noe som har endret seg mye på noen få år. Det er viktig å legge til rette for økt bobilturisme i hele landet fordi bobilturisme er en del av reiselivsnæringen, og gjennom god tilrettelegging, og også gjennom den regelverksendringen som man her ønsker, kan man sikre at man faktisk får enda bedre flyt i trafikken, og at det er flere som tar turen gjennom Norge i bobil og stopper for å bruke penger hos oss, som vi ønsker. Så ble det kommentert at det i svarbrevet varsles at man også vil se på regelverksendringer for veteranbiler og andre kjøretøy i vektgruppen 3,5 tonn og oppover. Det kan godt hende at det er veldig positivt – det skal vi se på når det kommer – men det forslaget som foreligger her, handler om bobiler og regelverk for det, og det er det vi har tatt stilling til på dette tidspunktet. Jeg vil si takk

for bobilister, forbedringer som en for bare få år siden ikke ønsket å gjøre. Riktignok ønsket opposisjonspartiene da – Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – å gjøre sånne ting, men det var ikke flertall i Stortinget for det. Mange av disse tingene hadde ikke engang trengt å komme til Stortinget, fordi dette handler om forskriftsendringer. Det er altså opp til regjeringen om de ønsker å gjøre de endringene. Vi må ikke få et vedtak i Stortinget. Men det initiativet kom aldri fra de rød-grønne partiene. Derfor er egentlig dette en veldig glad dag, synes jeg, for det viser at selv Arbeiderpartiet nå støtter det som så mange har sett på som et problem. Jeg synes det er helt greit om det er interne møter i Arbeiderpartiet som gjør at Arbeiderpartiet snur og nå er for det de før var imot, ja det er bare bra. Det viser at det går an å nå gjennom til slutt. Det er mange som har jobbet lenge for dette. Jeg merker at noen her prøver å gjøre dette til en debatt om hvem som var først, for da skal en ha æren for det. Ja, vi begynte dette arbeidet her i oktober 2013. Dette var en del av det som dagens flertall mente skulle endres. Så er det en diskusjon om at forslaget jo ble fremmet, og så har jeg sendt ut en pressemelding i etterkant av forslaget. Ja, det var for å vise bredden av det vi holder på med. Men jeg kan jo vise til at jeg allerede 31. mai 2014 var på landsmøtet til Norsk Bobil og Caravan Club og sa at vi nå jobber med reform av bobilpolitikken og bompengepolitikken, og jeg fikk førstesiden i deres internmagasin, så det burde ikke være en overraskelse at regjeringen holdt på med det. Det å skape tvil om endringene kommer fordi Stortinget ikke vedtar det, med flertall, ja, det er helt urimelig. På samme måten kunne en vist til at Fremskrittspartiets stortingsgruppe hadde møte med bobil- og caravanklubben den 3.–4. mars i år om de samme temaene, før dette Dokument 8-forslaget ble fremmet – ikke bare med bobil- og caravanklubben, men med NAF, KNA, Motorførernes Avholdsforbund, ja, en masse ulike organisasjoner, fordi dette handler om mer enn bare bobiler. Dette handler om mange ulike typer kjøretøy som er akkurat i den gråsonen at de veier litt mer enn 3,5 tonn, men da blir behandlet som en tungbil. Det oppfatter vi som urimelig, uavhengig av om en er en bobilturist fra Tyskland som kjører på norske veier, om en er norsk bobilturist, om en er en norsk håndverker som tilfeldigvis har en litt tung amerikansk pickup, eller om en er en familie med mange barn, som har valgt å ha en litt tung familiebil, rett over 3,5 tonnsgrensen. Derfor setter jeg pris på at saksordføreren sier at det å vedta dette nå, ville lagt en begrensning på det som regjeringen holder på med. Vi ønsker en bredere tilnærming. Punkt to: En gir inntrykk av at hvis Stortinget hadde vedtatt dette nå, så ville det trådt i kraft i morgen. Faktum er at alle sånne ting må ut på høring. Det trodde jeg også et tidligere regjeringsparti var klar over. De høringspapirene begynner nå å bli klare, nettopp fordi vi skal ha det ut på høring og få det vedtatt. Men da trenger vi altså ikke komme tilbake til Stortinget, da endrer vi forskriftene og så er det på plass. Jeg har i brevet til komiteen sagt at når det gjelder fartsgrenser, så skal vi behandle bobiler likt, uavhengig av om de veier under 3,5 tonn eller om Vi har sagt vi skal ha bomtakster som blir like for bobiler over og under 3,5 tonn, og vi sier også at vi jobber med det samme når det gjelder tunge pickuper og SUV-er. Vi skal likebehandle campingbiler og bobiler når det gjelder ferjetakster. Vi skal ha periodisk kjøretøykontroll som blir likt for bobiler over og under 3,5 tonn. Alt dette har vi slått fast ikke bare én gang, i brev til Stortinget, ikke bare i pressemeldinger, men i stort sett alle møter jeg har hatt med bobil- og caravanfolkene, fordi de har vært opptatt av det lenge før et arbeiderpartimedlem tok det opp med Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Men ingenting er bedre enn at vi nå står sammen og sier at dette er bra. Jeg ser for meg at vi kommer til å gjøre mye mer. Vi har jobbet med kjøretøytekniske ting, vi har hatt mange møter med Amcar, med NAF, med KNA, som går på alt fra markeringslys på sidene av bilene, som er ulovlige i en del tilfeller, til hvordan en skal registrere biler, og andre ting. Så hvis Arbeiderpartiet ønsker å fremme flere forslag for å sparke inn åpne dører, er det bare å lese den pressemeldingen som vi sendte ut i begynnelsen av april, som listet opp alle tiltakene vi er for, og som jeg gjerne også håper at Arbeiderpartiet nå har blitt for når de har kommet i opposisjon og har tid til å møte velgerne sine. Men jeg synes dette er bra. Jeg lover at vi kommer til å jobbe videre med dette. Jeg tar signalene om at vi nå har et enstemmig storting bak oss i at dette er bra og viktig, og det gjør jo bare at det blir enda mer motiverende når vi til slutt kan sørge for at forskriftene er endret, og folk kan glede seg over en litt enklere hverdag. Det åpnes for replikkordskifte. Først er jeg jo glad for at man ser ut til å få en løsning når det gjelder de tingene som er tatt opp. Så forstår jeg at ministeren har behov for å vise til handling, men det er jo litt påfallende at det kommer en pressemelding dagen før med en sånn bestilling og ikke lenge før, hvis det er sånn at man har jobbet med dette i snart to år. har også lyst til å si at det å møte velgerne, det gjør vi hver dag, det har vi gjort, og det vil vi fortsatt gjøre, så jeg synes den replikken fra Fremskrittspartiet var unødvendig. Men jeg har et spørsmål, og det går på den bestillingen som nå er sendt til Vegdirektoratet, spesielt når det gjelder PKK, som det har vært snakket mye om, men for så vidt også om det andre. Da lurer vi selvfølgelig på: Når gikk denne bestillingen fra statsråden? Og ikke minst, noe som kanskje Når kan vi forvente en avklaring, sånn at statsråden kan legge fram en sak – hvis det skal legges fram en sak for Stortinget – slik at man iallfall får en løsning? La meg bare oppklare. Grunnen til at vi sendte ut en pressemelding om bobiler nå for et par dager siden, var rett og slett fordi Arbeiderpartiet gikk ut i media og ga inntrykk av at regjeringen og stortingsflertallet var imot disse endringene. Da syntes vi at når det er åpenbare misforståelser – vi kan iallfall prøve å kalle det en misforståelse – er det greit for oss å oppklare det. Men jeg kan også henvise til store oppslag vi hadde i Dagbladet, vi har hatt det på NTB, og vi har sendt ut pressmelding om tematikken før. Jeg kan henvise til Norsk Bobil og Caravan Club sitt nyhetsbrev fra 2014, der de sier at det nå jobbes med disse reformene. Det å gjøre det til en konkurranse om hvem som var først, synes jeg blir litt rart. La oss heller glede oss over at alle partier nå støtter dette og ikke bare dagens stortingsflertall, som har jobbet for disse tingene så lenge. dette er forskriftsendringer, er det ikke ting som en trenger å legge fram for Stortinget, men vi kommer jo selvsagt til å orientere Stortinget om det som skjer. Det vil være helt naturlig. Det jeg har varslet i tidligere pressemeldinger, er at dette er ting som kommer til å gå ut på høring fortløpende nå i sommer, for at vi skal kunne få til at det trer i kraft fra ca. 1. januar 2016. Bakgrunnen for spørsmålet mitt er egentlig bare at jeg ville vise noe, med hensyn til og gjennomføringskraft. Det er riktig som det ble sagt av representanten Orten, at det har blitt stilt skriftlige spørsmål. Jeg har også registrert dem når det gjelder konkret om PKK. Det viste jeg også til da jeg stilte spørsmålet mitt i oktober. Men i svarbrevet sier ministeren at han ser noen problemstillinger ved det som han må få sjekket ut, det er anledning til å gjøre noen endringer, men han skal sette dette til utredning. Det han må få sjekket ut, det er anledning til å gjøre noen endringer, men han skal sette dette til utredning. Det er tross alt en god stund siden med hensyn til akkurat den saken, bare for å få vist at man kanskje forventet at dette hadde vært avklart allerede. Jeg synes jo det er litt påfallende at denne saken kommer akkurat idet Arbeiderpartiet har tatt det opp. Men spørsmålet mitt til det Når ble bestillingen sendt med hensyn til PKK? Dette egentlig for å vise hvordan ministeren har jobbet med denne saken. Dette arbeidet startet vi med i oktober 2013, så dette er ikke et arbeid som vi startet med fordi det ble stilt et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiet. Men for oss var det hyggelig å få det spørsmålet fordi det også bekreftet at Arbeiderpartiet nå var for det som de selv i regjering ikke syntes var viktig å gjøre noe med. Det er riktig at det ikke ble fremmet forslag fra daværende opposisjon til alt dette under de åtte rød-grønne årene, men det var jo nok å se at daværende flertall, selv på skriftlige spørsmål, ikke viste vilje til å gjøre noe med det. Da hadde en altså flertall til å gjøre det, uten at Stortinget trengte å behandle saken. Men vi tok det opp, og jeg nevner at jeg gikk ut med det på Norsk Bobil og Caravan Club sitt årsmøte 31. mai 2014, så var det jo fordi vi var i gang med arbeidet. Da hadde jeg noe å melde. Det står omtalt. Jeg forstår at her ønsker en å ha en debatt om hvem som var først ute. Jeg synes det er hyggelig når Arbeiderpartiet har snudd, at de også blir litt sånn gladkristne og skal bekjenne budskapet sitt utad, men det har altså vært folk som har vært opptatt av dette
jeg egentlig ikke ha tatt flere replikker, men jeg må nesten gjøre det når det er åpenbare feil. Ministeren sier at den forrige regjeringen ikke gjorde noe med det. I svaret på de skriftlige spørsmålene sist ble det jo vist til at EU holdt på å se på PKK eller EU-kontrollene generelt, de reglene der, det kjenner jeg veldig godt til. Jeg kommer fra bransjen. Der skulle man se på helheten når det gjelder om det skulle kreves f.eks. årlige kontroller av alle kjøretøy, og man ventet på den Det svaret ligger der, og det svaret kjenner ministeren til. Men jeg registrerer i hvert fall at i det svaret som kom på mitt skriftlige spørsmål, sto det ingenting om at man drev og jobbet med denne saken, men at man skulle sette den til utredning. Man la nå det ligge, med tanke på hvem som er først eller sist. Jeg har i hvert fall et konkret spørsmål som jeg håper statsråden kanskje kunne være enda tydeligere på. Kan vi forvente at disse spørsmålene, i hvert fall de fire som ligger i kan få sin avklaring og være klare til årsskiftet? Jeg kan godt bekrefte enda en gang at det som vi har jobbet med i 18 måneder, vil bli realisert, at det vi har sendt ut pressemelding om, at det vi har skrevet om i brev til Stortinget, faktisk vil bli gjennomført. Noe annet ville jo ha vært helt meningsløst, at vi gikk rundt og snakket om ting som vi faktisk ikke hadde tenkt å gjennomføre. Så kan jeg godt si hvorfor dette har tatt 18 måneder. Jo, det er fordi vi har brukt mye tid på å snakke med bransjen, snakket med Amcar, med KNA og andre, for å få et stort bilde, sånn at vi ikke driver på og gjør én og én forskriftsendring, men at vi faktisk finner helheten i dette, så vi får med kjøretøy på tvers av kategorier og ikke bare tar bobiler først. Da måtte vi ha gått og gjort akkurat de samme tingene når det gjelder pickuper, og så måtte vi ha gått og gjort de samme tingene for SUV-er. Det ville vært meningsløst. I tillegg minner jeg bare om at i løpet av de samme 18–19 månedene har vi også bearbeidet og lagt fram en veireform, en jernbanereform, parkeringsforskrifter, bompengereform, vi har lagt fram ny postlov, vi har lagt fram nasjonal havnestrategi, jeg kunne nevnt flere ting. Det har også tatt litt tid i embetsverket og i den politiske ledelse. Replikkordskiftet er omme.
Jeg er glad for denne saken om endringer for bobiler. Dette er noe vi i Fremskrittspartiet i mange år har hatt lyst til å diskutere med alle partier med positivt resultat. Fremskrittspartiet har jobbet for å bedre vilkårene for bobiler i mange år, også i forrige periode, da jeg også satt i transportkomiteen. Den gang var det ikke mulig å få til noe godt resultat eller løfte om det, ikke engang tilnærmet det vi ser Arbeiderpartiet ønsker Den rød-grønne regjeringen satt i åtte år – eller to perioder – uten å gjøre noe med denne problemstillingen til tross for at vi i Fremskrittspartiet jevnlig tok det opp. Derfor er det som sagt svært gledelig at de rød-grønne på en måte har snudd i denne saken, ja faktisk har de vel gjort det i ganske mange saker de siste to årene nå når de er i opposisjon. Det ser ut som at det måtte en Høyre–Fremskrittsparti-regjering til for at de rød-grønne representantene våget å stå for det de mener, ved at de nå tar fram våre forslag. Det er vi kjempeglad for, både at de er i opposisjon, og at de fremmer våre gode saker fra tidligere år. Det viser at vi nå har fått et godt samarbeidsklima for gode fremskrittspartisaker. Fremskrittspartiet har som sagt alltid vært positive til å endre rammevilkårene for bobiler i Norge, og som ministeren har sagt, dette er noe vi har jobbet med lenge, og han har også varslet at det vil komme nå til høsten eller Det vil også komme en rekke forslag om endringer som ikke bare gjelder bobiler, men også veteranbiler og andre typer kjøretøy som veier mellom 3,5 og 7,5 tonn. Det nåværende reglementet er etter min mening kommet helt galt ut. Så jeg ser med glede fram til at vi får de gode løsningene på plass før neste bobilsesong. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

eit alvorleg trafikksikringsproblem både nasjonalt og internasjonalt. Data frå Statens vegvesen viser at påverknad av alkohol eller andre rusmiddel er ein medverkande faktor i heile 22 pst. av alle vegtrafikkulykker med drepne. Bruk av alkolås kan vere eit viktig trafikksikringstiltak, og tiltak for auka bruk av alkolås har vore teke opp i fleire samanhengar tidlegare, sist av transport- og kommunikasjonskomiteens medlem Kjell-Idar Juvik, ved skriftleg spørsmål i februar, som ei oppfølging av NTP. I representantforslaget til behandling her i dag frå stortingsrepresentantane Grøvan, Bollestad, Toskedal og Ropstad om alkolås for persontransport har vi på ny fått sett søkjelys på korleis vi kan finne fram til dei beste verkemidla for å hindre køyring i ruspåverka tilstand. Ministeren har sett i gang eit arbeid i Vegdirektoratet for å kartleggje økonomiske og administrative konsekvensar ved ei eventuell nasjonal regulering av alkolås. I komiteen har vi peika på at det er naturleg å vente på svar frå det arbeidet som er sett i gang, før ein konkluderer med verkemiddelbruken. I tillegg har vi vore opptekne av at arbeidet i Vegdirektoratet òg må bli koordinert godt med norsk deltaking i grunnlagsarbeidet for eit eventuelt EU-direktiv knytt til alkolås. Vi ser klart at ein treng raskare implementering av alkolås. Som saksordførar vil eg få takke komiteen for eit godt samarbeid, og eg er glad for å kunne vise til at vi no er ein samla komité som stiller oss bak eit nytt framlegg til vedtak som vil kunne bidra til raskare og smidigare innfasing av alkolås i køyretøy som blir nytta til persontransport. Bruk av alkolås er ein naturleg del av ei systematisk sikkerheitstenking i vegtransporten. Likevel ligg faktisk Noreg langt bak våre nordiske naboar. Sverige har i dag 80 000 alkolåsar innan yrkestransporten, medan Noreg har 4 000. Vi ser at det er eit aukande tal transportbedrifter som på eige initiativ Fleire fylkeskommunar stiller krav til bruk av alkolås i anbodsgrunnlag for skuleskyss. Dette er ei positiv utvikling, men vi ser at det er behov for betre tilretteleggjing. For oss i Høgre er det viktig at det i første rekkje er positive verkemiddel som blir vurderte. I tillegg er det heilt vesentleg å sjå til at ikkje lovverket er til hinder for å take valet om å montere alkolås. Ein må òg vere observant på at eit påbod vil kunne medføre auka kostnader for transportnæringa. Difor er vi særleg opptekne av at det vidare arbeidet blir gjort i tett dialog med dei ulike aktørane, og at det å innføre eit påbod skal vere vel gjennomtenkt. Ei regulering må heller ikkje der norske aktørar kjem dårlegare ut enn sine internasjonale konkurrentar. Difor er det òg vesentleg å følgje tett det arbeidet som går føre seg i EU vedrørande alkolås. Vi må sikre eit velfungerande system rundt alkolås, med sertifisering og eit godt fagleg-politisk avtaleverk for korleis det skal praktiserast, handterast og brukast. Eg er glad for at det er sett eit positivt fokus på alkolås og eit auka trykk på kva incentiv som best vil gje auka bruk av alkolås. Det er eit viktig skritt nærmare trygg ferdsel på vegen. Med dette legg eg fram innstillinga på vegner av komiteen.

og flere fylkeskommuner stiller krav til bruk av alkolås i anbudsgrunnlaget for skoleskyss. Dette er en positiv og også en riktig utvikling. Dessverre ser vi på Folkehelseinstituttets rapport «Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014» at antallet førere som viser tegn på å være ruset på andre midler enn alkohol, dessverre er økende, mens antall blodprøver med alkohol er synkende tredje år på rad. For å sitere UP-sjef Øystein Krogstad: Vi ser oftere at bilførere er ruset uten at det er alkohol med i bildet, sier han. Dette er urovekkende, da disse førerne er vanskelig å ta i forkant, slik en alkolås tar dem som er ruset på alkohol. Så også her trengs nye verktøy. Vi i Fremskrittspartiet mener det er grunn til å se nærmere på hvordan man best kan legge til rette for at flere aktører tar i bruk alkolås på sine kjøretøy. En samstemt komité har jo nå bedt om en utredning av hvordan dette eventuelt kan innføres på et bredere grunnlag enn hva tilfellet er i dag. Vi ønsker ikke statlige krav og påbud der man heller kan se på nye virkemidler og tiltak. Kanskje kunne det å benytte gulrot i form av finansielle lettelser for transportselskaper som innfører dette frivillig, ha vært en idé. Uansett er det er helt vesentlig for saken at vi avveier hva EU faller ned på, for deretter å kunne vurdere hva som nå må til i Norge av tiltak for å få den ønskede Derfor er det også for oss viktig at det brukes gulrot og ikke pisk, hvor positive virkemidler må vurderes for å legge til rette for at flere frivillig velger å installere alkolås. I tillegg er det viktig å sørge for at lovverket ikke er til hinder for å ta valget med å montere alkolås, som også saksordføreren påpekte. En ordning med påbudsregulering fra statlig hold er for oss lite aktuelt per i dag, da dette vil kunne medføre økte kostnader for den norske transportnæringen der dette ikke er nærmere avklart. Konkurransevridende tiltak som faller negativt ut for den norske næringen, og som forskjellsbehandler de ulike aktørene, er lite heldig. Vi er opptatt av at videre arbeid gjøres i tett dialog med de ulike aktørene. Vi er veldig glad for at dette arbeidet nå har fått fortgang fokus på alkolås og hvilke insentiver som best vil gi økt bruk. Dette er et viktig skritt nærmere trygg ferdsel på
Jeg vil starte med å takke saksordføreren, som har loset dette igjennom på en fortreffelig måte i komiteen. Som dere også ser, førte det til et samlet forslag til innstilling. Jeg vil også takke Kristelig Folkeparti og representantene der som har fremmet forslaget. Kravet om alkolås har vært tatt opp i flere sammenhenger tidligere. I forbindelse med Nasjonal transportplan som ble vedtatt sommeren 2013, altså for ca. to år siden, ba flertallet – bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti – regjeringen om å ta inn bestemmelser om alkolås i skolebusser i forskrift. Dagens storting fulgte opp dette med en flertallsmerknad i budsjettinnstillingen for 2015, og den har jeg lyst til å sitere: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, viser videre til Stortingets vedtak fra juni 2013, der Stortinget ba regjeringen vurdere å ta inn bestemmelser om alkolås i skolebusser i «forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever». Flertallet har merket seg at det i dag er forskjellig praksis i fylkene, og etterlyser regjeringens vurdering og tiltak i denne saken.» Jeg vil vise til, som også saksordføreren gjorde, mitt spørsmål til ministeren 4. februar i år, og svaret fra statsråden, der han skriver at han vil sette i gang en utredning for å få bedre krav om alkolås i skolebusser vil slå ut, både økonomiske og administrative konsekvenser ved en slik regulering. Dette viser at det er stor politisk enighet – dog kanskje med unntak av Fremskrittspartiet – om å ta i bruk alkolås for å redusere kjøring i ruspåvirket tilstand, i hvert fall om det som går på krav; frivillighetslinja er jo der allerede. det bør forslagsstillerne registrere – avvente EU. Det ligger ikke i forslaget til innstilling. Vi har sett tilfeller der bussjåfører har blitt tatt for promillekjøring. I siste utgave av MAs magasin kan vi lese om en skolebuss som ble stoppet med bussen full av skoleelever, der sjåføren hadde en promille på 2. Vi kan alle tenke oss hva som kunne ha skjedd i en slik situasjon. I det samme magasinet kan vi også lese at så mange som 130 000 – ja, kanskje 140 000 – kjører rundt ruspåvirket daglig på norske veier, og her er det da, som det riktig er sagt, både alkohol, narkotika og veldig mange ulike legemidler. Ruspåvirket kjøring er et betydelig trafikksikkerhetsproblem, og som vi også kan lese i svarbrevet fra statsråden, som er datert 29. april, så viser dybdestudier fra Statens vegvesen at rusmidler er en medvirkende faktor i 22 pst. av alle fatale kollisjoner, dvs. der utfallet er dødsfall. Stortingets utredningsseksjon har kartlagt status i fylkene på hvor mange som har alkolås i skolebussene. Oversikten viser at det er store forskjeller rundt om i fylkene. Aust-Agder, Oppland, Sør-Trøndelag, Troms, Vestfold og Østfold er de fylkeskommunene som er kommet lengst i innføringen av alkolås i skolebussene eller når det gjelder anbud. Åtte av fylkene har krav om alkolås i dag eller i nye anbud som er på gang. Dette viser at bare halvparten av fylkene har innført alkolås helt eller delvis og har krav i nye anbud. Dette viser at det ikke er tilstrekkelig med en frivillig innfasing, men at man må få dette inn i forskrift, slik at alle skolebarn i Frankrike og Finland har i dag krav om alkolås i skolebussene, og allerede i 2011 hadde 85 pst. av alle kommuner i Sverige krav om alkolås i skolebussene. Vi er også kjent med det arbeidet som pågår i EU med hensyn til alkolås. Arbeiderpartiet slutter seg til at man utvider det pågående arbeidet med å utrede alkolåstiltaket for skoleskyss til å omfatte all persontransport mot vederlag. Vi mener det er viktig at man får fram fordeler, kostnader og kontrollmuligheter ved innføring av alkolås for all persontrafikk mot vederlag, samt hvordan man skal håndtere utenlandske kjøretøy som kjører i Norge. Vi stiller oss også positivt til å vurdere overgangsordninger og/eller incentivordninger for å sikre en rask og smidig innfasing av alkolås i de kjøretøy som blir omfattet av regelendringen knyttet til alkolås, hvis det blir bestemt. Vi støtter forslaget til vedtak og forventer at regjeringen kommer med en sak til Stortinget til høsten, slik det står i forslag til vedtak